Vi har stått på bunnen av Oslofjorden og fått demonstrert det nyeste av laserteknologi for å styre trafikkstrømmen i Bjørvikatunnelen. Vi har vært i førerrommet på Flytoget og fått en forsmak på hvordan det blir å kjøre tog i 250 km/t i norsk landskap. I nord har vi sett hvordan klimaendringer kan gi oss et nytt verdenskart og nye transportruter gjennom Nordøstpassasjen. Overalt har vi møtt et veldig engasjement. Vi har blitt presentert for innspill og krav, frustrasjoner og forventninger. Vi har gjort oss kjent med samferdselsutfordringene og behovene både i de enkelte regionene og på nasjonalt plan. Det er denne kunnskapen komiteen har anvendt i sitt arbeid med regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan, og som har resultert i en innstilling på 250 sider til Stortinget. Jeg vil takke komiteen for et svært godt samarbeid. Tidsfristene har vært korte, og arbeidet har vært intensivt, men vi kom i mål. Selv om denne debatten mest kommer til å fokusere på det vi er uenige om, er vi likevel enige om det viktigste. Vi deler alle den samme utålmodigheten etter å få bygd ut infrastrukturen i landet vårt – raskere, sikrere, enklere og mer effektivt. Regjeringens forslag til Nasjonal 508 mrd. kr – en økning på 50 pst. – skal gå til raskere og sikrere infrastruktur over hele landet. Når komiteen har reist rundt og møtt representanter fra næringslivet, er det to forhold man har vært opptatt av. Det første er samferdsel. Derfor opplever jeg at de rød-grønne partiene har bestått eksamen med glans når NHO i sitt høringssvar skriver at regjeringen foreslår en høyere investeringsramme enn det NHO gjorde, og at organisasjonen opplever dette som et viktig gjennomslag for bedre samferdsel for næringslivet. Målsettingen til de rød-grønne partiene er klar: Vi skal binde Norge sammen. Vi skal bruke 311 mrd. kr på veiformål de neste ti årene. 1 280 km ny riksvei vil bli åpnet for trafikk, og 780 km vil bli bygd som møtefri vei. Vi skal ruste opp E6 gjennom hele landet, fra Svinesund i sør til Kirkenes i nord. Det betyr bl.a. at den mest rasutsatte strekningen på hele E6, Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms, endelig blir sikret. Det norske veinettet skal utvikles slik at lengre sammenhengende strekninger får god standard. Derfor prioriterer vi også E18, E10, E16 og E134. Vi vil bygge en fergefri E39 på 20 år. Siden 2005 er reisetiden på denne viktige kyststamveien redusert med 50 minutter. Prosjektene som ligger inne i planen, vil føre til at reisetiden reduseres med ytterligere 1,5 time. Når fergefri E39 er en realitet, vil reisetiden være redusert med mer enn sju timer. Fylkeskommunene, som er ansvarlig for store deler av veinettet, får også drahjelp til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet – med nesten 20 De sparte transportutgiftene for næringslivet blir på 78 mrd. kr. Derfor er transportplanen god næringspolitikk. Reisetiden mellom landsdelene blir kuttet kraftig, det er også god velferdspolitikk. Vi vil bygge en ny generasjon jernbane for nye generasjoner med reisende. Vi skal bruke 168 mrd. kr på jernbanen i tiårsperioden. Full intercityutbygging – en gammel visjon blir endelig realisert. I 2024 skal det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar. Reisetiden fra Oslo til disse byene blir under 1 time for tusenvis av passasjerer. Halden, Lillehammer og Skien skal ha sine dobbeltspor klare innen 2030. Det gis grønt lys for Bergensbanen, modernisering og elektrifisering av Trønderbanen og utbygging av Det rød-grønne flertallet har også presisert i merknadene at det ikke er nødvendig med ny KVU for Ringeriksbanen. Jernbaneverket får nå i oppdrag å ferdigstille kunnskapsgrunnlaget, slik at vi kan starte byggingen av Ringeriksbanen tidligst mulig i annen periode. De store byene vil oppleve en sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Derfor gir vi nå byene drahjelp, slik at all vekst i persontrafikken skal kunne tas av kollektivtrafikk, gange og sykkel, i tråd med klimaforliket. For første gang sier en regjering at også staten må ta et delansvar for investering og drift av kollektivtrafikken i de store byene, og legger inn hele 26 mrd. kr til bymiljøavtalene. Verdens første skipstunnel blir en realitet med denne NTP-en. Stad Skipstunnel vil bidra til bedre både sikkerhet og framkommelighet for alle som ferdes på Stadhavet, og har vært et viktig krav for folk langs hele kysten. For å flytte mer gods over på sjø gir regjeringen 3 mrd. kr til å utvikle havneinfrastrukturen og nærskipsfarten. Vi danser på skipsdekkene i glede, var tilbakemeldingen fra de maritime miljøene etter at statsministeren hadde presentert nyheten. Vi bruker i dag nesten 15 mrd. kr mer i året på vei og bane enn da vi overtok i 2005. Men økte rammer stiller økte krav, derfor er de rød-grønne partiene opptatt av at ressursene skal brukes mest mulig effektivt, og at vi skal ha en moderne sektor. Det bygges i dag for mye i rykk og napp. Planleggingstiden skal halveres, bl.a. gjennom økt bruk av statlig plan, bedre samordning av statlige myndigheters innspill og Vi vil sikre mer forutsigbar finansiering og gjennomføring, der de største prosjektene har egne organisasjoner, egne stortingsvedtak med samlede forpliktelser og årlige bevilgninger og dato for ferdigstilling. Dette er også blitt særdeles godt mottatt av næringslivet. NHO mener bl.a. at nye ordninger viser at regjeringen igjen har vært lydhør for næringslivets behov. Men det er ingen selvfølgelighet at denne transportplanen skulle bli så solid som den er. Da de rød-grønne partiene overtok regjeringskontorene i 2005 etter Bondevik II-regjeringen, overtok vi også ansvaret for en samferdselspolitikk som hadde vært underfinansiert og lite prioritert. Det første vi gjorde, var å gjennomføre alle prosjektene og overoppfylle planene som var vedtatt. Det var det ingen regjeringer som hadde gjort før oss. Det andre var å høyne ambisjonsnivået. Nasjonal transportplan 2010–2019 er om lag 100 mrd. kr større enn Bondevik II-regjeringens transportplan. Nå legger vi nye 150 mrd. kr på toppen. Det tredje vi også har gjort på disse åtte årene, er endelig å bruke ressurser på vedlikehold. Det har ført til resultater: Mer enn ni av ti tog er i rute, og vi har asfaltert mer enn en Den rød-grønne regjeringen har gjennomført et taktskifte i samferdselspolitikken. Vi har økt samferdselsbudsjettet med 64 pst. Bondevik II-regjeringen økte det med 10 pst. Vi har doblet bevilgningen til jernbanen, og tredoblet investeringen. Nær 1 000 km motorvei er åpnet eller under bygging. Vi har bygd brorparten av det som er av møtefri vei i Norge. Og kanskje det Tallet på drepte og hardt skadde er redusert med 30 pst., til det laveste siden 1950, til tross for at trafikken er mangedoblet. I fjor var det 148 mennesker som ble drept, og for første gang siden man begynte å føre statistikk, var det ett fylke som sto igjen ved årsslutt uten noen drepte i trafikken, Finnmark. Vi skal gjøre det igjen. På samme måte som vi har oppfylt de to transportplanene vi har hatt ansvaret for, skal vi, år for år, prosjekt for prosjekt, gjennomføre også denne planen. Vi skal ta Norge videre. Hva opposisjonen er enige om i samferdselspolitikken, er derimot mer uklart. Høyre er for bompenger, for handlingsregelen, for klimaforlik og for OPS. Fremskrittspartiet er mot bompenger, mot handlingsregelen, mot klimaforlik og mot OPS som finansieringsform. Fremskrittspartiet vil bruke over 400 mrd. kr mer enn Høyre og de øvrige opposisjonspartiene. «Det blir å lure folk å tro at vi kommer til å havne i nærheten av de summene som Fremskrittspartiet foreslår.» Dette sa komitéleder Knut Arild Hareide til Dagsavisen i forrige uke. Videre sa han: «Å tro på den type summer, er som å tro på julenissen.» Og la meg tilføye: Det er jo et parti som virkelig har opposisjonspartiene var en gordisk knute, og at det var vanskelig å se hvordan opposisjonspartiene skulle klare å finne et felles multiplum. Ærlig talt, det må være mulig å forvente en avklaring om hva slags samferdselspolitikk vi vil få med en blå-blå regjering. Omfanget av opposisjonens samferdselspolitikk, og finansieringen av den, er helt i det blå. Ett eksempel viser tydelig hvor alvorlig situasjonen er: I regjeringens forslag ligger totalt 174 veiprosjekter. 92 prosjekter skal finansieres uten bompenger, og 82 prosjekter med bompenger – etter ønske fra lokale politikere. Av de 82 prosjektene som skal delfinansieres med bompenger, Da står vi igjen med 56 nye, store veiprosjekter, der Høyre og Fremskrittspartiet er fullstendig på kollisjonskurs om finansieringen – viktige veiprosjekter over hele landet, som E6 Manglerudprosjektet, E39 Rogfast og Helgelandspakken på E6. Høyre stiller ikke med statlige bevilgninger i sitt alternativ som kan erstatte bompengeandelen i disse prosjektene. Fremskrittspartiet har på ingen måte antydet at de er klare for å kompromisse om bompenger. Vil Høyre og Fremskrittspartiet bli enige om finansieringen av disse veiprosjektene, hvis de skulle havne i regjering? Vil disse 56 viktige veiprosjektene bli gjennomført med en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet? Det har NTP-arbeidet ikke gitt noen avklaringer på. Partiene er også uenige om bruken av OPS, I VG kunne vi tidligere i vår lese at representanten Hoksrud slaktet Høyres OPS-politikk, fordi det er en dyr måte å bygge vei på. Dagens Næringsliv er én av mange aviser som har konkludert med at Høyre bruker OPS som tryllemiddel, og at konsekvensen blir at man skyver regningen foran seg og over på neste generasjon. Men da representanten Helleland ble konfrontert med dette av Klassekampen, svarte han følgende: «det er tøys å framstille OPS-prosjekt som om framtidas eller at dei vil binde opp kommande regjeringar slik at det går ut over andre prosjekt. Det er først og fremst bilistane som vil få rekninga, i form av bompengar». Jeg innledet med å si at det er to forhold næringslivet har vært opptatt av når vi har reist rundt med transportkomiteen. Det første er samferdsel – der har regjeringen levert. Det andre er trygg økonomisk styring. Derfor er ikke Arbeiderpartiet villig til å bryte handlingsregelen og presse kostnadsutviklingen i sektoren i været, noe som ville blitt resultatet med Fremskrittspartiets politikk. Derfor er heller ikke Arbeiderpartiet villig til å bruke Høyres tryllemiddel, som OPS. Jeg er helt enig i det som ble skrevet i Aftenpostens leder i forrige uke: «Samferdselsløftet må prioriteres innenfor den rammen handlingsregelen for bruk av oljepenger anviser.» Som finansieringsform er OPS i beste fall et fristende, men risikabelt eksperiment. Det kan lett føre til at høye kapitalkostnader veltes over på framtidige generasjoner, og regjeringer vil bli bundet opp, fordi vi ikke evnet å prioritere blant politikkens mange gode formål. På kort sikt er det naturligvis forlokkende – bakrusen som kan komme etter hvert, er det ikke. Veien hit har vært lang. Mange har involvert seg, og engasjementet er stort. Når jeg ser opp på galleriet, er det hyggelig å se at folk har pyntet seg i anledning denne dagen, for det er en festdag. Over hele landet vedtas i dag prosjekter som er viktige, som mange har engasjert seg i, som mange står bak, og som vil utgjøre store forskjeller for både næringsliv og befolkning. Regjeringen viser med forslaget til NTP at vi nå tar Norge videre.

som ble møtt med sterk kritikk, fordi det er en transportplan som bare kommer til å videreføre det kaoset som nå eksisterer innenfor den svenske «järnvägen», og som heller ikke tar tak i de utfordringene man har, bl.a. når det gjelder kollektivtrafikk. Så jeg tror ikke at Sverige er et land man bør se til. Den svenske regjeringen har bl.a. planlagt å femdoble kjøreveisavgiften for jernbanen, noe som kommer til å få ganske dramatiske konsekvenser for overføring av gods fra vei til bane.

vil effektivisere planleggingsprosessene. Den vil komme med en mer forpliktende finansiering – men ikke ennå. Spørsmålet til representanten Bjørnflaten blir om hun ser at det kan være noen gode ideer å ta med seg fra opposisjonen, om ikke behovet for å effektivisere de statlige etatene er høyst påkrevet, og at man burde ha gjort det i løpet av åtte år. Det man kan lese, er at det meste skal skje – men ikke

nekter å lytte til sine partikolleger i England og i Sverige som har tatt sterkt avstand fra OPS, og som sier at dette er noe man ikke skal bygge videre på, bl.a. fordi det får så store konsekvenser for økonomien. Det bygger opp økonomien, det gir mindre fleksibilitet, og det er en dyr måte å bygge vei på. Jeg registrerer at flere og flere også i Norge ser at Høyre prøver å bruke OPS som et tryllemiddel, noe bl.a. både Dagens Næringsliv og Aftenposten har konkludert med på lederplass. Representanten tar opp problem rundt OPS og den ideologiske diskusjonen. Det har òg statsminister Stoltenberg gjort tidlegare frå denne talarstolen: «Det er jo Stoltenberg gjort tidlegare frå denne talarstolen: «Det er jo slik at hvis Norge begynner å lånefinansiere veiprosjekter, har vi innrettet oss veldig dumt. Vårt problem er ikke at vi har for lite penger. Vi behøver ikke å kjøpe veier på avbetaling, vi kan bevilge til dem kontant.» Spørsmålet mitt gjeld: Det er no bompengar – noko som Kristeleg Folkeparti er heilt einig i – på opp mot 96 i denne vegplanen. Både stat og fylke lånefinansierer vegarbeidet. Har ikkje statsministeren forstått sjølv kva han er med på? Er det noen jeg har ganske stor tiltro til når det gjelder å ha oversikt over norsk økonomi og konsekvensene for den, er det statsministeren. Jeg tror han også har ganske grundig innsikt i hvordan mekanismene fungerer når det gjelder samferdselssektoren. Jeg er helt enig med statsministeren. Vi ønsker ikke å bruke OPS fordi vi mener det er en dyr måte å finansiere veier på. Det skyver regningen over på de neste generasjonene, og det binder opp statsbudsjettene. Det jeg ville bekymre meg for hvis jeg var representanten Hareide – han og jeg har samme syn når det gjelder bruken av bompenger, at det er

hvor pengene følger planen og ikke er avhengig av de årlige statsbudsjettene. Det er noe bl.a. Danmark følger. Fremskrittspartiet har gleden av å fremsette sitt eget forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014–2023. Som sist gang vi la fram vårt forslag til Nasjonal transportplan, ønsker vi også denne gangen å løfte blikket utover den første tiårsperioden. Vi har derfor en plan som viser hvor mye vi ønsker å bruke fra nyttår og fram til 2043. Fremskrittspartiet vil bruke mulighetene og Fremskrittspartiet vil bruke mulighetene og bygge landet. Handlingsrommet er her nå. Det store spørsmålet er om man vil se det – og ikke minst ha vilje til å bruke det. Fremskrittspartiet vil bygge landet, mens de andre her i salen vil bygge bommer – eller kanskje enda mer presist: Regjeringen inviterer til fest og snorklipping. Bilistene får ikke være med på noen av delene, men de får regningen for både festen,

kan vente seg en ekstraregning – på toppen av drivstoffavgifter, CO2-avgifter, engangsavgifter, årsavgifter osv. – på over 35 000 kr i bompenger de neste ti årene. Dessverre kaller flertallet i denne salen dette for et spleiselag. Jeg synes det er et utrolig og særdeles dårlig spleiselag – med tanke på at bilistene allerede har betalt inn Jeg lurer på hvorfor norske bilister hvert eneste år finner seg i å bli ranet på denne måten. I motsetning til Finansdepartementet og regjeringen mener Fremskrittspartiet at det er svært viktig å skille mellom investering og løpende driftsutgifter. 1 kr brukt til investering i vei og jernbane er ikke det samme som 1 kr brukt på driftsutgifter som kommer igjen hvert eneste år. Fremskrittspartiet mener at investering i et skikkelig hovedveinett vil gi Dette viser til fulle at det er både mulig og fornuftig å satse på og investere i infrastruktur. Det store spørsmålet er om man har vilje til å gjøre noe med situasjonen vi har rundt omkring i landet – med kø, kork og kaos i de store byene. Veier i distriktene er i ferd med å falle fra hverandre. De er trafikkfarlige og rasutsatte. Det er køer på bussene, togene, trikkene og t-banene. Fremskrittspartiet har både vilje og handlekraft til å ta tak i dette. Derfor foreslår vi en skikkelig økning i rammene, langt utover regjeringens forslag. Vi foreslår å bruke 45,5 mrd. kr mer i året enn det regjeringen gjør i sitt forslag. Men dette er faktisk helt i tråd tråd med det SSB – Statistisk sentralbyrå – i en rapport fra 2013 sier at er fullt ut mulig og forsvarlig å bruke på å investere hvert år fremover. Dette vil ikke flertallet i denne salen, og nå ber jeg dere som mener dette er uforsvarlig pengebruk, om å høre nøye etter: SSB sier at dette vil ha svært liten betydning når det gjelder både inflasjon og rente, som har vært enkelte økonomers, Finansdepartementets og rød-grønne politikeres mantra og skremselspropaganda. Dere er avslørt av både SSB-rapporten og rapporter fra bl.a. Oslo Economics, Cambridge Systematics m.fl., som dokumenterer at å bruke penger på infrastruktur er både svært fornuftig og riktig og vil være med på å bygge landet, ikke bare for å møte dagens, men ikke minst også morgendagens behov. I de største byene og byområdene foreslår Fremskrittspartiet å opprette en storbypakke til de fire største byene på 13 mrd. kr utover regjeringens ramme. Det skal gå til tiltak som styrker kollektivtilbudet både for buss og bane, øke fremkommeligheten for gående og syklende og samtidig sørge for økt regularitet og bedre tilbud som får folk til å velge kollektivtilbudet fremfor bilen. I tillegg til dette foreslår vi en bypakke til de neste 13 største byområdene, som ligger inne i dagens belønningsordning.

at det fortsatt skal være et godt taxitilbud også i fremtiden. Fremskrittspartiet er svært opptatt av trafikksikkerhet og mener at noe av det viktigste vi kan gjøre, er å styrke det arbeidet som gjøres for å forebygge ulykkene, styrke Trygg Trafikk og andre organisasjoner som jobber mot barn og personer som er i risikogruppen, og er overrepresentert på ulykkesstatistikken. Et av de tiltakene som virkelig bidrar til å redusere trafikkulykkene, og spesielt alvoret når ulykken er ute,

nå, hvis man tar med både fylkes- og riksveinettet. Så stort forfall betyr også at det er en stor fare for ulykker bare ved å kjøre på dette veinettet. Fremskrittspartiet har derfor foreslått at forfallet på riksveiene skal tas igjen på 10 år, mens vi trenger 15 år på å ta igjen forfallet på fylkesveinettet. Dette er svært avgjørende for å sikre at vi lykkes med å redusere antallet som blir hardt skadd eller drept i trafikken de neste ti årene. Når det gjelder jernbane og vei, går Fremskrittspartiet nok en gang foran og viser vei. Vi vil derfor med en gang vise til at vi ønsker å etablere to statlige selskaper på henholdsvis vei og jernbane, som skal stå ansvarlig for en massiv utbygging av både vei- og jernbaneområdet. Selskapene skal tilføres egenkapital fra staten, som skal sørge for å stille opp med penger slik at disse selskapene har midler som gjør at de kan foreta en mye raskere, mer effektiv, billigere og bedre utbygging av både vei- og jernbanenettet i Norge. Selskapene får som oppgave å sørge for kontinuerlig og helhetlig utbygging – ikke som i Vestfold, hvor man har brukt 32 år på å bygge ut ca. 8 mil vei, med planlegging og runder hit og dit. Det viser hvor tregt det går med de metodene man har brukt, og derfor må man ta i bruk nye metoder for å gjøre det mer effektivt og mer rasjonelt. Derfor er også Fremskrittspartiet opptatt av å etablere de to selskapene for å få fortgang i utbyggingen. Fremskrittspartiet har som mål å sørge for at full intercityutbygging helt til Halden, Lillehammer og Skien må være ferdig bygget innen 2025. Med Oslotunnelen og utbygging til Ringerike

men uten at det tar lang, lang tid – som vi har sett i mange infrastrukturprosjekter. Selskapet skal også sørge for å bidra til raskere og helhetlig utbygging både på E18, E16, E134, E8 og veldig mange andre strekninger rundt omkring i hele landet, som er omtalt i vårt forslag til Nasjonal transportplan. Vi foreslår at de to selskapene de neste ti årene får tilført 157 mrd. kr til å starte opp denne massive vei- og jernbaneutbyggingen. Vi foreslår også at disse selskapene kan finansieres med deler av oljefondet og skilles ut i et eget fond som skal finansiere disse store løftene på samferdselsområdet. Vi er veldig glad for at vi her har fått med oss både Høyre og Kristelig Folkeparti, som er enig med Fremskrittspartiet i at dette er en god måte å bygge ut infrastruktur på. På sjøtransportområdet foreslår vi en styrking med 5 mrd. kr ekstra de neste ti årene. Blant annet setter vi av 1 mrd. kr utover regjeringens ramme til Stad skipstunnel, for det klarte ikke regjeringen å finne rom for å fullfinansiere i de neste ti årene, og da må Fremskrittspartiet gå foran og vise at det er fullt mulig. Vi er villige til å bruke pengene for å få på plass Stad skipstunnel en gang for alle, etter og mange, mange års diskusjon både i denne salen og andre steder. Samtidig foreslår vi også at det settes av midler til fiskerihavner, dybdeutbedringer, sjømerking og styrking av trafikksentralene, men ikke minst ønsker vi å sette av midler for å styrke oljevernberedskapen. Vi har flere ganger de siste årene sett at den er satt på prøve, både «Full City» og «Godafoss» har vist oss det. Når jeg nå er i ferd med å gå inn for landing i mitt første innlegg,

og ikke minst til den enkelte innbygger i landet vårt. Fremskrittspartiets forslag til Nasjonal transportplan er en plan som vil sikre trygghet og frihet, og som viser tydelig handlekraft. Jeg vil derfor ta opp alle de forslag som Fremskrittspartiet har fremmet i saken og de som vi er medforslagsstiller til, med unntak av vårt forslag i innstillingen til Dokument 8:113 S, hvor vi har en annen saksordfører som kommer til å redegjøre for den saken. saken. Så har jeg lyst til å si til representanten Bjørnflaten som sier at 508 mrd. kr er et halvt statsbudsjett: Ja, det høres voldsomt ut, men det er altså 5 pst. over en tiårsperiode. Eller satt i et annet perspektiv: Hvis vi fortsetter å øke utgiftene på statsbudsjettet på samme måte som vi har gjort de ti siste årene, de ti neste at vi skal bruke 13 500 mrd. kr over statsbudsjettet på utgifter, og av det skal vi bruke 508 mrd. kr. Det er ikke så veldig ambisiøst allikevel, når man setter det i perspektiv, gjennom en tiårsperiode. Jeg skjønner at det høres mye ut når man sier 508 mrd. kr, og at det er et halvt statsbudsjett, men det er altså 5 pst. hvis man ser på hva vi har tenkt å bruke på statsbudsjettet de ti neste årene. Til sist: Fremskrittspartiet bruker mulighetene og bygger landet!

Det er det jobben vår å sørge for. Med et godt mandat fra velgerne den 9. september er jeg overbevist om at vi kommer til å få flertall for det. Men jeg synes jo det er trist at vi har en regjering som, på tross av at vi har et oljefond som er på over 4 000 mrd. kr, synes det er greit å flå bilistene mange steder med både 10 og 15 kr. Jeg har sett eksempler på at enkelte næringsdrivende betaler 100 000 kr i bompenger i året. Det er noe som betyr noe for lommeboka for folk flest og vanlige folk. Og jeg ser at det er et gryende engasjement rundt om i hele landet mot bompenger og mot denne utpressingen som den rød-grønne regjeringen driver med når det gjelder bompenger. Når me høyrer på representanten Ketil Solvik-Olsen, kan det verka som at både klimagassproblemet og handlingsregelen er

når det gjeld regjeringskabalen. Det er min påstand. Ein skal altså kutta bompengeselskap, ein skal kutta bomringar, og hundrevis av milliardar skal på ein måte ut – 450 sånn ca. Og så skal ein altså ikkje ta omsyn til nokon av dei problemstillingane som eg forstod Framstegspartiet var opptatt av, då eg høyrde representanten Solvik-Olsen. Framstegspartiet har gått på bilane, sånn at dei kan driva inn bompengar. Då er spørsmålet mitt: Betyr det at ein no ønskjer å komma i regjering og driva med landevegsrøveri? Jeg kan love representanten Langeland at Fremskrittspartiet ikke vil drive med landveisrøveri, som Langeland kanskje er i fronten for å gjøre, fordi han synes det er helt greit at bilistene skal flås. Men jeg har lyst til å utfordre representanten Langeland tilbake. og jeg lurer på hvordan representanten Langeland kan sitte i en rød-grønn regjering som nå kutter utbygging av full intercity, som var et mål og et løfte fra SV om at skulle være ferdig før 2023, mens man nå har en ambisjon om kanskje 2030. Det må jo være flaut for Langeland å sitte i en sånn regjering når han har vært en av de fremste talspersonene for å fremskynde full intercityutbygging. Men realiteten er at SV sitter i en regjering som ikke er opptatt av å bygge ut jernbane. Det er Fremskrittspartiet. Derfor vil vi bygge ut full intercity innen 2025.

en mer offensiv samferdselssatsing. Vi er enige om at det må gjøres organisatoriske grep, det må gjøres finansielle grep. Vi er enige om at vi skal ta deler av oljefondet, skille det ut og bruke deler av avkastningen til å investere i infrastruktur. Så jeg er overbevist om at folk kommer til å oppleve en massiv satsing på infrastrukturutbygging. Så skal vi overbevise de andre partiene om at det bør man gjøre uten å flå bilistene og uten at mye av pengene forsvinner uten at vi får en eneste meter vei.

Infrastruktur er et viktig virkemiddel for å sikre vekst og velferd for fremtidige generasjoner. Høyre har nye ideer og bedre løsninger for hvordan du skal komme raskt fram og sikkert hjem. Samferdselsutfordringene i Norge handler dels om bevilgninger og dels om et stadig mer akutt behov for modernisering og nye løsninger. Vi har en sektor som er overmoden for modernisering og effektivisering.

Store utbygginger bør organiseres som egne offentlig eide enheter med selvstendig resultatansvar. En slik organisering av prosjektet Oslo–Ski ville gjort det mulig å redusere gjennomføringstiden for prosjektet med 40 pst. En slik organisering vil kunne være en riktig løsning for flere store vei- og jernbaneprosjekter som f.eks. Ringeriksbanen, som det nå nok en gang ser ut til å være stor vilje til å realisere. Konkurranseutsetting av Gjøvikbanen har resultert i lavere kostnader for det offentlige, et bedre tilbud til de reisende, flere reisende og like gode betingelser for de ansatte. Mer konkurranse på jernbanesporet vil bidra til mer fornøyde reisende, flere passasjerer og mer effektiv drift. Høyre har høye ambisjoner for samferdselsområdet og vil ta i bruk nye ideer og bedre løsninger for å få fart på utbyggingen. Høyre foreslår å øke investeringsmidlene til vei og jernbane med 35 mrd. kr sammenlignet med regjeringens forslag, og vi vil at noe av dette skal dekkes inn med effektiviseringstiltak innenfor egne rammer. Jeg ser at samferdselsministeren i dag har funnet ut at det er blitt for mange byråkrater i Vegvesenet, og at hun vil sette i gang et arbeid umiddelbart. Det er kanskje litt sent etter at det er økt med 40 pst., og etter at det er gått åtte år. Høyre vil ta i bruk nye organiserings- og finansieringsformer i vei- og jernbanebygging der dette er ønsket lokalt – gjerne i samarbeid med private. Vår visjon er at ingen skal omkomme i trafikken som følge av dårlig veistandard på riksveiene. Derfor vil vi bygge mer motorvei og mer midtrekkverk. Vi vil etablere et infrastrukturfond på 50 mrd. kr for å starte arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vei- og jernbane, som dessverre er altfor stort. En mer kraftfull kollektivutbygging er nødvendig for å sikre storbyområdene godt miljø og fleksibel trafikkflyt. Det er spådd at det skal bli en million nye innbyggere i Norge i løpet av de neste 15 årene. Det meste av denne veksten vil komme rundt de store byene, og da er det helt nødvendig med en kraftsatsing – f.eks. en Ringeriksbane og f.eks. baneutbygging – for å møte denne utfordringen innen både bosetting og trafikk.

Det viktigste er at det bygges – ikke hvem som gjør jobben. Det er statens ansvar å sørge for at befolkningen har et godt nett av veier, jernbane, kaier og flyplasser. Men det er ikke nødvendigvis slik at staten selv bør gjøre jobben. Det finnes mange måter å organisere infrastruktur på. I noen sammenhenger er det fornuftig at staten selv gjør jobben, i andre er det eksterne aktører som er bedre I dag er Stortinget involvert på detaljnivå i alle nye utbygginger, noe som fordyrer og forsinker prosjektene. Det er ikke fordi vi bruker lang tid på saksbehandling her i Stortinget – vi har vel brukt en uke eller to på de fleste sakene som regjeringen kom med lenge etter påske – men fordi det skal planlegges. Det skal gjennom departement, veivesen osv. Det fordyrer og forsinker prosjekter. Det er ingen grunn til at Stortinget skal vedta utbygginger av mindre vei- og jernbaneprosjekter. må, så vidt jeg vet, investeringer på ned mot 50 mill. kr i Jernbaneverket innom Stortinget for vedtak. Vi må prioritere mellom ulike varianter av vedlikehold, eller behandle rassikring av stamveinettet. Stortinget bør vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, mens fagpersonene bør få ansvaret for detaljene og gjennomføringen. Den rød-grønne regjeringen ser ut prioritert byråkratiet. Sammenliknet med våre naboland har Norge nå dobbelt så mange samferdselsbyråkrater i forhold til folketallet. For eksempel har Statens vegvesen siden 2009 fått over 1 000 flere ansatte. Vi hørte i forrige uke at Jernbaneverket har fått 1 000 nye på åtte år, alle i administrative stillinger. Vegvesenet brukte 2,4 mrd. kr på konsulentkjøp bare i 2012. Det er selvfølgelig viktig at man har mange nok ansatte med den riktige kompetansen,

Mens det i Norge er rundt 14 000 samferdselsbyråkrater, er de samme tallene i Danmark og Finland noe over 4 000. Høyre ønsker å overlate ansvaret for hele strekninger til egne prosjektorganisasjoner. Stortinget bør vedta de overordnede retningslinjene med forpliktende rammer for organisering, ferdigstillelse av hver strekning, kostnader og finansiering. Så skal det være opp til selskapet selv hvordan de vil Erfaring tilsier at prosjektene vil bli raskere ferdige og rimeligere enn ved ordinær utbygging. En studie har vist at utbyggingstiden for jernbanestrekningen Oslo–Ski kunne blitt gjennomført omtrent 40 pst. raskere, fordi man har muligheten til å se prosjektet mer i sammenheng. Høyre mener det hadde vært hensiktsmessig å organisere f.eks. hele intercityutbyggingen i et eget overordnet utbyggingsselskap. Høyre mener også at det bør prøves ut organisering av utbygging og drift av egne veistrekninger som egne prosjektselskaper underlagt Vegdirektoratet. Offentlig–privat samarbeid gir mer for pengene, kortere byggetid og høy kvalitet på infrastrukturen. Derfor ønsker Høyre å sette i gang flere store OPS-prosjekter både på vei og jernbane. Norge har hatt tre prosjekter med offentlig–privat samarbeid, OPS, på veisektoren. Erfaringene fra disse har vært svært gode.

fordi utbyggeren selv er ansvarlig for vedlikeholdet i 25 år, hvis en går inn på en slik kontrakt, garanti for skikkelig vedlikehold så lenge OPS-kontrakten løper, og økt innovasjon i valg av løsninger. En enkel detalj er at på OPS-strekningen mellom Klett og Bårdshaug i Trøndelag har selskapet skiftet ut hele belysningen med LED-lys for å spare penger, men samtidig gitt bilistene det samme gode lyset. Det er innovasjon.

Men det som representanten Bjørnflaten også sa i sitt innlegg, var at vi var så rykende uenige om OPS. Da vil jeg peke på mitt eget innlegg der jeg sa at OPS er en metode, ikke en finansieringsform. Det er en felles merknad mellom Knut Arild Hareide, Bård Hoksrud og Trond Helleland pluss de øvrige fra våre partier om OPS i innstillingen til Nasjonal transportplan. Det viser at vi faktisk er enige om metode, så må vi finne svaret på hvordan vi løser den gordiske knuten med

I Fremskrittspartiet gleder vi oss over at både Høyre og Kristelig Folkeparti er enige med Fremskrittspartiet om en ordning med fond, der avkastningen skal brukes til samferdselsformål. Fortsatt er vi riktignok uenige om størrelsen. Poenget er at vi har en solid felles plattform og forståelse av at fond må til for å gi ekstra finansiering til utbygging av samferdsel. Så var det mer om den gordiske knuten. nøyaktig fire år siden, 16. juni 2009, sa representanten Øyvind Halleraker fra Høyre til Finansavisen at man vil få en periode med stort overskudd på oljeinntektene og avkastning på oljefondet forsiktig beregnet til 100 mrd. mer årlig om ti år. Akkumulert vil dette forsiktig beregnet gi 500 mrd. kr mer å bruke, og Høyre vil bruke det på Finnes dette handlingsrommet også i 2013? Og hvordan vil Høyre bruke det? Det handlingsrommet finnes, og derfor er jeg veldig glad for at representanten Sortevik og jeg er sammen om et forslag der vi sier at en større andel av avkastningen av Statens pensjonsfond utland skal brukes til det Stortinget faktisk vedtok at det skulle brukes til, nemlig infrastruktur. Det er altså et stort handlingsrom for å øke bevilgningene innenfor transportsektoren, fordi Stortinget selv har sagt at når vi får så store petroleumsinntekter, må vi investere i framtiden – enten i skattelette for næringslivet, i forskning og utdanning, eller i infrastruktur. Hvis regjeringen Stoltenberg II hadde vært i nærheten av å følge opp det, så store petroleumsinntekter, må vi investere i framtiden – enten i skattelette for næringslivet, i forskning og utdanning, eller i infrastruktur. Hvis regjeringen Stoltenberg II hadde vært i nærheten av å følge opp det, kan det hende at både jeg og representanten Sortevik hadde vært litt mer fornøyd med tingenes tilstand. Men der har vi et stort handlingsrom, det må vi benytte. Det er jeg sikker på at vi skal bli enige om, og da kan vi også diskutere størrelsen på fondene våre.

han misforstått? Våre svenske kolleger tar som regel ikke feil, og derfor har de også styrt landet lenge. Men det er ulike innfallsvinkler til hvordan en ønsker å organisere samferdselssektoren. Det vi ser i Norge, er at vi har et stort behov for – et stort etterslep i – å få opp antall kilometer som blir bygd. OPS er etter vår mening en veldig god metode. Til klimaforliket: Det er jo synd at SV gjorde sitt beste for å forhindre at Fremskrittspartiet fikk lov til å være med i klimaforliket. Fremskrittspartiet leverte også mange gode forslag, men SV gjorde det til sin fanesak å sørge for at de ikke fikk bli med. Da er det litt synd i ettertid å anklage Fremskrittspartiet for å være det partiet som bryter et klimaforlik de ikke fikk være med på. Jeg har opplevd at Fremskrittspartiet har endret seg veldig – jeg satt i transportkomiteen sammen med Langeland for noen år siden også – og

med den NTP-en me legg fram. Noko av det som eg meiner me må få fram i denne debatten, er det som Framstegspartiet illustrerer med ansvarlegheita si når det gjeld global oppvarming – og oppvarming av norsk økonomi. Her ønskjer Framstegspartiets heilt tydeleg å distansera seg frå den ansvarlege linja som partiets nestleiar Solvik-Olsen forsøker å framstilla det som om Framstegspartiet har – som eit parti som er interessert i å gjera noko med klima, og som òg er interessert i å følgja handlingsregelen, som han uttalte til Dagens Næringsliv for ei tid sidan. Der er ikkje transportfraksjonen til Framstegspartiet. Dei ønskjer å sitja på tribunen og ropa og ha rett,

Om me skulle vera så uheldige at det blir ei blå-blå eller ei anna regjering enn den raud-grøne, trur eg veljarane til Framstegspartiet nå berre bør innsjå at når Framstegspartiet har gått for bombrikke, er det ikkje fordi dei synest det er kjekt å køyra rundt med ein dings framme i vindauget, men fordi dei skal bruka den dingsen til noko, nemleg å flå bilistane – slik SV og dei raud-grøne gjer, ifølgje deira eigen retorikk.

men den raud-grøne regjeringa har altså gjort det. For oss er det ikkje sånn at marknaden skal styra kor me investerer. Den raud-grøne regjeringa meiner det er viktig å investera i både by og land, fordi me meiner at det skal bu folk i heile Noreg. Men når ein ser på merknadene til Framstegspartiet og delvis Høgre,

der me nå set av 100 mill. kr til å starta planlegging. Me raud-grøne bruker 508 mrd. kr i denne NTP-en. 220 av dei milliardane er til grøn transport. Det betyr at den profilen som SV har fått til gjennom forhandlingane og dette kompromisset, er veldig prega av gode satsingar på bl.a. jernbane, bymiljø og sykkel. I det heile aukar NTP-en med 55 pst., og jernbane, bymiljø og sykkel aukar med 76 pst. i denne NTP-en i forhold til den førre. Det vil bli reduksjonar i klimagassutsleppet, noko som er veldig sentralt for SV – at me ikkje skal investera for mykje, som gjer at me aukar klimagassutsleppa. Me veit jo at byområda er der dei største utfordringane er. Derfor er det ei satsing på bymiljøavtalar, der byane kan konkurrera om å få pengar frå staten til ein meir klimavenleg transportpolitikk, der færre reiser med privatbil og fleire bruker tog, bybane, bussveg, kollektivtransport og sykkel. Det er eit viktig gjennomslag for oss. Me skal bruka

Så er det òg ein del strekningar som me går offensivt i gang med å planleggja. Det eine er Sandnes–Egersund. Me opna jo 14. desember i 2009 dobbeltspor Sandnes–Stavanger, og fekk ein formidabel auke i talet på reisande på toga. Nå er det på tide å gå vidare, lenger sør i fylket, ned til Egersund, der det er mykje fjell og mange moglegheiter til å byggja bustader. Får me realisert eit raskt tog til Egersund, som seinare går vidare til Kristiansand og Oslo, er det klart at det gjev moglegheit for å verna meir matjord til matfatet på Nord-Jæren. Ein annan ting som me fekk til i sluttfasen av forhandlingane om NTP, var ein genistrek, dvs. samankoplinga mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Me var sjølvsagt veldig fornøgde med å

Framstegspartiet gjer det motsett, for det er klart at når ein tar vekk bompengeringane – dersom ein får til det – blir det enda meir biltrafikk og enda større køar. Så der er Framstegspartiet partiet for meir bilkø og større tap for næringslivet ved å stå i kø. Men i mitt område, Nord-Jæren, har ordføraren og politikarane begynt å snakka om kva ein må gjera med omsyn til òg er viktig å nemna, er at SV gjerne vil ha samla både kyst og samferdsle i eitt departement. No har me jo statsråden her, så då får vi i alle fall snakka om nærskipstrafikken. Dei grepa som blei tatt for kystsektoren, er kjempeviktige med omsyn til å få meir transport på sjø. Alle politikarar seier at dei vil ha meir transport frå veg til sjø og bane. Me har jobba med den saka og gjort ein del grep, så det skal ministeren ha honnør for. Men det er mykje meir å gjera akkurat der. Heilt til slutt: Det er ein ting eg skal vera kritisk til når det gjeld den NPT-en me har – og det skal ein vera ifølgje Mao – og det gjeld finansiering av jernbane. Der er jernbanen diskriminert. Der bør me få til ei løysing som gjer at jernbanen kjem på like fot med dei andre. Det blir no investert 17 mrd. kr på Gardermoen, utan eit politisk vedtak. Når det gjeld jernbanen, må ein gå til Sigbjørn Johnsen kvart år og be om pengar. Presidenten vil erklære seg helt enig med representanten Langeland i at det er hyggelig at folk pynter seg når de skal til Stortinget.

at andelen av godstransport blir lavere for hvert eneste år som går under denne regjeringen. Det er med andre ord veldig langt mellom ord og handling. Fremskrittspartiet tar i sin NTP SSBs prognoser for investering i vei og bane på alvor. Vi ønsker både å etablere et statlig selskap for å bygge et effektivt jernbanenett, og vi ønsker å bevilge mer til investeringer – vi har det i våre rammer til sammen nesten 53 mrd. kr mer enn dagens regjering. Vi ser at dagens regjering, med SV, har utsatt ferdigstillelse av InterCity. Og vi ser at alle andre partier på Stortinget, også regjeringspartiene, nå har lagt lyntoget dødt. Er representanten Langeland fornøyd med gjennomslaget sitt i egen

og det er ikkje kloden tent med. Men eg gler meg til at representanten Fredriksen og Framstegspartiet – når dei får montert brikkene sine i glasruta på bilen – skal køyra rundt og driva inn pengar til forskjellige vegprosjekt. Det blir interessant. I motsetning til representanten

det. Regjeringen satser altså ikke på bane, men på byråkrater. Det representanten Langeland har fått gjennomslag for, er altså det indre intercitytriangel «light» – for til Fredrikstad går ikke toget; det går til Seut, og det er ved bygrensen. Det går ikke inn i byen, det går ikke til stasjonen, det tar ikke de store kostnadene. Det kalles på godt norsk å «fake». Det går ikke til Tønsberg og til det går også i utkanten. Men man har ordene i behold og kan si Fredrikstad og Tønsberg, men inn går det altså ikke. Er det slik at SV har spilt falitt i regjeringen når det gjelder å være et jernbaneparti? Eg trur me skal vera veldig glade for at det ikkje er representanten Schou som er i regjering, men at det faktisk er SV som er i regjering. Det betyr at me får den profilen på klimarelaterte investeringar som skal til. Og eg minner om at då representanten Schou sjølv var i regjering, blei det løyvt 1,3 mrd. kr til investeringar i jernbanen, 250 mill. kr var avsett til IC på Austlandet. Det ville ha tatt over 500 år å byggja IC dersom Høgre hadde fått styrt, med den politikken dei hadde. Så det skal ein vera glad for. At ein er offensiv når ein kjem ut av regjeringskontora, det Det som eg til slutt peika på i mitt innlegg som ei svakheit ved NTP, er at ein har diskriminert finansieringa av jernbanen. Derfor jobbar SV for å få ei anna finansiering av jernbanen. Me ønskjer oss i prinsippet 25 mrd. kr i året til jernbanen. No har me fått til 10, snautt, og det er jo eit skritt i riktig retning, og for toget sin del er det ein revolusjon i forhold til då Høgre var i regjering. Eg synest representanten Langeland har funne eit veldig passande antrekk til å markere den satsinga som er

mer.» Det ærlege og store engasjementet til representanten Langeland kjenner vi til på dette området – men er representanten fornøgd etter desse åtte åra, når me ser at forfallet fortset, og at me veldig gjerne skulle ha gjort meir for jernbanen? Det kjem an på kven ein samanliknar seg med. I forhold til då representanten Hareide var miljøvernminister, er det som SV har fått til med løyvingane til tog, nærmast for ein revolusjon Men det er ikkje nok til tog, så eg er heilt einig med Erling Sæther, som seier at me skulle satsa meir på gods, meir på vedlikehald, meir på større investeringar. Men dette er eit kompromiss, og eg høyrer kva jernbanedirektøren seier. Og med omsyn til den profilen som denne NTP-en har, er det klart ein kunne ha gjort meir. Men som òg representanten Hareide har erfart, er

og drept. Vi må tilbake til 1950 for å finne et lavere tall på antall drepte enn i dag. Men vi har ingen å miste, vi skal fortsette trafikksikkerhetsarbeidet. Langt flere reiser kollektivt, og vi må mange år tilbake for å finne år der flere tog var i rute enn i 2012. Totalt skal vi bruke 508 mrd. kr de neste ti årene.

Næringslivets transportkostnader blir redusert med vel 78 mrd. kr i løpet av perioden. For distriktsområdene vil transportkostnadene bli redusert med 47 mrd. kr. I løpet av tiårsperioden får vi en dobling av møtefri vei, og med andre tiltak for trafikksikkerhet muliggjør vi ambisjonen om å halvere antallet skadde og drepte i trafikken. Fylkesveiene får et ytterligere løft – nesten 20 mrd. kr til særskilt prioriterte prosjekter, forutsigbarhet fra vedtak. Planleggingstiden skal ned, innsigelser må på bordet raskt, det skal settes tidsfrister og det blir mer bruk av statlig plan. Det skal bli mer igjen for pengene med mer forutsigbar finansiering. Vi får mer samordning, enklere og mer effektiv bompengeinnkreving og effektivisering av etatene og Avinor. Jernbanesatsingen har økt stort fra 2005. Dette muliggjør både økt persontrafikk og økt godsmengde på bane.

og Ringeriksbanen nærmer seg med store skritt realisering. Jernbaneverket skal også utrede sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Vi vil ha økt satsing på nærskipsfart, mer gods skal fra vei og over på kjøl. Dette gir bedre trafikksikkerhet, et bedre miljø og mindre veislitasje. Bare ett skip i nærskipsfart vil kunne spare veiene for 200 trailere. Nasjonal transportplan prioriterer 3 mrd. kr til havner og annen infrastruktur på kysten. Senterpartiet er godt fornøyd med at det nå settes i gang en godsstrømsanalyse. På denne måten kan vi innhente kunnskap og fakta om hvordan godstransporten kan gjøres mest mulig effektiv i Norge. Vi står overfor en sterk transportvekst, og en del av denne veksten må komme sjøveien. Senterpartiet er også veldig glad for at Investeringer på sjøsiden skal både trygge veien til sjøs og styrke vekstkraften til fiskerinæringen og oppdrettsnæringen og bidra til at vi får økte volum med gods på kjøl. Det skal investeres i luftfart, både på de store lufthavnene og på de små. Det knytter landsdeler og landet sammen. Dette er også med på å styrke næringslivets behov for raskt å kunne reise i og mellom landsdeler. For Senterpartiet er valgfrihet til bosted meget viktig. Det å legge grunnlaget for verdiskaping langs kysten, inne i landet og i alle landsdeler er en del av dette. Industri, fiskeri, havbruk, matproduksjon, reiseliv, bergverk og petroleum er alle næringer som er lokalisert rundt om i landet. Disse næringene er viktige for Norges økonomi i tillegg til at de skaper lokale arbeidsplasser. Investeringer i gode og tidsmessige samferdselsløsninger er derfor en viktig grunnlagsinvestering for fortsatt økonomisk vekst og sysselsetting.

utbyggingsformål. Gode veier er god klimapolitikk, og bilen er en del av miljøpolitikken. Det er vel og bra at vi kan se at opposisjonen på Stortinget kan samles om 30 forslag i samferdselspolitikken i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan, som vi kunne lese i fagbladet Våre veger i forrige uke. Men så lenge de fire partiene står milevis fra hverandre når det gjelder hvordan dette skal finansieres, vil norsk samferdselsutbygging kunne få seg en real knekk etter valget i høst, det gjelder økonomisk ramme, slutter Høyre og Kristelig Folkeparti seg i all hovedsak til regjeringens. På tross av dette presenterer Fremskrittspartiet en økonomisk ramme som ligger 454 mrd. kr over regjeringen. Høyre og Kristelig Folkeparti har blankt avvist denne satsingen og bedt Fremskrittspartiet om å moderere seg. Samferdselspolitisk talsperson i Høyre, Trond Helleland, uttalte til Avisenes Nyhetsbyrå 10. juni at finansieringen av veisektoren er den vanskeligste saken å bli enig med Fremskrittspartiet om. om. Han sier videre at «det er i dag er vanskelig å se hvordan vi skal klare å finne et felles multiplum» i forhandlingene videre. Opposisjonen skaper usikkerhet. Hva Høyre og Fremskrittspartiet presenterer hver for seg, er uinteressant. Det interessante er hva de klarer å bli enige om. Høyre er for OPS, bompenger og handlingsregelen. Fremskrittspartiet er imot OPS, bompenger og handlingsregelen. I innstillingen til ny Nasjonal transportplan synliggjør Høyre og Fremskrittspartiet at de ikke klarer å enes om finansieringen av nettopp samferdselssektoren. Når Høyre i all hovedsak legger seg på samme økonomiske ramme som regjeringen, mens Fremskrittspartiet garanterer at ingen nye prosjekter skal bygges med bompenger, skaper de usikkerhet rundt de 56 nye veiprosjektene som er avhengig av delvis bompengefinansiering. De første 25 mrd. kr Fremskrittspartiet bevilger til samferdselssektoren, skal gå til å slette gammel bompengegjeld. Disse pengene kunne alternativt ha gått til å bygge ny

Av alle måter man kan finansiere vei- og baneprosjekter på, er OPS den dyreste. Det grunnleggende med OPS-finansiering er at hele investeringen lånefinansieres. Man får dermed rentekostnader på hele beløpet. Det å betale renter på statlige bevilgninger er dyrt, og det betyr at man får mindre vei og bane igjen for hver samferdselskrone. Å kjøpe bil kontant er definitivt billigere enn å lånefinansiere hele kjøpet. De 17 OPS-prosjektene Høyre foreslår i sin plan, vil få en ekstra rentekostnad på 37 mrd. kr sammenlignet med den måten regjeringen finansierer prosjektene på. Da legger vi til grunn en nedbetalingstid på 23 år. En tur rundt i landet viser at ja visst bygger vi – og vi viser også i denne planen hvordan vi skal bygge de neste ti årene. Politikk handler ikke om å love mest, men om å gjennomføre det Det har Senterpartiet og regjeringen bevist i to transportplaner, og det skal vi klare denne gangen også. Vi tar hele landet i bruk og skaper vekstkraft og framtidstro fra sør til nord. Det blir replikkordskifte. Når jeg hører på representanten Sjelmo Nordås, skulle man tro at alt var flott og fint. Men jeg har lyst til å utfordre representanten, for da

veinettet. Utenlandske turistbyråer anbefaler folk ikke å kjøre på veiene i Telemark, for det er så dårlig veistandard. Hvordan kan representanten si at dette er kjempebra og at næringslivet er kjempefornøyd, når man vet at resultatet er at folk ikke vil komme til hotellene fordi det er så dårlig veistandard? Burde man ikke da ta ansvar for det, sørge for å ta igjen dette forfallet, og ikke la forfallet få fortsette å øke – for det er det som er realiteten med den rød-grønne regjeringens forslag til NTP? Det er en økt satsing på veivedlikehold. Man satser både på det generelle veivedlikeholdet og på større vedlikehold, og man må også se veivedlikeholdet sammen med de investeringene som vi skal gjøre. Det er store investeringer det legges opp til rundt i landet. Næringslivets Hovedorganisasjon er vært helt tydelig på at det er en god Nasjonal transportplan, som landet. Næringslivets Hovedorganisasjon er vært helt tydelig på at det er en god Nasjonal transportplan, som også er god for næringslivet, og den reduserer transportkostnadene. Så jeg synes vi tilfredsstiller i stort det som næringslivet har bedt oss om i denne transportplanen. Representanten Sjelmo Nordås ga en veldig klar oversikt over pengebruken som er Representanten Sjelmo Nordås ga en veldig klar oversikt over pengebruken som er lagt inn i NTP. Hun sa også at hele landet tas i bruk, og hun var veldig glad for at det nå skal bli fart på skipstrafikken langs kysten, og at varestrømsanalysen settes i gang. Når vi ser på forbruket – representanten kommer vel fra litt nord for midten av Norge – brukes 5 pst. av midlene som er lagt inn i NTP, nord for denne delen. Synes representanten Nordås at dette er en riktig distriktspolitikk? Og når det gjelder varestrømsanalysen som settes i gang: Var det nødvendig å vente i åtte år på å starte med

og det er veldig viktig og rett, siden man skal satse såpass mye på næringsutvikling, petroleumsaktivitet, reiseliv og den type ting videre. Det er også viktig å få på plass de avklaringene som skal til når det gjelder finansiering og planarbeid, for å kunne være med videre. Som representanten Myraune vet, har det vært mange omkamper om bompenger, og det har vært kamper knyttet til planprosesser som har gjort at man er forsinket med en del prosjekter. Men nå kommer man i gang med både Helgelandspakke og en rekke andre prosjekter som er viktig også for vår del av

og 75 mrd. kr, ifølgje ein rapport. Regjeringa fastslår at det er på 55 mrd. kr. Da er spørsmålet mitt, med dei store utfordringane me har på fylkesvegane våre: Kvifor går da Senterpartiet for å fjerne rentekompensasjonsordninga? Ja, me har fått 10 mrd. kr til i NTP, men ein har klart å fjerne rentekompensasjonsordninga med det forfallet som me har no. Er no. Er det ikkje slik at forfallet vil fortsetje å auke med den NTP-en som ligg her i dag? Man viderefører de prosjektene som ligger inne i rentekompensasjonsordningen, slik at det er ingen som er inne, som blir tatt ut. I tillegg er det vel slik at det er bedre å få pengene direkte i hånda i stedet for å låne for å få realisert ting, og det er jo det

Eg vil starte med å takke saksordføraren, Anne Marit Bjørnflaten, for ein veldig god jobb i den største saka me har hatt i denne perioden, Nasjonal transportplan. Det er eit godt utgangspunkt for å diskutere satsing på infrastruktur dei neste ti åra. Mine to store men er at eg meiner det er eit behov for ei større fornying, og eg meiner òg det er behov for større satsingar enn det regjeringa har lagt fram. men er at eg meiner det er eit behov for ei større fornying, og eg meiner òg det er behov for større satsingar enn det regjeringa har lagt fram. Eg synest likevel dette er eit godt utgangspunkt for å sjå kva det er som vil skje med norsk samferdsel dei neste ti åra – ja faktisk òg litt lenger enn det. Da eg var liten gut og drog på ferie, drog eg frå Bømlo, der mor mi hadde vakse opp, til Sunnmøre, der far min hadde minst ein på hattehylla, og me tok sju ferjer for å kome fram. Me har eit heilt anna trafikksikkerheitsperspektiv i dag, og for den same strekninga blir det teikna opp planar og visjonar for at det ikkje er sju ferjer på den strekninga mellom Bømlo og Sunnmøre, men faktisk ingen ferjer. I det visjonsperspektivet vil eg seie at det er likevel I det visjonsperspektivet vil eg seie at det er likevel eit større behov både for fornying og for større satsingar. Kristeleg Folkeparti foreslår derfor auka satsingar på 27 mrd. kr inn i denne planen. Det er auka løyvingar til jernbanen med 6 mrd. kr i løpet av ein tiårsperiode, og me prioriterer kollektivtiltak og vedlikehald av fylkesvegar med Kvifor foreslår me auka løyvingar til jernbanen? Jo, det er som eg tidlegare har sitert ein veldig ærleg jernbanedirektør, Elisabeth Enger, på: «Det nivået vi har nå i 2013 er for lavt og vil øke forfallet dette året.» Videre sa Enger: «Så måtte vi erkjenne at vi hadde bedt om for lite. Så vi har noen år bak oss nå hvor vi gjerne skulle ha gjort mer.» Den same Enger sa 6. april 2010 at dersom me ikkje fekk til ei betydeleg endring, kunne me stå føre eit samanbrot. Derfor er det behov for betydelege satsingar på jernbanen. Det er òg Kristeleg Folkeparti si hovudsatsing. Men eg trekkjer fram fornying. Altfor mange viktige prosjekt blir i dag bygde ut i små bitar av gangen. Dette gir auka kostnader og lengre utbyggingstid. Når eit prosjekt blir vedtatt, må finansieringa vere garantert og avklart. Eit kroneksempel på dette er E18 gjennom Vestfold. Det har tatt 24 år å gjennomføre denne utbygginga. Når me ser at det har tatt 24 år, kan me ikkje skulde på berre ei regjering, da er det fleire regjeringar som må ta ansvar for det. Våre beste fagekspertar seier: Me kunne spart 19 år, me kunne bygd det på fem år, og me kunne redusert kostnadene med 30 pst. Det som da forundrar meg, er at når regjeringa får den dokumentasjonen lagd fram, er svaret til regjeringa: Det er ikkje behov for nokon endringar. Den same måten me organiserer denne sektoren på i dag, skal me òg organisere han på i framtida. Den same måten me byggjer store prosjekt på i dag, skal me òg byggje dei på i framtida. Eg meiner me må av dei feila me har gjort, og tenkje nytt. Derfor er ikkje OPS eller andre prosjekt ideologi for Kristeleg Folkeparti. Nei, me ser gjerne til fleirårig budsjettering, til lånefinansiering, offentleg eigde aksjeselskap eller statsføretak. Det meiner me alle kan vere sentrale element i fornyinga. Kristeleg Folkeparti vil gi samferdselsetatane same som private utbyggjarar til å gjennomføre prosjekt på ein effektiv måte, og det vil me gjere ved å gi Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket ei friare stilling. Så meiner Kristeleg Folkeparti at det må opprettast eit eige infrastrukturfond på 50 mrd. kr, der avkastinga blir brukt til investering i veg og bane, nettopp for å

i dei ni største byområda enn det det er i dag. Det krev omfattande investeringar. Derfor meiner Kristeleg Folkeparti at staten bør ta eit større økonomisk ansvar for utbygging og drift av kollektivtrafikk i storbyområda, bl.a. nye bane- og superbussløysingar. Me opprettar samtidig ein ny budsjettpost med støtte til bybanar og foreslår til dette totalt i planperioden. Representanten Bjørnflaten viste til NHO og kva NHO hadde sagt. Det verka nesten som om NHO no var den nye sensoren til denne regjeringa. Da må eg òg vise til kva NHO Logistikk og Transport seier: Dei er «dypt fortvilet over Nasjonal Transportplan som skal vedtas i Stortinget og deres marginale satsing på jernbane». Det seier næringspolitisk direktør, Erling Sæther. «Regjeringen har sagt at de vil legge til rette for dobling av gods på bane, men vi ser at det går i motsatt retning», seier den same Sæther. Derfor er det behov for betydeleg satsing på jernbane. Me ser òg den same utfordringa på fylkesvegane våre. Der er forfallet på mellom 45 og 75 mrd. kr, ifølgje dokumenterte rapportar. Regjeringa anslår det til 55 mrd. kr. Regjeringa kjem med løyvingar, men dei store løyvingane er først i slutten av perioden. Og dei fjernar altså rentekompensasjonsordninga, som har vore så god for fylka. Kva anna er viktig? Jo, meir gods på sjø. Dette kan bl.a. gjerast med meir effektivisering av hamneterminalane, betre infrastruktur til og frå hamnene og å redusere avgiftene og dei administrative byrdene. Samtidig vil eg gi regjeringa honnør for nærskipsstrategien som er lagd fram, og som det blir jobba med. Ei anna sak som har vore spesielt viktig for Eg er glad for dei tydelege signala regjeringa gir. Eg håpar me kan kome i gang tidleg med sluttplanarbeidet her, og gjerne med ein oppstart allereie i første delen av planperioden. Regjeringa seier dei vil redusere planleggingstida. Det behovet har Kristeleg Folkeparti sett lenge. Auka bruk av statleg reguleringsplan, men òg å andre konsulentar til detaljplanlegging og auka samordning av tiltak er nye tiltak som kan bidra til ei forbetring. Det er òg behov for å utarbeide betre trafikkprognosar som bl.a. fangar opp arealbruksverknaden, og der ein unngår underdimensjonering. Veldig mange av dei prosjekta me har vedtatt tidlegare, har me sett har blitt Så er det òg behov for betre nytte–kostnads-berekningar, slik at me får eit riktigare bilde av verkelegheita. Kristeleg Folkepartis alternative transportprioriteringar er fleire i denne planen. På InterCity ønskjer me ei full utbygging innan 2026, og me ber regjeringa leggje fram planar for dette. Me ønskjer at ny og Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må koplast saman. Som fleire talarar tidlegare i dag er me opptatt av Ringeriksbanen, og eg er glad for at det er ein samla komité som her er utolmodig. For E39 er det eit 20-årsperspektiv regjeringa legg opp til, men det er berre Rogfast som ligg inne i denne planen. Me meiner òg at prosjekt som Møreaksen og Hordfast bør me kunne sjå å få gjort noko med i løpet av dei neste ti åra. Barnas transportplan og sykkel vil eg kort avslutte med. Kristeleg Folkeparti foreslår ein auke på 7 mrd. kr i planperioden, nettopp fordi det ikkje er noko som er viktigare innanfor samferdsel enn å gjere noko med trafikksikkerheit. Derfor ønskjer me òg ei belønningsordning for gang- og sykkelvegar og trygge skulevegar på 250

Han karakteriserte NTP nå som «eit godt utgangspunkt», og har tidligere karakterisert samferdselsbudsjettene til regjeringen som slett ikke verst. Han har fridd til LO og sagt at regjeringen han selv var en del av, «gikk for langt i å myke opp arbeidsmiljøloven». Representanten har karakterisert Fremskrittspartiets alternative transportplan som «å tro på julenissen» – vel og bra, men Siv og Erna vil han gjerne ha! Og han sier at han vil ha mer helhetlig utbygging av samferdselsprosjekter. Til det siste: I Dagsrevyen den 29. mai i år sa Hareide at vi kan starte bygging av Fornebubanen nå. Senere har han presisert i sosiale medier at vi kan starte på Fornebulandet nå og bygge i Oslo om noen år når reguleringen er klar der. Mener representanten at en slik klattvis utbygging han da skisserer, er en god måte å bygge samferdselsprosjekter på? Det opposisjonen er veldig einig om i dag, er at me treng større satsingar på infrastruktur i Noreg dei neste

Så til Fornebubanen. Det er eit stort paradoks at me i 2013 diskuterer kva me skal gjere på Fornebu. Det burde me gjort for lang, lang tid sidan. Derfor er eg veldig utolmodig etter å kome i gang. Me veit at Bærum har kome veldig langt i sitt planarbeid. Derfor meiner eg at å kome i gang relativt hurtig med arbeidet frå Fornebu til Lysaker er veldig realistisk. Mens me gjer det,

Kristelig Folkeparti tar selv til orde for en økt satsing og bruker effektiviseringspenger som den største økonomiske påplussingen i NTP. Det ramses opp en rekke prosjekter, en smørbrødliste som er kjempelang og langt over det regjeringen foreslår. Men Kristelig Folkeparti har ikke satt av fem øre til de selskapene som skal stå for økt effektivitet, så langt. Med andre ord: Ingen effektivisering

gjer gode analysar. Det eg derimot har sagt, er at skal me gjere ei ansvarlig økonomisk prioritering, trur eg ikkje at dei tala som Framstegspartiet har lagt fram, er realistiske. Dei er ikkje dei same som SSB sine tal. Dette går på korleis me skal få heilskap innanfor dei økonomiske rammene me har, og det går òg på at me bruker mange oljepengar inn i vår økonomi. Det eg meiner er utfordringa, derimot, som også har kome fram tidlegare i dag,

kan få en blåmandag hvis vi får en blå-blå regjering. Kan Kristelig Folkeparti stå inne for en politikk som ikke ivaretar hele landet? Nei, det kan me sjølvsagt ikkje. Derfor er òg ei av dei store satsingane me har lagt opp til her, på fylkesvegane. Her er det stort forfall,

Dersom det blir eit skifte, er eg ikkje bekymra for Distrikt-Noreg når det gjeld infrastruktur, fordi det er fire parti som vil gjere meir på infrastruktur enn det den sitjande regjeringa ønskjer. Eg trur òg at den fornyinga me legg opp til, vil bidra til at me får meir igjen for pengane me set inn i infrastruktur. Replikkordskiftet er omme. Venstre sitter dessverre ikke i transport- og

Det ene er handlingsregelen, som sier at en større andel av avkastningen skal investeres i infrastruktur og samferdsel. Det andre er klimaforlikets mål om reduksjon i norske utslipp, og at trafikkveksten i og rundt de store byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. I mitt innlegg vil jeg konsentrere meg om tre områder innenfor samferdsel: tog, kollektiv og vei. Venstre øker overføringene til transport i sin transportplan, for å sikre en moderne jernbane og fremtidsrettede kollektivsystemer. Venstre foreslår å øke rammen med 25 mrd. kr i løpet av planperioden. Penger er viktig, men det er ikke alt. Det er også en politisk oppgave å få mer ut av pengene og gi et bedre tilbud til folk og næringsliv. Derfor vil vi modernisere og finne nye løsninger på planlegging, organisering og struktur innen samferdsel. Når mange prosjekter bygges ut etappevis og delvis, øker også kostnadene. Ofte er det billigere å gjøre nødvendige investeringer på kortere tid, med alternative finansieringsløsninger. Derfor foreslår Venstre ulike prosjektorganisasjoner for vei og jernbane, der det er behov for en samordnet utbygging og en raskere fremdrift. Venstre begrenser seg til enkeltprosjekter når det gjelder prosjektfinansiering. Det er viktig for å kunne nedbetale kostnadene i ettertid. Det må være mulig med større investeringer også i fremtiden. Vi ønsker også å redusere planleggingstiden. I dag er den gjennomsnittlige planleggingstiden for samferdselsprosjekter nesten ti år. Venstre mener det må være et mål å halvere tidsbruken for planlegging av samferdselsprosjekter, uten at det går på bekostning av demokratiske prosesser.

Bare i Oslo og Akershus er det ventet 450 000 nye borgere. For å møte trafikkveksten dette vil medføre, er det behov for investeringer i samferdsel. Det er ikke nok ledig areal til å bygge ut veinettet i byene for å ta imot trafikkveksten. Den må tas med kollektivtrafikk. Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. reise fra Oslo til Hamar, Tønsberg eller Halden. Moderne dobbeltspor til byene i Vestfold, Østfold og på østsiden av Mjøsa vil forstørre hovedstadsregionen og i praksis skape en

Det er ikke å utnytte mulighetene og ta transportutfordringene på Østlandet og mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Göteborg, Oslo og København, Oslo og Kristiansand og Oslo og Stavanger på alvor. Vi foreslår at InterCity skal bygges fra Oslo og helt ut til endestasjonene i triangelet. Vi vil følge Jernbaneverkets anbefalte byggetid, slik at triangelet står ferdig i 2025. InterCity-utbyggingen må være starten på et høyhastighets jernbanenett mellom de store byene

vedlikehold og oppgradering og ikke minst en troverdig plan for fjernstrekningene mellom de store byene. Venstre var togpartiet i forrige regjering, og Venstre skal bli togpartiet i neste regjering. Det kommer det ikke til å være noen tvil om etter behandlingen av NTP i For at flest mulig skal kunne reise kollektivt, må kommuner, fylker og stat spille på lag, slik at nye boligområder, butikker og arbeidsplasser plasseres nær kollektivknutepunkter og stasjoner. Staten og regjeringen må bli en medspiller for å løse dette, ikke være en bremsekloss og i enkelte tilfeller en direkte motstander i disse spørsmålene. disse spørsmålene. Det er stor befolkningsvekst i og rundt de store byene. Det krever store investeringer for å sørge for miljøvennlig transport. Venstre sørger for at store infrastrukturinvesteringer i storbyene skal få 50 pst. statlige bidrag. Venstre vil gi økonomisk belønning til byer og fylker som når sine miljømål, og gir dem stor frihet til å ta i bruk virkemidler som sikrer at målene nås. Vi skal ha en holdning til hva vi er for: Rogaland, Bybanen i Bergen, T-banen i Oslo og en omfattende sykkelsatsing. Alt i alt foreslår Venstre å bruke 15 mrd. kr mer enn regjeringen på kollektivtrafikk – i tillegg til togsatsingen – de kommende årene. Men de skal få ytterligere drahjelp: Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å innføre skattefritak på arbeidsgiverfinansiert månedskort. Det vil gi ytterligere incentiver til at flere skal benytte seg av miljøvennlig transport til byene. Vi må ha gode veier der vi ikke har tog. Venstre ønsker trygge og sikre veier som fører folk hjem og varene til markedet. Særlig viktig for Venstre er fergefri E39, utbedring av E10 for økt verdiskaping i Lofoten og Vesterålen, og utbedring av E6 nord for Trondheim. Fergefri E39 er helt avgjørende for økt verdiskaping i vekstfylkene på vestlandskysten. Det må legges til rette for best mulig utnyttelse av midlene og utbyggingen. Ved forvaltningsreformen i 2010 overtok fylkeskommunene som kjent en betydelig del av veinettet i Norge, slik at fylkeskommunen nå er den største veieieren. En kartlegging som Statens vegvesen vegvesen har gjort i samråd med fylkeskommunene, viser, som mange har vært inne på her i dag, at de trenger mer penger i fylkene. Avslutningsvis vil jeg ta opp Venstres forslag i innstillingen og varsle at vi kommer til å stemme for ca. 50 forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i innstillingen. Det vil ta altfor lang tid å nevne alle,

På den måten er Venstres transportplan ikke bare et alternativ til regjeringas transportplan, men også et alternativ til de partiene som ikke forholder seg til en seriøs økonomisk ramme for transportpolitikken. Venstres definisjon av en seriøs økonomisk ramme er altså ifølge deres plan de fem OPS-prosjektene som Venstre vil gjennomføre. Dette står i sterk kontrast til Høyre, som har en liste på 17 OPS-prosjekt. Da er mitt spørsmål til representanten Tenden: Kan Venstre si noe mer om hva de mener vil være konsekvensen av Høyres politikk med 17 OPS-prosjekt? Jeg forholder meg til Venstres politikk og Venstres alternative transportplan. Det er riktig – og jeg er veldig glad for at representanten har fulgt med på vil ha flere OPS-prosjekt fremover. På sikt sikkert flere, men vi er veldig opptatt av at vi skal ha en ansvarlig økonomisk politikk. Så er det veldig mye å gå på når det gjelder modernisering, effektivisering og det å bygge raskere. Man kan gjerne også utrede at man finansierer større prosjekt, og

over 50 mrd. kr på jernbane de neste ti årene for å bygge ut full InterCity innen 2025. Kan ikke Venstre heller være ærlig og fortelle at de skal bruke det det koster å bygge ut full InterCity, og da holder ikke 25 mrd. kr eller 16 mrd. kr, som Venstre har satt av i sitt forslag til alternativ NTP. Kan de ikke heller være med, og så får vi fullfinansiert full InterCity innen 2025? Vi vil i hvert fall være med på det og håper at Venstre også vil det, og så får vi utvide denne rammen for å sørge for å gjennomføre. Og SSB har sagt at det er fullt ut forsvarlig å gjøre det. InterCity er veldig viktig for Venstre, og vi vil, som jeg sa fra talerstolen, bygge det innen 2025. Det har Jernbaneverket sagt er mulig. mulig. Så er vi opptatt av handlingsregelen i Venstre. Vi er veldig opptatt av å drive en ansvarlig økonomisk politikk, som jeg også sa i mitt forrige replikksvar. Vi har også tro på den obligasjonsmodellen vi har lansert. Det betyr at InterCity blir organisert i et eget investeringsprosjekt. Det er faktisk mange som har lyst til å gå inn og bruke penger på et sånt prosjekt, det er faktisk det.

pengar. Mitt spørsmål er retta mot OPS. Nokon kallar det for Offentleg Privat Sløsing å halda på med OPS, for det betyr at mange milliardar kroner vil gå frå skattebetalarane til folk som låner ut pengar til desse OPS-prosjekta – altså på sett og vis ei sløsing med skattebetalarane sine pengar, når ein lèt pengane gå dit i staden for å gå

ved å tenke nytt, noe som mangler totalt i denne regjeringen. Et eksempel er Gjøvikbanen, som oppnådde en renessanse, med flere avganger og stivere tider. Dette vil Venstre fortsette med når vi kommer i regjering: å tenke nytt, å modernisere og å effektivisere.

InterCity vil bli bygd ut, og norsk luftfart vil videreutvikles slik at den opprettholder sin gode posisjon. Politikk handler ikke om å love mest, eller om å bruke de største ordene, men om å gjennomføre det man lover. I 2005 samlet den rød-grønne opposisjonen seg og foreslo 22 mrd. mer til samferdsel enn det Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslo. Dette ble av Bondevik-regjeringen karakterisert som et

De økonomiske rammene for transportplanen økes med 50 pst. i forhold til bevilgningene i 2013, og vi tar strukturelle grep som skal sikre at vi får mer igjen for hver samferdselskrone. Transportsystemet vil bli enklere fordi vi vil forenkle planprosesser og sikre en rasjonell gjennomføring. Det vil bli raskere fordi store utbygginger og satsing på drift og vedlikehold vil gi store reisetidsgevinster. Og det vil bli sikrere fordi vi vil fortsette innsatsen på trafikksikkerhet. Her ønsker vi fortsatt å ligge langt framme. Innstillingen som behandles i dag, viser at det er bred oppslutning om de langsiktige målene for norsk transportpolitikk: framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Heller ikke når det gjelder de samlede økonomiske rammene, er det vesentlig uenighet. Den største uenigheten når det gjelder finansiering av samferdsel, går ikke mellom regjering og opposisjon, men den går mellom opposisjonspartiene. Regjeringen er opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene i samferdselssektoren. Jeg er glad for at Stortinget i dag slutter seg til en ny og forutsigbar måte å finansiere store En sikker finansiering fra dag én vil bety rasjonell framdrift, raskere ferdigstilling og sparte penger. Denne transportplanen definerer i langt større grad hvilke transportoppgaver ulike transportformer skal løse. Vi er avhengig av både luftfart, sjøtransport, veg og jernbane i dette landet. Og transportformene må virke sammen. Veg vil være bærebjelken i transportarbeidet i store deler av landet, på samme måte som kollektivtransport vil være den beste måte å håndtere veksten i byområdene på. Jernbanen må først bygges ut der jernbanen har sitt største potensial. Når planen er gjennomført, vil jernbanen gjøre det langt enklere å pendle over større avstander og på den måten bidra til å redusere pressproblemer i byene. Det er ingen motsetning mellom by og bygd. Den jernbanesatsingen det legges opp til, er viktig for å avlaste byene, men også viktig for videre vekst i distriktene. Luftfarten vil framover være helt sentral på de lengste reisene. Det Norge vi ser i dag, med bosetting og næringsliv i hele landet, er avhengig av en finmasket lufthavnstruktur. En ny transportplan sikrer det. Det er meget ambisiøst når Stortinget i dag vedtar at veksten skal tas med kollektivtransport, med sykkel og gange. Denne målsettingen, og de nye bymiljøavtalene som etter hvert skal forhandles fram mellom de store byene og staten, kommer til å endre byområdene. Transportplanen legger opp til at veginvesteringene skal økes med 77 pst. fra nivået i 2013. 280 km riksveg skal bygges i tiårsperioden. Av det skal 780 km bygges som møtefri vei. Det betyr at antall kilometer møtefri vei vil bli doblet i perioden. Bompengene vil ligge om lag på dagens nivå de neste ti årene. Derimot vil de statlige bevilgningene til veiinvesteringer øke. vil altså falle kraftig de neste ti årene. Jernbaneinvesteringene skal økes med 51 pst. fra nivået i 2013. Vi har ofte i samferdselsdebatten en tendens til å peke på forventningene framover, og så dobler partiene forventningene. Men jeg tror også det er viktig å ta med seg at det har vært en formidabel satsing på jernbane de siste åtte årene.

Det legges opp til å øke det årlige nivået på midler til drift og vedlikehold på veg med nærmere 18 pst. sammenliknet med nivået i 2013. Dermed vil forfallet for første gang i planperioden bli redusert. For jernbanen legges det opp til et nivå på drift og vedlikehold som er nærmere 46 pst. høyere enn i 2013. Det betyr at antall timer som tog vil være forsinket, vil bli kraftig redusert, og antallet innstilte tog vil også bli sterkt redusert. Trafikksikkerheten er en viktig del av Nasjonal transportplan, og det brede og systematiske arbeidet man har gjennomført de siste årene for å redusere ulykkesrisikoen, skal fortsette. Siden 2005 er ulykkesrisikoen redusert med 30 pst. Det ambisiøse målet i planperioden er å halvere antallet drepte og skadde i

bygging. Store deler av InterCity er allerede under utbygging. Punktligheten på jernbanen er betydelig bedret. Ni av ti tog er nå i rute. Klimautslippene fra transportsektoren øker ikke, på tross av kraftig trafikkvekst. Den transportplanen som vedtas i dag, kommer til å endre Norge. Den kommer til å bidra til et raskere, enklere og sikrere transportsystem, den kommer til å legge grunnlaget for en framtidsrettet samferdselspolitikk, der behov over hele landet blir ivaretatt. Alle transportbehov som vi har i Norge, blir ikke dekket gjennom denne tiårsplanen, men den viser – bokstavelig talt – veien til et enklere, sikrere og raskere

vedtatt i Stortinget. Regjeringen skryter av mer sammenhengende prosjekter. Jeg ble veldig glad da jeg så det. Dessverre ble skuffelsen desto større da vi så resultatene. Det er bra, og jeg er kjempeglad for at vi skal få bygd ut E18 i hjemkommunen min – Bamble–Rugtvedt–Dørdal – men de neste ti årene skal man ikke gjøre noe på hver side av den veien man bygger ut. Man skal bygge 17–18 km, og så skal man – hvis den planen regjeringen har vedtatt, blir gjennomført – ikke fortsette på hver side de neste ti hvis den planen regjeringen har vedtatt, blir gjennomført – ikke fortsette på hver side de neste ti årene. Sånn kan man gå fra landsdel til landsdel, fra prosjekt til prosjekt. Det er ikke den gjennomføringen og helhetlige utbyggingen som statsråden lovet da NTP ble lagt fram. Det er hyggelig at representanten erkjenner at rammene i Nasjonal transportplan er oppfylt. Det er svært viktig, for det har ikke skjedd tidligere før denne regjeringen kom til regjeringsbordet. Jeg er enig i at det kan være ulike årsaker til at enkelte prosjekter kan ha blitt forsinket, bl.a. kan det ha vært på grunn av planavklaringer eller andre ting, men de prosjektene er jo også underveis. Så er jeg ikke enig med representanten i at det ikke satses på sammenhengende utbygging. Tvert imot mener jeg at denne transportplanen viser en rekke eksempler på at det kommer til å skje i årene framover. La meg nevne to av prosjektene: Ett er allerede under bygging, nemlig fellesprosjektet langs Mjøsa, med bygging av jernbane og vei – E6. Det andre store som snart er på beddingen, og som kommer til å bli viktig, er E6 i Helgeland – også en stor og sammenhengende utbygging.
Neste replikant er også representanten
På komiteens mange reiser, ikke minst på høringen om NTP, var det ett tema som gikk igjen blant mange: manglende veivedlikehold, spesielt vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene. Særlig fylkeskommunene sier klart ifra om at dette klarer de ikke alene. Regjeringen har tydeligvis skjønt at en regning på 75 mrd. kr er tung å ta for er at forfallet reduseres i løpet av tiårsperioden. Staten gir mer penger, men fjerner ordningen med rentefrie lån. For mange fylker betyr det omtrent null i nettovirkning. Hvor mange år mener regjeringen at brukerne av fylkesveinettet skal vente på at vedlikeholdsetterslepet blir fjernet, og hvorfor er tildelingen de nye midlene via rammene til fylkeskommunene bare 25 pst. de første fire årene av tiårsperioden? Mange lurer spesielt på hvorfor man – når behovet er så stort – skal få minst i starten. Jeg er veldig enig i at drift og vedlikehold er viktige tema knyttet til enhver Nasjonal transportplan som blir lagt fram. Det har det også vært På dette området er det – som jeg viste til i mitt innlegg – en stor økning, både på jernbane og på vei. Så sa jeg i slutten av innlegget mitt at en ikke kommer til å løse alle vedlikeholdsbehovene i løpet av denne tiårsperioden. Men denne planen blir den første der en faktisk har mulighet til å redusere forfallet på veiene – det har en ikke hatt tidligere – og det kommer av den sterke og stødige satsingen på drift og vedlikehold som regjeringen nå har hatt over flere år, på vei og ikke minst på jernbane. Der har vi brukt langt mer enn det som lå i rammene i transportplanen for 2010–2019. I går hadde jeg den utsøkte glede å få være med på en førpremiere, nemlig å kjøre gjennom den nye tunnelen mellom Sokna og Ørgenvika, som skal åpne neste år. år. Det er et prosjekt jeg har jobbet med, også i Buskerud, siden midten av 1980-tallet, da statsråden og jeg holdt på i hver vår politiske ungdomsorganisasjon – noe som dessverre er nesten 30 år siden. Det tar fryktelig lang tid å planlegge en vei eller en jernbanestrekning i Norge, og statsråden selv svarer til Stortinget – og skriver også i NTP – at en bør halvere Hvilke konkrete grep vil statsråden ta – jeg ser at statsråden nå også er opptatt av at byråkratiet har vokst innenfor Vegvesenet og jernbanen, og vil gjøre noe med det, og det er jo flott etter åtte år å få den erkjennelsen – for å halvere en normal plantid fra ti til fem år? Jeg tror det er en rekke tiltak som kan gjøres for å få mer igjen for hver samferdselskrone

og også at en hadde kommet med korrekte opplysninger når det gjelder f.eks. hvilke jernbaneprosjekter som i framtiden kommer til å bli behandlet i Stortinget. Det er ikke de ned til 50 mill. kr, det er de over 500 mill. kr. Eg er einig i at det er behov for setje tidsfristar, men det er jo ei stor utfordring at me altså kunne ha spart 30 pst. av kostnadene

Der foreslår regjeringa 650 mill. kr i mellombelse tiltak på ei strekning der me veit at ein ny trasé er berekna til 1,5 mrd. kr. Då er mitt spørsmål: Ser ikkje statsråden behov for ei større fornying, og at ein òg må ta strukturelle grep?

at opposisjonen heller bør konsentrere seg om hvordan de skal hogge over den vanskelige gordiske knuten de har seg imellom når det gjelder hvordan en skal finansiere det som skal skje i samferdselssektoren i årene framover, for de er fundamentalt uenige. Det betyr at regjeringen og regjeringspartiene har lagt fram sitt alternativ, men når det gjelder opposisjonspartiene, vet vi veldig lite om hvilket alternativ de faktisk vil gjennomføre, og hvordan de skal finansiere det alternativet

Det er iallfall informasjon jeg sitter på. Så jeg har to spørsmål til statsråden – først: Er statsråden enig i at InterCity kan realiseres innen 2025 dersom man prioriterer det? Og spørsmål to: Foreligger det penger i Jernbaneverket til planlegging av Ringeriksbanen, slik SVs Hallgeir H. Langeland sier i dag på radioen? Jeg er nødt til å si

Så kommer vi jo tilbake til det faktum at det er en gordisk knute som skal kappes over mellom opposisjonspartiene når det gjelder finansiering. Det må bli smertefullt. Jeg vet ikke hvem det blir mest smertefullt for, men velgerne får ikke vite det før valget. Tvert imot

senere i dag – eventuelt i morgen. Det er ingen selvfølge at regjeringer overoppfyller sine egne samferdselsløfter, og det er det noen her i salen som vet litt om. Høyre la listen lavt mellom 2001 og 2005 – og reiv. Vi har lagt listen vesentlig høyre, og så høyere, og så høyere, og som en Sotomayor kommer vi oss over med god margin. Så har man Fremskrittspartiet, Så har man Fremskrittspartiet, som i denne konkurransen legger listen så høyt at de ikke engang kommer til å nå opp til den. Dødt blir det likevel. Så skal jeg være den første til å innrømme at vi har store uløste oppgaver. Vi har et behov for både nye og bedre veier. Jernbanen har et stort behov for modernisering og storstilt utbygging. Men vi er i gang. Alt skjer ikke i morgen, til neste år, eller de neste ti men det bygges og vedlikeholdes mer enn på svært lenge. Det tenkes nytt, mer helhetlig, mer sammenhengende, mer forutsigbart og mer effektivt. Høyre snakker om nye og moderne løsninger, mener OPS og skyver regningen over på framtidens skattebetalere og bilister. Arbeiderpartiet leverer nye og moderne løsninger og tar regningen selv i spleiselag med dagens bilister. Store utbygginger som vil forandre Norge, står foran oss, og mindre tiltak, som betyr mye for dem det gjelder – næringsliv og folk. Med den gjeldende transportplanen kom jernbanen fram fra skyggen igjen. Etter å ha vært oversett og forsømt i mange år, er det nå vilje til å satse på toget som transportmiddel igjen. Jernbanen på sitt beste har den egenskapen at den flytter store mengder mennesker og gods på en effektiv, sikker, miljøvennlig og arealeffektiv måte. Norsk jernbane lever ikke opp til sitt beste nå, men det er i ferd med å snu. Togene er mer i rute, og det er færre innstillinger nå enn det var for kun få år siden. Antallet kilometer med nytt dobbeltspor øker, antallet passasjerer går opp, nye moderne togsett ruller inn på sporene hver tredje uke. Det er en ny vår for jernbanen, om få år slår den ut i full blomst. Arbeiderpartiet er i gang med dobbeltsporutbyggingen i intercitytriangelet. I denne nasjonale transportplanen setter vi årstall for når vi vil være ferdig. I 2026 legger vi opp til dobbeltspor mellom Hamar, Tønsberg og Fredrikstad. Målet er full intercityutbygging i 2030. Det vil si, målet er ikke dobbeltspor, men det er hva dobbeltsporet bidrar med – av redusert reisetid, mer kapasitet, reduserte transportkostnader. Byene og stedene langs strekningene vokser. Vi trenger en jernbane som kan få folk trygt og effektivt fram, og som legger til rette for et annet bo- og arbeidsmarked som avlaster de mest sentrale områdene. Ikke minst er intercity viktig for godstransporten. Jeg ser at flere av opposisjonspartiene mener det går for tregt tregt med oss. Men deres alternative transportplaner er ikke i nærheten av å stille opp med det som trengs for å nå sine egne tidfestinger. Høyres tidfesting av InterCity er for øvrig lik vår. Det kommer jeg tilbake til i et senere innlegg. Jernbanen er spesielt viktig på Østlandet Men også i andre deler av landet vil det skje store ting for jernbanen: elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, ny tunnel under Ulriken og dobbeltspor Vossebanen skal gis et løft. Alnabruterminalen skal moderniseres og utvikles. Det skal på plass tiltak som gjør det mulig med flere og lengre tog på Ofotbanen. Det legges opp til kapasitetsøkende tiltak som krysningsspor på en rekke andre banestrekninger. Flere milliarder skal brukes på det nye felleseuropeiske signalsystemet. Som grunnlag for neste NTP om fire år vil vi ha fortgang i planleggingen av Ringeriksbanen, vi vil planlegge en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Utredning av dobbeltspor mellom Stavanger og Egersund betyr mye i en del av landet som vokser enormt. Dette er en nasjonal transportplan – også for jernbanen. Ikke minst legges det opp til vesentlig mer vedlikehold og fornyelse av den banen vi allerede har. Det hjelper fint lite med nye spor når de vi har, ikke blir skikkelig tatt vare på. Dette er kanskje det området som har vært mest forsømt de siste tiårene. Det har skjedd et løft, og det vil løftes videre i årene som kommer. Og vi må få mer gods på bane. I transportplanen foreslås en rekke tiltak som vil kunne øke godsvolumene på bane med opp til 50 pst. Det har vært utfordringer siden finanskrisen ga det en «dip», og jernbanen har slitt med å være pålitelig. Tiltak som kan øke volumene opp mot er ambisiøst på vegne av gods på bane, men så ambisiøse er vi nødt til å være. Og vi ser sammenhengen mellom bane, vei og sjø. Ser vi på de oppgavene vi har gitt Jernbaneverket de siste årene – og som vil bli enda flere i årene som kommer – og den økte togtrafikken, er det rart at noen i det hele tatt spør hvorfor det er behov for nye ansatte. Jeg mener det er et sterkt signal om satsing og framtidstro når Jernbaneverket har tatt inn nesten 150 lærlinger de siste årene. Det tenkes nytt, større og mer helhetlig nå enn før. Høyrefolk på jernbaneseminar fikk i vinter høre fra Jernbaneverket hvordan de har fornyet sektoren de siste årene. NHO applauderte entusiastisk, ikke bare for den NTP-en regjeringen la fram, men for det de fikk høre om fornyelsen i sektoren. Jernbanen går en lys tid i møte med fortsatt rød-grønn regjering. I forlengelsen av dette er jeg spesielt stolt av de grepene Arbeiderpartiet og regjeringen gjør for å møte transportutfordringene i byområdene, og for å sikre en mer klimavennlig transport. Kollektivtrafikken er et fylkeskommunalt ansvar. Arbeiderpartiets landsmøte sa for to år siden at staten må bidra mer til kollektivløsninger i byene. Det legger transportplanen opp til, med mye midler, men også med en helhetlig tanke bak. I klimaforliket sies at veksten i persontransport i byområdene skal tas ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange. Det skal inngås forpliktende avtaler mellom byene/fylkene og staten om hvordan man skal få det til. Staten stiller opp med midler. Det virker til å være relativt stor enighet om dette på Stortinget, men jeg lar meg bekymre når Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier til Budstikka 25. april i år: «Dessuten stiller vi ikke krav om forhandlinger før pengene tildeles, slik regjeringen legger opp til med sine bypakker.» Dette vil i så fall være et brudd med klimaforliket, og stikk i strid med hva NHO Transport innstendig ber oss om. De er helt tydelige på at det må inngås avtaler med byområdene, slik at man både nasjonalt og lokalt forplikter seg. Bare penger til kollektivtransport, og ingen forventninger om redusert bilbruk, gir ikke den effekten man ønsker å ha. Arbeiderpartiet og regjeringen vil bidra med statlige midler til kollektivløsninger; til fornebubane, ny ahusbane og hvis det er det Oslo og Akershus ønsker – og til bybane i Bergen, Busway i Trondheim og høykvalitets kollektivløsning på Nord-Jæren. Vi legger oss ikke opp i tiltak, men i byområdene må legge opp til en politikk som sørger for at veksten skjer kollektivt, og ikke med bil. Vi ser samtidig at det er kollektivutfordringer, også utenfor de fire store byene, som gjør at staten Det er en ny og framtidsrettet transportplanlegging å inkludere kollektivtrafikk på denne måten. Det vil sørge for mindre kø og kaos, og en mer effektiv og miljøvennlig transport i byområdene. Transportplanen viser at engasjementet næringsliv og folk landet rundt har vist for bedre transportløsninger, gir resultater. Det er mange som kan gratulere hverandre med dagen i dag.

for mer rassikring, for mer trafikksikring, og for langt mer til kollektivsystem i byene. Klokelig snakker regjeringen minst mulig om behovet – forståelig nok derfor også lite om effekten av planen etter de neste ti år i forhold til nettopp behovet. Effekten er liten, dessverre, fordi behovet for investering og oppgradering av infrastruktur innenfor samferdsel er så omfattende. Rådgivende Ingeniørers Forening har sammenlignet 2023-standard med 2013-standard basert på regjeringens forslag til NTP. Det gir et uttrykk for hva man oppnår etter å ha gjennomført en plan på ti år. Effekten er i hovedsak uendret. På veinettet er resultatet innenfor områdene fremkommelighet, sikkerhet, klima, miljø og universell utforming uendret. Med regjeringens plan vil det fortsatt ta 50–70 år å skaffe Norge sikre og miljøvennlige veier og et moderne jernbanenett. Fremskrittspartiet er utålmodig. Fremskrittspartiet mener, som folk flest, at Norge bør bygge bedre veier og ny jernbane langt raskere enn det regjeringen legger opp til. Fremskrittspartiet mener, som folk flest, at Norge som søkkrik oljenasjon oljenasjon bør bruke mulighetene og bygge landet – bygge effektive, sikre og miljøvennlige veier og moderne jernbane med statlig finansiering, penger fra overskuddene som norsk olje og gass gir Norge på årlige statsbudsjetter. Fremskrittspartiet mener, som folk flest, at raskere utbygging av veier og jernbane kan skje uten bompengefinansiering, og uten at fremtidige pensjoner trues og norsk økonomi ødelegges. Fremskrittspartiets alternative forslag øker rammene foreslått av regjeringen med 455 mrd. kr. Det betyr 45,5 mrd. kr mer hvert år i perioden. Det er i tråd med vurderinger foretatt av Statistisk sentralbyrå, som bekrefter at dette tåler norsk økonomi svært godt. Norge er et søkkrikt land. Vi har en økonomisk mulighet de fleste land misunner oss, men samtidig et umoderne vei- og jernbanenett som andre land ikke skjønner at Norge som et søkkrikt land aksepterer. Fremskrittspartiet mener vi må bruke muligheten til å bygge landet. Fremskrittspartiet mener det er bedre å investere fellesskapets penger i veier og jernbane i Norge enn i handlegater i utlandet. De to store prosjektene i planen, intercitysatsingen på Østlandet og ferjefri E39 langs Vestlandskysten, vil Fremskrittspartiet finansiere utenfor statsbudsjettet gjennom prosjektorganisering og avklart prosjektfinansiering, slik det ble gjort da Gardermoen og Flytoget ble bygget. InterCity og ferjefri E39 er langt større prosjekter enn dette – og langt viktigere for nasjonen. Derfor må vi igjen velge en slik løsning vi med godt resultat har valgt og brukt før. Fremskrittspartiet vil bygge for fremtidige generasjoner og tar på den måten generasjonsansvaret på alvor. I stedet for å utsette og forsinke bygging av moderne infrastruktur – slik regjeringen gjør – vil Fremskrittspartiet gjennom hurtigere utbygging og opprustning styrke norsk konkurransekraft for å sikre inntjening og Fremskrittspartiet vil at staten skal dekke regningen og avviser mer bompengefinansiering. Det er unødvendig at bilistene skal betale regningen to ganger. I dag innbetaler bilistene årlig 55 mrd. kr i skatt og avgifter knyttet til bil, og bare ca. 18 mrd. kr av den summen brukes til vei. Med store forventede overskudd på statsbudsjettet har Norge råd til å bygge landet uten at – som jeg har sagt før – fremtidige pensjonspenger forsvinner, og uten at landets økonomi settes over styr. Fremskrittspartiet er enig med regjeringen i at Norge har store utfordringer knyttet til transportsystemene i byene, spesielt de fire største. Fremskrittspartiet mener kollektivtilbudet i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim må styrkes, og vi mener staten har et særlig ansvar for dette, spesielt når det gjelder finansieringsansvar gjennom opplegg som gir avklart og langsiktig finansiering. Fremskrittspartiet mener at videreføringen av den såkalte belønningsordningen og lanseringen av såkalte bymiljøpakker ikke gir slik avklaring og langsiktighet. Tvert imot virker det uklart hvordan belønningsordningen og bymiljøpakker skal samvirke, og hvordan bymiljøpakkene er tenkt innrettet. Dette kom også frem under transportkomiteens høring om ny Nasjonal transportplan. Fremskrittspartiet foreslår å endre og presisere begge tiltakene: Vi tar bort pisken og krav om transportbegrensende tiltak for persontransport utført per bil. Vi belønner, støtter og finansierer gode kollektivtiltak samt investeringer i infrastruktur og utstyr som understøtter et bedre kollektivtilbud, og som gir en økning i kollektivandelen. I tillegg foreslår Fremskrittspartiet nye tiltak. kollektivpakke på 10 mrd. kr, en bypakke på 5 mrd. kr, og en storbypakke på 13 mrd. kr, der halvparten brukes til kjøp av transport. Dette kommer i tillegg til regjeringens belønningsordning på vel 9 mrd. kr og bymiljøpakken på nesten 17 mrd. kr. Der ligger det altså ca. 26 mrd. kr i planen. I tillegg til dette vil Fremskrittspartiet bruke ytterligere

Bergen, Stavanger og Trondheim. Disse byene, grunnet et begrenset jernbanenett, får en liten del av de årlige bevilgningene over statsbudsjettets kap. 1351, som gjelder statens kjøp av persontransport med tog. Denne årlige budsjettposten er ikke en del av Nasjonal transportplan. Det er egentlig uforståelig med tanke på at den bevilgningen i år utgjør nesten 3 mrd. kr. Av dette går 1,7 mrd. kr til nærtrafikk rundt de fire største byene, byene, og Oslo får nesten 1,4 mrd. kr av denne summen. Denne skjevheten vil Fremskrittspartiet endre på, ikke ved å kutte i kjøp av togtransport – som regjeringspartiene i innstillingen fortsatt ser ut til å tro – men gjennom fordelingen av Fremskrittspartiets nye storbypakke og gjennom ny innretning på regjeringens kollektivpakker. Jeg viser til Fremskrittspartiets merknader om dette i innstillingen i kapittel

For fornyelse i samferdselspolitikken trengs det samme: et sterkt fremskrittsparti i en ny regjering etter valget i 2013. Høyre ser en sektor som er

Planleggingstiden for nye prosjekter bør halveres. Etter åtte år ser det ut som om kanskje også regjeringen kan komme på sporet av dette. En helhetlig planlegging av lengre strekninger, bedre beregninger av den reelle verdien av samferdselsprosjektene for hele samfunnet og mindre politisk detaljstyring vil være med på å effektivisere jernbane og andre kollektivtilbud og gjøre kvaliteten på beslutningene bedre. Høyre vil ha en jernbane på skinner som skinner. Jernbanen er preget av en monopolkultur, hvor gamle løsninger gir dårlig styring og mangelfull kapasitet. Resultatet av dette er stadige forsinkelser, forsinkede og dyre prosjekter, overfylte tog og en synkende godsandel. Det går altså feil vei. Bondevik II-regjeringen etterlot seg en jernbane på bedringens vei. Punktligheten økte fra 70 pst. til over 90 pst. i omstillingen av Jernbaneverket var underveis, og bransjen forberedte seg på en konkurranseutsetting av vedlikeholdsoppgaver som ville gjøre Jernbaneverket sterkere i bestillerrollen, mer moderne og med et mer tydelig brukerfokus. Bevilgningene til jernbanetiltak har økt med hele 68 pst., men det har ikke bedret driftsstabiliteten og avviklingen av togtrafikken. Om lag 70 pst. av investeringsprosjektene er ikke igangsatt som planlagt, 60 pst. er ferdigstilt senere enn planlagt. Flertallet av disse investeringsprosjektene har også blitt betydelig dyrere – fra 35 pst. til 54 pst. – enn det som var opprinnelig anslått. Det blir bare forbokstaven å etterspørre behovet for nytenkning på dette området. Forfallet er stort, og etterslepet på jernbanen er estimert til hele 200 Også her trengs det nye ideer og bedre løsninger. Høyre vil ha en fristilt og effektiv jernbaneorganisasjon. Vi ønsker å modernisere Jernbaneverket til et profesjonelt byggherreselskap med toglederfunksjon. Noe av problemet i dag er at vi har en manglende forutsigbarhet i finansieringen av jernbaneutbygginger. Høyre vil omdanne Jernbaneverket til et eget selskap. selskap. Det vil gi dem mulighet for å ta opp lån og selv kunne styre mer av sine prioriteringer innenfor de overordnede retningslinjene. Selskapet skal styre utviklingen og driften av jernbanens infrastruktur, og Stortinget skal forholde seg til og vedta overordnede retningslinjer, men ikke detaljstyre prioriteringene. Høyre mener selskapet skal overta eierskap og Høyre mener selskapet skal overta eierskap og administrasjon av stasjonsbygninger og stasjonsområder. Det vil gi mulighet for utvikling. Jernbaneverket vil slik få inntekter som de også kan bruke til investeringer i jernbanenettet, slik Avinor har det med flyplassene. Høyres mål er økt lønnsomhet i togdriften. Samtidig er det viktig at Jernbaneverket yter effektiv service til alle togoperatører. For at operatørene ikke skal bli skadelidende ved forsinkelser og feil som skyldes Jernbaneverket, er Høyre opptatt av at det trengs en nøyere vurdering av det som ligger i incentivene og incentivstrukturen. Vi mener at kjøreveisavgiften er en av modellene som bør vurderes. I tillegg mener vi at selve utførelsen av vedlikeholdsoppgavene i størst mulig grad skal utføres av private bedrifter i et marked med fri konkurranse. Jernbaneverket skal selv utføre minst mulig drifts- og vedlikeholdsarbeid, begrenset til de oppgavene som er nødvendige av mangel på et effektivt marked, eller av beredskapshensyn. Store utbygginger som InterCity, Ringeriksbanen, dobbeltspor Stavanger–Egersund og Ofotbanen bør organiseres for på den måten å ha mulighet for ulike typer finansiering og mulighet til å ta opp lån. Gjentatte ganger hører vi at tog er forsinket på grunn av kluss med signalanleggene. Høyre mener at det snarest mulig bør legges fram en egen konkret plan for konvertering av signalsystemene på jernbanestrekningene i Norge til den europeiske standarden, ERTMS. Så langt er det som er bebudet på østre linje, utsatt et år.

standarden, ERTMS. Så langt er det som er bebudet på østre linje, utsatt et år. Å binde landet vårt sammen har vært en viktig oppgave til alle tider. Med politikk og teknologi har vi gjennom generasjoner trosset naturkrefter og overvunnet vårt krevende landskap. Det er gjort store løft på samferdselsområdet, men fortsatt står det betydelige utfordringer foran oss. Vi må derfor ta vare på de verdiene som allerede er lagt ned i infrastrukturen for transport. Samtidig er det viktig å investere i ny infrastruktur som bygger opp om verdiskaping og flere arbeidsplasser, og som binder landet enda tettere sammen. I Nasjonal transportplan 2014–2023 satses det på tiltak både i byene og i distriktene, slik at hele landet kan ta del i en positiv samfunnsutvikling. Norge er en hav- og kystnasjon. Havområdene våre er om lag sju ganger større enn Fastlands-Norge, og kystlinjen med viker og fjorder er lengre enn jordens omkrets rundt ekvator. Og de fleste av oss har et forhold til kysten og havet: Havet gir oss mat og energi og er en viktig transportåre. Mange bor og arbeider langs kysten, og enda flere tilbringer Vår styrke og posisjon som hav- og kystnasjon skyldes ikke bare naturgitte forhold, men kan også tilskrives vår vilje og innsats for å bygge ut infrastruktur langs kysten. En slik infrastruktur er viktig for petroleumsaktiviteten, for industriarbeidsplasser, for fiskeriene, for sjømatnæringen og ikke minst for turistnæringen. La meg også slå en viktig og velfungerende del av det norske transportsystemet. Mer enn 40 pst. av det totale godstransportarbeidet innenlands utføres av skip, og i utenrikshandelen er sjøtransporten helt dominerende. Det er likevel sånn at mer gods kan og bør fraktes sjøveien, for sjøtransport er forbundet med lave kostnader til infrastruktur, sjøtransport legger begrenset beslag på areal, og sjøtransport kan avhjelpe kø, trengsel og vedlikeholds- og investeringsbehov på veiene. Sjøtransport er videre en sikker transportform som også bidrar til sikrere veitransport ved å fjerne flere tunge kjøretøy fra landeveien. God infrastruktur er – kombinert med maritime tjenester, som f.eks. los og overvåking av skipstrafikken – viktige sjøsikkerhetstiltak som bidrar til å forhindre skipskollisjoner, grunnstøtinger og uønskede hendelser til sjøs. I tillegg er skip effektive – med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Derfor er det gode grunner til at regjeringen vil at mest mulig av veksten i de lange godstransportene kommer på bane og sjø, og at vi vil utøve en politikk som legger til rette for at godstransporter overføres fra vei til sjø.

si at nivået er nesten tre ganger så høyt som det var da den rød-grønne regjeringen tok over i 2005. For sjøtransportsektoren har regjeringen disse hovedprioriteringene i Nasjonal transportplan 2014–2023: tiltak i en egen nærskipsfartstrategi farledsutbedringer – herunder verdens første skipstunnel maritim trafikkovervåking drift, vedlikehold og fornyelse av navigasjonshjelpemidler havneinfrastruktur i Longyearbyen og utvikling av BarentsWatch transportplanlegging og kystforvaltning forsking og utredning om godstransport og kombinerte transportløsninger. Hvert år passerer det en halv million trailere over Svinesund,

utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart, utforme en tilskuddsordning for statlig støtte til investeringer i utpekte havner, og vi vil utforme en tilskuddsordning for havnesamarbeid og godskonsentrasjon. Og vi vil ikke minst styrke forskning og utredning om godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger, for som kjent har jo de fleste varene varene lengre transportbehov enn fra én havn til den neste – man må finne de gode, kombinerte transportløsningene. De tre første punktene som jeg nevnte her, representerer noe helt nytt. Dette er et nytt virksomhetsområde som vil bidra til å tydeliggjøre og synliggjøre Kystverket som etat for havne- og sjøtransport. så langt det er mulig innenfor retningslinjene til regelverket for statsstøtte. Planen er at strategien skal legges fram i august. Når tiltakene vil bli endelig utformet og satt i verk, vil avhenge av behandlingen i ESA. I tillegg skal vi, i samarbeid med transportører og vareeiere, kartlegge godsstrømmer, logistikktrender og samspillet mellom sentrale aktører i godsmarkedet. Hensikten er å få et best mulig grunnlag for å vurdere potensialet for effektiv overføring av godstransport fra land til sjø.

og at transportnæringen samtidig finner fram til løsninger som er attraktive for transportkjøperne. Transportplanen som behandles her i dag, vil bety mye for den maritime sektoren, og den bygger i tillegg opp om miljøpolitikken og næringsutviklingen rundt Med den politikken som regjeringen nå har trukket opp i Nasjonal transportplan, blir det lagt til rette for at transportører og vareeiere kan vurdere sjøtransport med nye øyne. Det blir replikkordskifte. Det er godt å se at kyst- og fiskeriministeren endelig har tatt inn over seg, og

at den skal påbegynnes først i 2018 – etter at vi har hatt to stortingsvalg og en ny gjennomgang av NTP. De fleste miljøer har mottatt dette som meget positivt, at Stad-tunnelen skal bygges, men hvorfor 2018? Det har vært så mange utredninger og planer, og alle snakker om å få ned planleggingstid og byråkrati. Prosjektet kan startes lenge før Er det ikke byråkratiet som forsinker, så er det tydeligvis politikerne. Hvorfor ikke før, når man først mener at prosjektet er godt? Jeg er veldig glad og stolt over å tilhøre en regjering som faktisk foreslår at Stad skipstunnel skal bygges. Det har mange regjeringer før denne hatt mulighet til! Jeg var politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet relativt tidlig på 1990-tallet, og allerede da var Stad skipstunnel godt utredet. Og det har vært regjeringer etter den tid. Nå har ikke Fremskrittspartiet noen gang vært i regjering, så jeg skal ikke skylde på Fremskrittspartiet for det. Men det som dette faktisk også handler om, er at vi nå har vært igjennom en ekstern kvalitetssikring, KS1. Dette er et stort prosjekt, og vi må gjennomgå det løpet. I tillegg er det en stor forskjell på den rød-grønne regjeringen og Fremskrittspartiet: Vi husholderer med pengene, slik at næringslivet som skal benytte seg av denne tunnelen, fortsatt overlever, og vi setter ikke økonomien over styr ved å bruke opp absolutt alle pengene med en gang. Samtlige partier i salen er enige om det som også statsråden var inne på, nemlig behovet for å flytte godstransport fra land til sjø. Jeg er også helt enig med statsråden i at vi verken kan gi pålegg eller bruke tvangsmidler for å få det til, men vi kan ta vekk noen propper. Her er en fersk utfordring: Det er nettopp gjort en henvendelse fra fylkeskommunen i Hordaland

Vil statsråden ta initiativ til å se nærmere på dette sammen med Finansdepartementet, slik at den ferjekapasiteten som finnes, kan utnyttes? Jeg er litt i tvil om spørsmålet, men det jeg i hvert fall er helt sikker på, er at all den tid det handler om ferger, tilligger det ansvaret en annen transportminister, nemlig samferdselsminister Marit Arnstad. Så når det gjelder avgifter og spørsmål knyttet til fergetransport, tilligger det henne. Representanten Sortevik vil sikkert få anledning til å kunne stille det spørsmålet i løpet av dagen. Jeg er veldig glad for at vi er enige om målet om å flytte gods fra land til sjø – det har jeg vel heller aldri egentlig vært i tvil om. Spørsmålet er hvordan vi lykkes med å få det til.

Dette gjelder ikke innenlandsferjer, så det gjelder ikke samferdselsministeren som har ansvaret for de ferjene. Det gjelder faktisk en utenriksferje som kjører innenriks på vei til utlandet. Der er poenget at ved å ta med trailere som kjører i Norge på E39 mellom Bergen og Stavanger på ferjen, flytter vi trailertransport – altså veitransport – over til sjøtransport. Da dukker det når utenlandsferjen tar transportoppdrag innenlands. Det må vi kunne klare å løse, det er det som er proppen. Vi må klare å løse det avgiftsproblemet på en måte som gjør at både ferjeoperatør og de som skal bruke ferjetilbudet, kan leve med det. For øvrig er svaret med henvisning til samferdselsministeren et godt eksempel på hvorfor vi trenger et transportdepartement, og at det er helt feil å ha ansvar for sjøtransport i et fiskeridepartement. Fremskrittspartiet vil gjerne endre den løsningen, men i første omgang trenger vi hjelp til å fjerne en propp. Jeg står fortsatt fast ved at selv om man bruker en utenriksferge i innenriksfart, blir det i hvert fall en del av ikke mitt ansvarsområde. Men jeg tar iallfall med meg problemstillingen for å drøfte det med rette vedkommende. Det aner meg at det ligger noen «snagger» i det spørsmålet som selvfølgelig ikke blir lagt fram her, men vi tar det iallfall med. Men igjen tilbake til næringslivet, for det er tross alt først og fremst næringslivet langs kysten, i tillegg til brukerne av veiene, som vil tjene på at vi får til bedre løsninger her. Jeg vil igjen løfte fram hvert fall er litt av hovedutfordringene med Fremskrittspartiets politikk, der det hele tiden er penger til både å fjerne avgifter og å bruke mer penger, noe som gjør at vi risikerer at næringslivet langs kysten får en helt annen hverdag å våkne opp til, med høye kronekurser og et høyere rentenivå. Statsråden nevnte i sitt innlegg at vi er en hav- og Statsråden nevnte i sitt innlegg at vi er en hav- og kystnasjon. Ja, det tror jeg vi alle er enige om. Hun la vekt på den økningen innen maritim transport som nå legges inn i denne nasjonale transportplanen. Nå er det sånn at det er 30 forskjellige avgifter som er knyttet opp mot transport på sjøen, og det gjør at det blir forholdsvis kostbart. Men noe annet som er usedvanlig viktig for å kunne få fart på sjøtransporten, er havnene – at havnene blir såkalt intermodale havner, noe som gjør at man kan få en direkteoverføring til andre transportmidler. Trondheimsfjorden er egentlig et nøkkelområde for det, ikke minst fordi det etter hvert kommer til mye transport over fra Sverige. Her er det ikke noen løsning. Hva har statsråden, sammen med samferdselsministeren, tenkt å gjøre for å finne en løsning innenfor tidsrommet – som gjør at en ikke får delte løsninger? De økonomiske rammebetingelsene for de ulike transportsektorene har blitt gjennomgått, og de ble presentert i Nasjonal transportplan 2010–2019. Den gjennomgangen viste at sjøtransport slett ikke kom dårlig ut avgifter. Det som kanskje er spørsmålet, er om man laster båten og bilen riktig, at man får med absolutt alt. Da kommer ikke sjøtransporten dårligere ut. Vi ser selvfølgelig at det er betydelige forskjeller mellom innenriks og utenriks sjøtransport. Denne regjeringen har redusert brukertransporten på sjø betraktelig. Vi har redusert avgiftene med nærmere 125 mill. kr i perioden 2010–2013. Så

om Stad skipstunnel. Det er mottatt med stor glede langs kysten. Me veit også at det i den inneverande NTP-en ligg ei løyving på 2 mill. kr i siste del av planperioden. No ligg det føre eit forslag om 1 mrd. kr i siste del av Dette er altså vår første skipstunnel. Spørsmålet mitt er: Korleis vil statsråden organisere dette på en god måte, sånn at me sikrar at me får den framdrifta som er heilt nødvendig, at me får KS2-rapporten på plass? Me har vel ein kystdirektør med erfaring frå Statens vegvesen, så sånn sett bør dette vere i trygge hender. Men på kva måte kan statsråden gi signal om framdrifta i prosjektet?

en forutsetning for markedsøkonomi, for vår konkurranseevne og for bosetting, import og eksport av varer. Derfor er behandlingen av NTP en svært viktig sak, men vi må dessverre erfare at regjeringens forslag til NTP heller ikke denne gang investerer nok i strategisk viktig infrastruktur. Det er viktig at vi tenker helhet og på de varierende behov som samfunnet har. Ikke minst er det viktig å se de ulike næringers behov relatert til Nasjonal transportplan. For når vi vet hva et sentralt, godt og sikkert samferdselstilbud betyr for hele landet, bør ikke dette bli et spørsmål om vi egentlig har råd. Sannheten er vel heller at vi ikke har råd til å la være – ikke bare for bedre trafikksikkerhet, færre drepte og men også relatert til samfunnets og næringslivets behov. I så måte ser Fremskrittspartiet at deler av NTP ikke følger opp næringslivets eller industriens behov. Et eksempel på dette er Nordkapp kommune og Statoils ønske om å etablere og investere i en ny oljeterminal – om da ikke regjeringens varslede skatteskjerpelser for olje- og gassnæringen Statoil ønsker og vil investere 6 mrd.–7 mrd. kr i et prosjekt som er meget lønnsomt for vår nasjon. Da bør staten og Stortinget bevilge de nødvendige rammene for å utbedre E6 fra Lakselv til Olderfjord og E69 videre til Honningsvåg. Man bør også rassikre og forlenge Skarvbergtunnelen, slik at anleggsarbeidet der kan foregå i trygge omgivelser. Dessverre

Jeg ønsket egentlig å skryte litt av komiteens medlemmer fra regjeringspartiene med hensyn til Farledstiltak Leirpollen og Fremskrittspartiets merknad om å prioritere dette i første del av planperioden. Men det som komiteens medlemmer fra regjeringspartiene skriver i sin Leirpollen i Austertana, er skrevet på en slik måte at det kan tolkes ulikt. Mener man i første del av planperioden, eller mener man i annen del av planperioden? Hva er tidlig og hva er sent i perioden? Dette er vesentlig for både Elkem Tana, de ansatte og for norsk smelteverksindustri. Et av verdens største kvartsittbrudd ligger i Austertana, Elkem Tana leverer 80 pst. av behovet til den norske smelteverksindustrien, som har ca. 800 ansatte. Smelteverksindustrien er flere steder å betrakte som hjørnesteinsbedrifter, både i Mo i Rana, i Bremanger, i Orkanger og i Hardanger. En nedtrapping i Tana vil føre til at den av kvartsitt fra Tyrkia eller Egypt, til en langt dyrere pris enn i dag. Vi spiller hasard med industriarbeidsplasser hvis ikke dette kommer på plass. En annen side er at deler av området er naturområder, slik at det vil ta tid fra planleggingen starter til oppstart og gjennomføring av prosjektet. Jeg ber om en klargjøring fra regjeringspartiene om dette. Det står mye bra i NTP om luftfart og satsing på flyplassutbygginger. Det er bra at regjeringen vil satse på luftfart, men det er et tankekors at altfor mange av investeringsplanene til regjeringen og Avinor er i siste del av perioden. Dette er skadelig for næringslivet – ikke minst reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen har vært i god vekst i Nord-Norge over tid, men kapasitetsbehovet for å utvikle næringen videre er avhengig av turister og ikke minst transport til og fra landsdelen. Det er kapasitetsproblemer flere steder – i Tromsø, som er en kjempeviktig «hub» for transport av turister videre nord, trenger investeringer. Det samme gjør man i Kirkenes i Alta, som har stamflyplasser som forsyner resten av Øst- og Vest-Finnmark med turister. Uten utbedringer og fornyelse vil ikke kapasiteten kunne økes, noe som igjen vil bety stagnasjon og for dårlige vekstmuligheter for reiselivsnæringen. Det kan her nevnes at charterfly direkte fra Europa til Kirkenes må redusere passasjerantallet i sine fly vesentlig for å overholde sikkerhetsforskrifter ved landing. Dessverre

Fremskrittspartiet har også fremmet forslag om en konsekvensutredning av kystriksveier i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane. Felles for disse prosjektene er at store deler av veinettet, både i Sogn og Fjordane og i Nord-Norge opprinnelig ble bygd for å frakte fisk og andre verdier direkte til resten av landet, og er derfor tilsvarende dårlig tilpasset turisme, verdiskaping og handel internt i landsdelene. Felles for prosjektene er at de vil stå for en fortetting av ulike kompetansemiljøer, som vil kunne styrke bosetting og utvikling gjennom økt aktivitet og næringsproduksjon. Avstandsulempene, som er store i distriktene, vil bli betydelig redusert. I løpet av neste tiårsperioden ønsker dagens regjering å bruke 507 mrd. kr på all samferdsel – veier, bane, havner, farleder, kollektivtrafikk og bysatsing – i Norge. I den samme perioden skal bilistene alene i bilrelaterte avgifter betale inn nærmere 600 mrd. kr. I tillegg kommer

hevder at det er uenighet blant de såkalt borgerlige om bompenger. Ja, det er helt rett. Både Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har lov til å kjempe for sine syn – så får folket, ved valg, bestemme kjøttvekt, størrelse på partiene. Fremskrittspartiet vil selvfølgelig kjempe for sitt syn. Men én ting er sikker: Det vil ikke bli noe bedre med de rød-grønne. Få har hatt lengre og grådigere fingre i andres lommebøker enn denne regjeringen. Fremskrittspartiet ønsker å bruke langt mer på samferdsel enn regjeringen. Vi avsetter midler til å få etablert et statlig selskap for bane og et statlig selskap for vei. Vi ønsker å få på plass et sikkert, effektivt og moderne vei- og banesystem i Norge. I tillegg ønsker vi å ta inn etterslepet på riksveier og fylkesveier på henholdsvis 10 og 15 år. For hver dag som går, sakker Norge enda litt mer akterut med tanke på konkurranseevne og effektivitet. Etterslepene øker på veier, baner og på annen offentlig infrastruktur, som vei, vann, kloakk og bygninger. Fremskrittspartiet tar ansvar for framtidige generasjoner ved å investere i realkapital og infrastruktur i dag. Dette vil gi kommende generasjoner bedre forutsetninger til å møte konkurransen i en stadig mer globalisert verden. En investering i egen infrastruktur er en langt riktigere måte å forvalte felles ressurser på, ikke minst når det gjelder å spre risikoen. De fleste økonomer er i dag enige med Fremskrittspartiet. Det gir langt større avkastning å investere i egen infrastruktur enn å investere i gågater i London og Paris. Nasjonal transportplan er

og spesielt når det gjelder varetransporten, er det nesten skremmende. Vi vet at jernbanen er sprengt. Hva gjør vi så? Det passerer over en halv million vogntog over Svinesund hvert eneste år, og trafikken øker hver eneste dag. Det har blitt krevende å ta seg fram med personbil, spesielt vinterstid, med mange utenlandske sjåfører som kjører på dårlig materiell. Det er rett og slett et trafikksikkerhetsproblem – det truer vår trafikksikkerhet. Knapt noe tiltak vil være mer effektivt ut fra et trafikksikkerhetssynspunkt enn å redusere trailertrafikken. Så har vi altså en transportåre som nesten er ubrukt – riksvei nr. 1. Ingen land i Europa har sånne muligheter til å ta i bruk sjøveien som det Norge har. Vi har et langt land, og folk bor langs kysten. Et godsskip kan frakte den samme mengde gods som 200 langtransportbiler langs landeveien – og da snakker vi om et lite skip. Dersom man får en del av denne trafikken over på sjø, vil det frigi kapasitet på veiene, samtidig som miljøgevinsten vil bli betydelig. Det har lenge vært tverrpolitisk enighet om å få mer av godstrafikken over på sjøen. Dessverre har utviklingen gått i feil retning de senere årene, for sjøtransporten er i langt

Forskjellen mellom landtransport og sjøtransport har økt i favør av landtransporten. Et steg i riktig retning er at kystavgiften og årsavgiften for havnesikkerhet nå er avviklet, men det er langt fra nok. Høyre mener det trengs en helhetlig, målrettet og kraftig satsing. Derfor er det på tide at staten bidrar som en strategisk partner for å realisere de nasjonale målene Selv om regjeringen de siste årene har redusert noe på enkelte avgifter, har sjøtransporten fortsatt store utfordringer relatert til bl.a. havnekostnadene. Derfor trengs det et tydelig politisk grep. Høyre foreslår derfor i denne innstillingen, sammen med Kristelig Folkeparti, at det innføres en tilskuddsordning til havneformål, som skal forvaltes av Kystverket. Den største enkeltavgiften er losavgiften, som også ministeren var inne på. Den utgjorde 650 mill. kr i 2012 – og har bl.a. gjort at en del av cruisefartøyene ikke har kommet inn til havn i Norge. Losutvalget kom nettopp med sin utredning, og vi ser veldig fram til at det skal komme resultater ut av den. Men mye skal gjøres for å få fart på sjøtransporten. Derfor foreslår Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, at det startes et offentlig–privat samarbeidsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurransen til sjøtransporten, bl.a. gjennom å kartlegge varestrømmen – som nå delvis er på gang. Så litt om luftfart. Lufttransporten utgjør en viktig del av transportsystemet i Norge. Geografien og topografien gjør at luftfarten spiller en stadig større rolle i Norge i Norge – langt mer enn i mange andre europeiske land. Vi i Høyre er godt fornøyd med den måten Avinor håndterer dette på – i det alt vesentlige – men vi har vært bekymret for en del problemer underveis, som det har vært noen ganger. Vi er også svært opptatt av at de private flyhavnene, som Torp og Rygge, skal få samme konkurransevilkår som de offentlig eide. Jeg skulle ha sagt mye mer, men jeg vil spesielt komme tilbake til en del ting knyttet til Midt-Norge i et senere innlegg i denne debatten.

regionen. Eg vel sjølv å tru at eg har vore med å påverka i positiv lei. Det er kjekt, og det er stas å jobba med samferdsel for seg og for sine, men eg må vedgå at å få vera med på å arbeida fram ein nasjonal transportplan desse tre–fire åra, altså ein samanhengande plan for heile 29. februar i fjor la transportetatane og Avinor fram sitt utkast til NTP. No rett etter påske la regjeringa fram si tilråding, der ein la seg på eit endå høgare satsingsnivå – og i all beskjedenheit: Komiteen har gjennom si handsaming og sine merknadar lagt ein del føringar som gjer planen endå betre. Me i transport- og kommunikasjonskomiteen har reist rundt i alle fylka våre, og me har i tillegg til sjølvsyn fått innspel gjennom fleire høyringsrundar både her på huset og altså ute i alle landsdelane. Slik sett har dette vore ei fantastisk reise å få vera med på, og i dag skal det altså kuliminerast i debatt og i vedtak om det som skal vera transportsatsinga i landet vårt dei komande ti åra. Eg vil i det følgjande konsentrera meg om kystsatsinga i denne planen. Her kjem det verkelege eit løft dei komande ti åra med ein auke på 55 pst. i høve til nivået på løyvingane no i 2013. Med ein godsdel på rundt 90 pst. av utanrikshandelen og 42 pst. av innanlands godstransport spelar sjøtransporten ei svært viktig rolle i landet vårt. Noreg har, som eit av svært få land, også eit komplett maritimt miljø med internasjonalt leiande aktørar innan dei fleste områda. Dette er eit nasjonalt fortrinn som gjer det ekstra viktig at me fører ein offensiv politikk på sjøtransportområdet. I den framlagde meldinga vert det lagt opp til at det skal brukast 19,4 mrd. kr på sjøtransport i perioden, og det vert sett av 3 mrd. kr for å styrka sjøtransporten ved at ein saman med dei maritime aktørane arbeidar fram ein meir konkretisert nærskipsfartsstrategi. Dette vil gje investeringar i utpeikte hamner, betre samarbeid og oppgåvedeling mellom hamnene, styrking av forsking og utgreiing om godstransport på sjø, og leggja til rette for gode koplingar mellom dei ulike transportformene. Tryggleik og Oppgradering og investering i maritim infrastruktur og sikring av farleier vil saman med ei framtidsretta, kostnadseffektiv og brukarvenleg losteneste vera viktige bidrag til ein sikrare sjøtransport. Det er ikkje alle investeringar i infrastruktur som er synlege, men viss ikkje farleiene vert sikra og farlege grunner vert sprengde vekk, merkast det godt når fartøy går på grunn. Utviklinga går i

I NTP skal det brukast nær 300 mill. kr årleg til fiskerihamner og tilskot til kommunale fiskerihamneanlegg. Dette er ein svært viktig faktor for å sikra god infrastruktur for fiskerinæringa og for maritim transport i distrikta. Denne planen legg òg opp til at me no skal byggja verdens første tunnel for skip, og det er sett av Dette er ei storsatsing som vil bidra til å styrka og trygga sjøtransporten langs kysten vår generelt, og for alle som ferdast på Stadhavet spesielt. Komitéfleirtalet føreset at vidare kvalitetssikring av prosjektet, KS2, og planlegging vert utført med sikte på at prosjektet kan startast opp i perioden frå 2018. Eg kunne nok ha skrytt endå meir av satsinga på sjøtransport, men det kan også vera verdt å sjå kva andre sentrale maritime aktørar melder i sine høyringar. Norges Rederiforbund har store forventningar til både den maritime strategien og den varsla nærskipsfartsstrategien, og seier at forventningane vert forsterka av regjeringas engasjement over lang tid for ein meir offensiv politikk overfor nærskipsfarten. NHO Sjøfart seier dei ser ei gledeleg utvikling, med auka merksemd om tiltak som kan styrka maritim transport, og at NTP inneheld positive signal om tiltak for å få meir gods over frå land til sjø. Eitt av dei største nasjonale grepa i NTP er ambisjonen om å binda kysten saman gjennom ein opprusta og ferjefri E39 frå Stavanger til Trondheim i løpet av 20 år. Fleire viktige og store prosjekt for opprusting mellom ferjestrekningane på E39 ligg inne i regjeringas forslag, og ferjeavløysingsprosjektet Rogfast får oppstart nå i første del av perioden. Det er gjennomført KVU og KS1 for Hordfast, Nordfjorden, Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden. Desse områda har eit svært aktivt og omfattande næringsliv som treng gode transportårer for å halda oppe og vidareutvikla aktivitet, og som treng god tilgang på arbeidskraft. Næringslivet er også avhengig av ulike internasjonale konjunkturar, og eit større pendlaromland vil klart styrka desse regionane. Mellom Bergen og Stavanger finn me den største bu- og arbeidsregionen utanom Oslo-området, og ei realisering av Hordfast vil innebera ein samanhengande ferjefri veg på heile denne næringstunge og folkerike strekninga.

vedtekne. Det er også veldig bra at konkrete prosjekt på E39 er kandidatar til den nye ordninga for prioriterte prosjekt, som vil gje meir føreseieleg finansiering og meir rasjonell gjennomføring. I tillegg vil det kunna gje ei meir effektiv framdrift, dersom statleg regulering vert nytta. Opposisjonen tek til orde for at Stortinget nå i dag skal vedta konsept for fleire av fjordkryssingane. Sjølvsagt må ikkje regjeringa la det dra ut for lenge med desse avgjerslene, likevel vil eg poengtera at det er viktig med skikkeleg kvalitetssikring på så store prosjekt. Eg vil òg minna om at planen gjeld frå 2014, så litt tid har me på oss. Planleggingsmessig er det ikkje grunnlag enno for å fastleggja rekkefølge for dei andre fjordkryssingane etter Likevel vil eg peika på at Hordfast, Nordfjorden og Møreaksen må planleggast med sikte på oppstartsavklaring ved neste rullering av planen, og at anleggsstart for desse då kan skje i perioden frå 2018. Me har i komitéhøyringar fått innspel frå sentralt hald i fleire landsomfattande organisasjonar i retning av at tanken om ferjefri kyststamveg må droppast, og at me får klara oss med desse ferjene. Men for oss som bur ved kysten, vil det å vera imot ferjefri kyststamveg vera som om me skulle bu på loftet og vera imot trapp. Den framlagde NTP for 2014–2023 er ein god plan, og den ferjefrie kyststamvegen er eitt av dei desidert viktigaste elementa i planen. Sørlandet er

hovedveiene. Hovedveien E18/E39 Oslo–Kristiansand–Stavanger er blant de aller viktigste veiene i Norge. Det betyr at samferdselsinvesteringer er svært lønnsomt, sammenlignet med noen av oljefondets alternative investeringer. Ifølge en rapport fra Oslo Economics har regjeringen feilberegnet trafikkveksten på E39 Kristiansand–Stavanger. Analysen viser at den virkelige trafikkveksten tilsier at det selv der er behov for firefelts vei. I tråd med det ekspertene sier, vil Fremskrittspartiet bygge ut hele E18/E39 som sammenhengende motorvei klasse A, med fysiske delelinjer og firefelts vei på E18 fra Oslo-området til Kristiansand og videre til Stavanger. Innen selve Oslo-området bør det være minimum seksfelts vei, og Fremskrittspartiet ønsker også Vi ønsker en omfattende utbygging av lange strekninger på veinettet i denne korridoren for å redusere antall ulykker. E18 Rugtvedt–Dørdal bør selvsagt bygges ut med full 23 meters veibredde, slik politiet, brannvesenet, Statens vegvesen og aksjonsgruppen for E18 krever. Bompenger er helt unødvendig, med tanke på at bilistene bidrar med 55 mrd. kr i bil- og drivstoffavgifter i året. Folk trenger bil, ikke høye avgifter. Fremskrittspartiet går mot bompenger som finansieringsløsning og legger inn 97,5 mrd. kr i NTP for å slette bompenger på samtlige av regjeringens foreslåtte prosjekter. Dette kommer på toppen av vårt forslag i den årlige nysalderingen, knyttet til eksisterende bompengegjeld. Det er mange som er skeptiske til men fordelen med OPS-løsninger er at når prosjektene fullfinansieres av staten, og når drift og vedlikehold i 25 år også er inkludert, er det entreprenørene som må betale for en eventuell slett jobb i utbyggingsfasen, gjennom økte vedlikeholdskostnader. For staten betyr det at veiprosjekter blir bygd raskere, og at det er i entreprenørens interesse å bygge godt for å holde drifts- og vedlikeholdskostnadene nede. Aust-Agder har til hele befolkningens glede fått inn E18-traseen Arendal–Tvedestrand. I etatsforslaget til NTP var det lagt inn 300 mill. kr i planleggingsmidler til prosjektet E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Dette beløpet ble redusert til 150 mill. kr da NTP for 2014–2023 ble lagt fram. Med 150 mill. kr ekstra kunne man framskyndet arbeidet med ny E18 i Aust-Agder, med en klar målsetting om byggestart i 2015. Før vi får sammenhengende firefelts vei, er det viktig å gjøre noe med den krappe E18-avkjørselen Vinterkjær–Risør og påkjøringsrampen i motsatt retning. Dette er et trafikkfarlig punkt, særlig om sommeren når det er mange sommerturister med fullastede biler. Fremskrittspartiet er også best på sjøtransport. Jeg er derfor veldig glad for at en samlet komité står sammen om en viktig merknad om tilførselsvei fra Dette er en viktig havn som fokuserer på offshoreaktører, og som derved er helt essensiell for næringsklyngen vår. Ved Arendal lufthavn, Gullknapp, jobber de med å utvide rullebanen, slik at flyplassen kan ta imot fly med inntil 50 seter. Fremskrittspartiet er positiv til planer om å utvide flyplassen ytterligere, som alternativ for charteroperatør og lavprisselskaper. Da bør staten i tilfelle bidra med ny adkomstvei i første del av

Sørlandet. Så langt i debatten er det sagt mye om mangt i forslaget til Nasjonal transportplan for 2014–2023. Det at forslaget innebærer tidenes samferdselssatsing og et historisk løft for både bane, veg og infrastruktur knyttet til havn og kyst, mener jeg er udiskutabelt. Det at opposisjonspartiene overbyr, er heller ingen overraskelse. Men vi har vist i åtte år at vi holder det vi lover, og oppfyller våre hvilket ikke kan sies om våre ærede motparter i opposisjonen – de har ingen god statistikk å vise til i så henseende. Det er ikke nok å svare fra opposisjonen at vi har så mye mer penger nå. Det økonomiske nivået i deres nasjonale transportplaner var tilpasset den økonomiske virkeligheten som var da de satt i regjering. Likevel klarer de ikke å levere. Mange av innleggene i debatten så langt har handlet om penger, prosjekter, finansiering, besparelser, måloppnåelse og nye mål. For oss i Arbeiderpartiet er trafikksikkerhet et av de aller viktigste områdene å oppnå målene på – og sette nye, ambisiøse mål knyttet til trafikksikkerhet. Det er bra med ferjefri E39, det er bra med InterCity, det er bra med elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Infrastruktur skal selvfølgelig bidra til at regionene forstørres, til at næringslivets transportkostnader reduseres, og til at menneskene – både i storbyene og ellers i Men det aller viktigste er at det skal skje på en trygg og sikker måte. Innenfor jernbane, luftfart og sjøtransport er sikkerhetsnivået veldig høyt allerede, men i vegtrafikken har vi fortsatt en del å gjøre før vi er i mål – selv om vi har utrolig gode resultater å vise til. Nullvisjonen – visjonen om en framtid uten drepte og hardt skadde i trafikken – er en viktig ledestjerne å ha og ligger til grunn for De rød-grønne partiene og regjeringa har overoppfylt gjeldende Nasjonal transportplan når det gjelder penger. Det er viktig, men det er enda viktigere at den i år er overoppfylt når det gjelder trafikksikkerhet. Det er enda færre drepte og hardt skadde på norske veger nå enn det som var etappemålet i gjeldende Nasjonal transportplan. Selv om tallet på 145 drepte i 2012 er 145 for mange, er det det laveste siden 1950. Det er 30 pst. lavere enn i 2005.

Ifølge deres tall er Norge med i Council road safety league og er ved utgangen av 2012 nr. 3 i Europa i trafikksikkerhet når vi ser på antall drepte i forhold til innbyggertallet – kun slått av Malta og Storbritannia. Vi har både Sverige og Danmark bak oss. Når antall drepte ved utgangen av mai var seks færre enn ved samme tidspunkt i 2012, ser vi at den positive trenden fortsetter. Når vi nå er kommet så langt ned i antall drepte og hardt skadde i trafikken som vi har, så langt ned i antall drepte og hardt skadde i trafikken som vi har, er det ambisiøst å sette et etappemål om en halvering av antall drepte og hardt skadde i planperioden sammenlignet med forrige planperiode. Men etappemålet er satt, og jeg opplever heldigvis at det er tverrpolitisk oppslutning om dette målet. Det som det derimot ikke er tverrpolitisk enighet om, er hvordan vi skal nå målet. Det skal jeg komme tilbake til. Vi skal nemlig videre i riktig retning når det gjelder trafikksikkerhet, og ytterligere redusere antall drepte og hardt skadde. Da kreves det mye av oss som er politikere. Det vil kreve at vi tar modige beslutninger, som ikke nødvendigvis vil oppfattes positivt. Jeg vil vise til at de politikerne som på slutten av 1960-tallet vedtok påbud om bilbelte, som ble innført fra 1971, faktisk var modige politikere. De fattet et vedtak som var meget omdiskutert, som det var stor uenighet om, og som ikke var spesielt populært – men som har vist seg å være et av de viktigste enkeltvedtakene som har positiv effekt på trafikksikkerheten. Det er ingen i dag som mener at det var feil. Jeg at vi vil få flere sånne bilbeltesaker som vi skal ta stilling til. Det kan være alkolås, fartssperrer eller andre former for ny teknologi som vil gi oss tryggere trafikk. Spørsmålet er om representantene i denne salen vil være like modige som våre tidligere kolleger var på slutten av 1960-tallet. Nullvisjonen tar utgangspunkt i et trafikksystem der vegsystemet, kjøretøy og trafikanten må spille på lag, og der alle må gjøre sin del av jobben for at det skal fungere. Vi kan som politikere være med og påvirke samarbeidet – gjennom å bidra til at vi får bedre trafikanter, bedre og sikrere kjøretøy og bedre og sikrere veger. Vi kan også vedta tiltak som kompenserer for at deler av systemet ikke fungerer optimalt, eller for at vi ikke får gjort de tiltakene som vi mener er nødvendige. Jeg mener at vi uansett ikke kan klare å bygge veger som tar høyde for at trafikantene får oppføre seg som de vil. Vi må kunne forutsette – eller i det minste sette inn tiltak som bidrar til – at trafikantene stort sett holder fartsgrensene, bruker bilbeltet og kjører rusfritt. Vi her i huset har ansvar for vegene, for å bevilge penger og for å sørge for at de pengene som vi bevilger, blir brukt på en måte som gir mest mulig trafikksikkerhet. Men vi har også ansvar for lovgivning og tiltak som gir oss tryggere og bedre trafikanter – det være seg bedre føreropplæring, trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager gjennom rammeplaner og læreplaner og,

I grunnskolen har vi i læreplanene læringsmål når det gjelder trafikk, men når vi læringsmålene? Er føreropplæringa god nok? Det vi kan fastslå, er at vi har verdens beste utdanning av trafikklærere. Vi har valgt å ha trafikklærere som utdannes på høgskolenivå, og legger sterk vekt på pedagogikk og trafikksikkerhetstenking. Ingen andre land i Norden har gått så langt. Men hva med føreropplæringa – har vi en føreropplæring som tar mer hensyn til at den skal være billigst mulig, i stedet for at den skal være best mulig? Har vi en føreropplæring som er lik for alle personlighetstyper, uavhengig av hvordan vi er som mennesker? Når jeg snakker med fagfolk på trafikklærerutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, får jeg følgende tilbakemelding på hva som kan gjøres for å få føreropplæringa bedre: Vi må gjeninnføre det obligatoriske teorikurset, vi må teorikurset, vi må sørge for at det blir mer mengdetrening, og vi må sørge for at vi får til en føreropplæring tilpasset det mennesket en er. Dette er signaler som er viktige å ta med seg når føreropplæringa skal forbedres. Vi har også ansvaret for fartsgrensepolicyen. Den skal være i samsvar med nullvisjonstenkinga. Derfor er det viktig å signalisere en positiv politisk holdning til det at vi i stadig større grad skal ta i bruk såkalte nullvisjonsfartsgrenser, dvs. 30 km/t der det er mange myke trafikanter, og 70 km/t der det er mye trafikk og ingen midtdelere. Som politikere må vi stå opp og forsvare dette, for det er kroppens tåleevne som er bestemmende for disse fartsgrensene, ikke hvor fort den enkelte av oss har lyst til å kjøre, eller hvor bra standarden på vegen ser ut til å være. Dersom trafikksikkerhet var viktigst for oss, hadde dette vært en grei diskusjon. Men jeg vet at det kommer i strid med mål om framkommelighet, og at det sannsynligvis ikke vil være populært blant velgerne – men vi vet at det vil virke. Dersom vi hadde satt ned fartsgrensene fra 50 til 30 i tettbebygd strøk og fra 80 til 70 der det ikke er midtrekkverk, og alle hadde fulgt fartsgrensene, ville vi hvert år hatt over 100 færre drepte i trafikken – over 100. Til sammenligning viser beregninger at når vi fullfører bygging av midtrekkverk på alle veger med trafikk over 8 000 biler i døgnet, eller hardt skadde i året. Arbeiderpartiet vil bygge mer midtrekkverk. Vi står bak forslagene i Nasjonal transportplan som legger opp til 400 km to- og trefeltsveg for midtrekkverk. Dette kommer i tillegg til 380 km ny noe som til sammen gir oss 780 km mer møtefri veg. Arbeiderpartiet er også enig i at minimumsmålene skal endres – som Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet legger opp til – sånn at kravet til når det skal bygges midtrekkverk, senkes fra 8 000 til 6 000 ÅDT. Men vi vet også at det å bygge midtrekkverk på alle veger med over 6 000 biler i døgnet og med en fartsgrense på mer enn 70 km/t grovt anslått vil koste 300 Fremskrittspartiet vil bruke 1 mrd. kr mer i året for å bygge midtrekkverk. Det vil med andre ord kunne ta 300 år før det er midtrekkverk på alle norske veger med ÅDT over 6 000. Ellers kan vi gå til Høyre, som prøver å være høye og mørke når det gjelder samme temaet, og som har en egen trafikksikkerhetsplan. De lover midtrekkverk på alle vegene med ÅDT over 6 000 innen 2024. De står sammen med Kristelig Folkeparti bak et forslag hvor de ber regjeringa

Council slår vi Sverige i det som er det aller viktigste, vi slår svenskene i trafikksikkerhet. Vi trenger et bredt spekter av tiltak for å nå de ambisiøse etappemålene om halvering av antall drepte og hardt skadde i trafikken – knyttet til vegen, trafikanten og kjøretøyet. Vi trenger modige politikere. Her er det tydelige politiske skillelinjer. Det håper jeg velgerne merker seg til høsten. Dette handler faktisk om liv og død.

I denne debatten er jeg veldig glad for at det er en økning i bevilgningene til samferdsel. Der skal regjeringen ha ros. Men samtidig lurer en seg selv når en gir inntrykk av at 508 mrd. kr er en kjempesatsing. Ja, det er fryktelig mye penger, men hvis en drar det ut i den samme tiårsperioden og ser hvor mye skal vi bruke i statsbudsjettet totalt, snakker en om at vi faktisk har 12 000–13 000 mrd. kr til disposisjon.

Ja, i penger har en levert det en skulle. Problemet er bare at systemene er så ineffektive at selv når en bruker alt det en lover av penger, er det fortsatt prosjekt som skulle vært igangsatt, som ennå ikke er påstartet. Det en da skryter av, er at en har brukt alle pengene, men ikke gjort jobben. Hvis jeg hadde sendt mine barn til butikken med hundre kroner for å kjøpe 10 liter melk og de kommer hjem med 2 liter melk og har brukt opp alle pengene, gir jeg dem ikke ros. Da spør jeg hva i alle dager de har brukt pengene på, som de skulle bruke på vei og jernbane. Dere har ikke levert det dere skulle, men har brukt opp pengene. En burde heller satt seg ned og sett på systemet. Har vi organisert dette på en måte som gjør at vi faktisk får det vi betaler for? Norske bilister gjør ikke det. Da må en slutte å skryte av at en i neste tiårsperiode skal bruke 508 mrd.kr. Det en burde skrytt av, er organiseringen som gjør at vi får mer vei for pengene enn før, og at ambisjonsnivået økes. Når en skal bruke 500 av 13 000 mrd. kr, er ikke det veldig mye å skryte av. Det er egentlig bare «business as usual». Etterslepet på infrastruktur i Norge er på rundt 800 mrd. kr når du tar med alt. Bare på vei er det 100 mrd. kr. Denne regjeringen er derimot fryktelig opptatt av å skryte av hvor mye penger vi har spart i utlandet.

og gått glipp av 1 pst. inntekt fra Danmark – det er ikke nok til å dekke inflasjonen engang – tvinger dagens regjering oss til å låne andres penger til tre og en halv gang høyere rente. Det er jo fullstendig meningsløst at vi styrer landet på denne måten. Fremskrittspartiet vil endre på dette. Vi ønsker å framskynde gode veiinvesteringer som gir en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for landet. Organisasjonen som heter Cambridge Systematics International var i Norge i fjor. De sa at for hver krone vi investerer i bedre riksvei i dette landet, får vi 3,5 kroner tilbake igjen gjennom økt økonomisk vekst og lavere kostnader for næringslivet. Det er en avkastning – en får tre og en halv gang igjen det en investerer, og så sitter vi i dag og er fornøyde når vi får 1 pst. rente i året fra Danmark. Det er jo helt meningsløst hvis vi tenker generasjonsperspektiv. I tillegg er det helt meningsløst hvis en tenker på konkurranseevnen til norsk næringsliv. Fremskrittspartiet har foreslått det finansminister Sigbjørn Johnsen mente var fornuftig før han ble finansminister, nemlig å opprette et eget veiselskap og et eget jernbaneselskap og tilføre dem egenkapital så de kan gjennomføre investeringer i det tempoet som er fornuftig ut fra markedsforholdene. De slipper å forholde seg til årlige budsjettbevilgninger, som en må i dag.

vei og jernbane bare er utgifter, ikke investering? Vei og jernbane er i høyeste grad en investering. Så kommer samferdselsministeren og sier at jo, men de har begynt med prosjektfinansiering. Regjeringens prosjektfinansiering gjør det ikke mulig å framskynde prosjekt hvis forholdene ligger til rette. Det er bare en forutsigbar bevilgning neste år, men det framskynder ingenting og endrer ikke på organiseringen. Det må til. til. For første gang har vi en regjering som har overoppfylt to nasjonale transportplaner. Det har skjedd mye innen vei, bane og havner siden 2005. Vi har innfridd år etter år, og nå skal vi følge opp år etter år. Samferdsel har vært og er et prioritert område, og vi rød-grønne har bevist at vi er til å stole på. Men hva med opposisjonen, hvor mye kan vi stole på Hvis det skulle bli en ny regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, har Fremskrittspartiet – ved Bård Hoksrud – lovet at alle bomstasjoner skal fjernes, og Høyres trylleformel OPS kaller den samme Hoksrud for «høl i hue». De er altså ikke engang enige om hvordan veiutbygging skal finansieres. Onsdag 24. april sto Høyres daværende samferdselspolitiske talsmann Øyvind Halleraker stolt ved siden av Erna Solberg og presenterte partiets nye transportplan og fortalte oss at 17 veier skal bygges med OPS. Veiene blir realisert raskere, sier Halleraker. Vi tar ut gevinsten med en gang, sier Erna Solberg. Spørsmålet er hvem Høyre mener med «vi»: Landets skattebetalende trafikanter, eller investorene som med OPS ser muligheten for privat berikelse på fellesskapets bekostning? For investorer betyr OPS garanterte inntekter i mange tiår framover, fra verdens sikreste kunde. Ikke rart investorene og deres lobbyister ivrer for offentlig–privat samarbeid. Med dårlige tider i hele Europa vil sikre inntekter fra verdens rikeste velferdsstat framstå som et meget attraktivt bytte for profesjonelle profittjegere. Et annet element er at OPS-investorene får store private utbytter fra felleskassen. Det er allerede tatt ut 180 mill. kr i utbytte fra de tre prosjektene med OPS på norske veier som Høyre i dag hyller som meget vellykkede prosjekter. Det kan jo være fordi 120 mill. er hentet ut av Sundt AS, som ifølge Klassekampen er blant de private giverne av milliongaver til Høyres partikasse. Vellykket og vellykket – et prosjekt sprakk med 1,2 mrd. kr, og kontraktørene kranglet lenge i retten om hvem som skulle ta regningen. Hvis jeg ikke er helt feilinformert,

OPS. Den britiske riksrevisjonen uttrykker bekymring for at offentlig sektor betaler mer enn den skal til OPS-investorene. De har gjort fellesskapets skoler, veier og sykehus til spekulasjonsobjekter. Aksjene i et OPS-selskap blir ofte solgt etter få år. Den årlige avkastningen på slike spekulasjoner har i gjennomsnitt vært 29 pst. – langt over normal avkastning. Midlene som sluses over i private lommer, blir ofte unndratt beskatning. Rundt 75 pst. av transaksjonene i finansmarkedet for OPS-prosjekter gjøres nå av store fond plassert i såkalte skatteparadis. Dette er sugerørskapitalisme. Med hjelp av politikere som selger inn OPS som noe nytt, smart og effektivt, får private banker, finansfond og storentreprenører installert gullforgylte sugerør i fellesskapets kasser. kasser. Selvsagt er midlene i den norske felleskassen attraktive som forretningsmulighet. Jeg betaler gjerne skatt for å finansiere effektive fellesløsninger som gjør samfunnet bedre for folk flest, men jeg har lite lyst til å betale skatt for å øke fortjenesten til Sundt AS eller utenlandske finansfond. Høyre vil at staten skal overlate finansieringen av prosjekter i milliardklassen til private firma som betaler langt høyere rente enn staten. Så skal fellesskapet betale hele gildet på avbetaling, ikke bare den høye renta skal vi bære, men også profitten til de private eierne. Spørsmålet er hvor mye dyrere det da blir. Ifølge Samferdselsdepartementet blir Sotrasambandet, som har et kostnadsoverslag på 7 mrd. kr, 2,5 mrd. kr dyrere med OPS med en nedbetalingstid på 23 år enn med et ordinært bompengeopplegg, på grunn av høyere renteutgifter – 2,5 mrd. kr tapt, tapt, og det på kun ett av de 17 veiprosjektene der Høyre vil påføre skattebetalerne en ekstra milliardregning. Det er ikke småpenger som står på spill. Når over 500 mrd. kr skal investeres i veibygging gjennom de kommende tiårene, kan merutgifter for skattebetalerne ved OPS bli på titalls milliarder, om ikke hundretalls. Noen har sagt at dette kan virke for dumt til å være sant – men er det det? Kanskje handler det om noe så klassisk som privat berikelse på fellesskapets bekostning. Skattemilliardene som renner ut av statens OPS-lommer, forsvinner jo ikke. Noen får pengene. Aldri så galt at det ikke er godt for noen! Og noen har privat berikelse på fellesskapets bekostning som en forretningsidé. Høyre er et parti for dem. Et annet argument som Høyre bruker, er at man bygger så mye raskere. Det er feil. Fellesprosjektet som nå bygges langs Mjøsa, bygges like raskt som OPS-prosjektet E39 på Sørlandet. For raskest mulige utbygginger trenger man langsiktig, forutsigbar finansiering og prosjektorganisasjoner som overvåker framdriften. Og det er akkurat det som ligger inne i den NTP vi nå behandler, så vi trenger slett ikke OPS for å få dette til. Jeg har fulgt den offentlige OPS-debatten en stund, og av det jeg har fått med meg, er Høyre stort sett alene om å mene at dette er en god Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem sa i april 2010 følgende som en del av forklaringen på finanskrisa: «Mange stater lot sine utgifter løpe i takt med høyere skatteinntekter. Som bankene, la også mange stater utgifter utenom balansen, blant annet gjennom det som her i landet kalles offentlig privat samarbeid.» Jeg har nevnt problemene i Storbritannia. I Sverige har ikke heller ikke OPS vært noen ubetinget suksess. Jeg viser til utbyggingen av Nya Karolinska Solna, der hele prosjektet blir betegnet som en skandale. Høyres søsterparti i Sverige, Moderaterna, og den svenske finansministeren har sagt klart fra om at de ikke vil bygge mer på krita. Finansministeren mener at OPS fordyrer prosjektene drastisk, og han vil heller bruke pengene på å bygge flere veier og jernbane. Her hjemme er det lite støtte å hente også i dagspressen. Jeg vil bare gi noen eksempler. Dagens Næringsliv har på lederplass skrevet at Høyre har fått «OPS på hjernen» og advarer mot for store doser. Dagbladet er mildt sagt skeptiske. Aftenposten skriver, slik Bjørnflaten har vært inne på tidligere: «som finansieringsform er OPS i beste fall et fristende, men et risikabelt eksperiment. Det kan lett føre til at høye kapitalkostnader veltes over på fremtidige generasjoner og regjeringer som vil bli bundet opp fordi vi ikke evnet å prioritere blant politikkens mange gode formål. På kort sikt er det naturligvis forlokkende. Bakrusen som kan komme etter hvert, er det ikke.» Høyre forsøker å framstå som mindre høyrevridd nå enn tidligere, men samtidig har de altså lagt fram et forslag som er en av norgeshistoriens mest omfattende privatiseringsplaner. Leder av Fagforbundet, Jan Davidsen, har tidligere uttalt: «OPS er bare en ny måte å privatisere på. Det er et tiltak for at private kapitalinteresser skal få melke de offentlige budsjettene.» Og han fikk – for noen kanskje oppsiktsvekkende – støtte for sitt syn av Trygve Hegnar, som på lederplass i Finansavisen skrev: «Vi synes, for en gangs skyld, at Davidsen har et poeng.» Representanten Helleland viste i sitt innlegg til TØI og fortalte at rapporten derfra viser at OPS blir billigere og gir bedre innovasjon. La meg referere noe fra TØI-rapporten: «En hypotese om at OPS også vil føre til omfattende teknisk innovasjon, er i liten grad bekreftet. Evalueringen har heller ikke funnet at prøveprosjektene har gitt vesentlige besparelser i byggekostnadene. OPS kan innebære at prosjektene blir dyrere for det offentlige enn de ellers ville vært. OPS-selskapene overtar byggekostnadsansvaret, og for dette må det offentlige betale en viss risikopremie. Manglende kontroll over risikoen i prosjektene, kan ha ført til høyere premier enn strengt tatt nødvendig.» Arbeiderpartiet er også opptatt av å få rask og effektiv utbygging og vil ha det så fort som mulig, men vi vil ikke sende ubetalte regninger til neste generasjon. Vi vil ha mest mulig vei for pengene, men ikke føre en politikk hvor skattebetalerne skal betale en høy rente og overskudd til private investorer og
neste taler er representanten Anne Marit Bjørnflaten. Representanten

investeringene i infrastruktur i Norge fordi vi mener det vil ha en samfunnsøkonomisk effekt. For oss er det viktig at vi bygger ut større regioner og større arbeidsmarkeder, sånn at folk raskere kan pendle, og sånn at både næringsliv og innbyggere rundt omkring i Distrikts-Norge får en mer solid fremtid. De tjener på at vi bygger veiene raskere. Så er det viktig at vi rundt de store byene sørger for at vi sørger for at folk kan komme raskere på jobb og raskere tilbake, og at det blir lettere å utløse flere boliger, slik at boligprisene blir lavere. En av grunnene til at vi har foreslått store bypakker og gitt en veldig klar og tydelig anvisning på at vi skal bevilge mer i årene som kommer – 50 pst. av investeringene skal brukes på kollektivløsningene i de store byene fremover – er at vi mener det har en gevinst. Vi gjør det også på noen områder med modeller som gjør at vi bygger det raskere. Det er byene som tjener på det. Så er det selvfølgelig sånn at norsk næringsliv – norske bedrifter – får lavere kostnader når vi får ned transportkostnadene ved å bygge raskere. Også de får gevinsten. Det er det som ligger i begrepet «samfunnsøkonomisk lønnsomhet». Når du har samfunnsøkonomisk, positiv lønnsomhet i et prosjekt, gir Det gir mer solide jobber, det gir bedre familieliv, og det gir større vekstkraft i norsk økonomi. Derfor skal vi bygge raskere. OPS er én av måtene, men ikke den eneste. Jeg har lyst til å si at det i denne innstillingen er mange positive trekk ved det man har sett mellom de fire borgerlige partiene, med hensyn til å finne frem til løsninger for å organisere seg frem til en bedre modell for vei- og baneutbygging i årene fremover i Norge. Vi trenger faktisk å bygge veier raskere i vårt samfunn, for skal vi skape trygge, lønnsomme arbeidsplasser i årene fremover, må transportkostnadene ned. I et av verdens dyreste land å produsere i og hvor vi alle har et ønske om at vi skal ha gode lønninger, må vi gå systematisk igjennom hvor vi har høye kostnader. Transport er et av de områdene. Ved å investere mer og få bygget raskere med raskere metoder realiserer vi altså tryggere arbeidsplasser i årene fremover. Det er ikke minst viktig når det gjelder regionutvikling, for det som er spesielt med Norge, er jo at så mye av det lønnsomme næringslivet også ligger i distriktene. Så mye av ryggraden i vårt næringsliv er utenfor de sentrale strøk. I mange andre land Så mye av ryggraden i vårt næringsliv er utenfor de sentrale strøk. I mange andre land er vekstkraften størst rundt de store byene også i økonomiske bedrifter. I Norge har vi mange vekstkraftige steder. En av grunnene til at vi må prioritere å bygge ut E39 raskt, er ikke nødvendigvis at folk skal kjøre fra Kristiansand til Trondheim, men at enkeltprosjekter på den strekningen vil utløse store samfunnsøkonomiske gevinster fordi det er så store og lønnsomme bedrifts- og næringsmiljøer som ligger der. Det å sikre dem tilgjengelig arbeidskraft uten at folk er nødt til å flytte, fordi de har fått bedre kommunikasjon, er viktig i årene fremover. Så er det viktig at vi får til bedre fungerende byer. Vi kan alltids lure på hvor mange flere nordmenn det blir på hvor kort tid, men anslagene er uansett at det kommer til å vokse mye rundt de fire største byene. Derfor har vi sagt at vi vil ha et forpliktende, langsiktig samarbeid med disse byene, der utløsning av boligarealer av infrastruktur ses i kombinasjon. Vi kan godt klage over at det er 22 innsigelsesinstanser, men vi vet at en av de viktigste innsigelsesgrunnene er at det ikke er laget en kollektivløsning som gjør at nye, store boligområder lar seg realisere. Med vår modell for å gjøre dette i samarbeid – ikke i konflikt – med byene vil vi faktisk kunne realisere også trygge, gode og levedyktige byer i årene fremover.

Det var vel få som hadde trodd at vi skulle øke med 50 pst. på den NTP-en vi diskuterer i dag, men det gjør vi altså. Spontane reaksjoner fra bl.a. NHO var at dette var et historisk løft. Det slutter selvfølgelig vi i Arbeiderpartiet oss til. Debatten her i dag har vist oss at det er mange utfordringer, ikke blant oss rød-grønne, men på den andre siden. Det er mange ubesvarte spørsmål som det kanskje kunne vært greit å få svar på, ikke for oss som politiske motstandere, men kanskje for velgerne. De har et behov for å få litt klargjøring – vil jeg anta – før valgkampen. Blir det fortsatt bompenger – hvis det skulle bli en borgerlig flertallsregjering, jeg håper og tror ikke det, blir det fortsatt bompenger? Det er ett spørsmål. Skal en ta i bruk OPS-finansering, og hvilke konsekvenser får det? Det er et annet spørsmål. Hvor mye penger skal en bruke på denne sektoren totalt? Det er et spørsmål. Er det Fremskrittspartiets nesten 1 000 mrd. kr, eller er det de andre partienes tall, omtrent på rød-grønt nivå? Skal en drive

å høre hva Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti sier om Fremskrittspartiets overbudspolitikk. «Det blir å lure folk å tro at vi kommer til å havne i nærheten av de summene som Fremskrittspartiet foreslår.» Det sier Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti til Dagsavisen 11. juni. Jeg kunne fortsatt med å ta opp Tendens uttalelser og Hellelands uttalelser, men de er behørig kommentert tidligere i dag. Så sier Fremskrittspartiet at dette er innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Men politikken fungerer ikke slik at man kan ta en sektor hver for seg. Politikken fungerer i et hele. Fremskrittspartiet skal også ha skattekutt på opptil 100 mrd. kr og bruke massevis av penger på andre områder. Politikken henger faktisk ikke sammen, og det setter økonomien på spill. Et annet interessant moment er Høyres OPS-iver, og da særlig som finansieringsmetode. Her er det veldig interessant at Fremskrittspartiet og representanten Hoksrud kaller bompenger for landeveisrøveri, flåing, utpressing osv. Men hva er da Høyres OPS-løsninger? Hva vil det medføre medføre av ekstra bompenger? Vil ikke det være flåing, landeveisrøveri, utpressing osv. av bilistene? Vil ikke det føre til at bilistene får en enda høyere bompengeregning? Når det gjelder OPS, er vi faktisk helt enig med representanten Hoksrud som sier at OPS er høl i huet når det gjelder finansieringsmetode for bygging av bl.a. vei, og at det er uansvarlig sløsing med skattebetalernes og fellesskapets midler. Jeg synes det er underlig at et så økonomisk ansvarlig – tilsynelatende – parti som Høyre kan være så uansvarlig når det gjelder bruk av bilistenes, skattebetalernes og fellesskapets midler. Jeg tror faktisk Dagens Næringsliv har rett, Høyre har
neste taler er representanten Anne Marit Bjørnflaten. Representanten

troverdighet – og tillit – øker? Jeg tror en viktig grunn til at Høyre har høy troverdighet i samferdselspolitikken knytter seg til at vi ønsker å investere mer av vår oljerikdom i god infrastruktur – både vei og kollektivtransport. Og jeg tror at det knytter seg til at Høyre har en pragmatisk holdning og en åpning for å tenke nytt der de rød-grønne fremstår som ganske dogmatiske forsvarere av fortiden. Norge er i en helt unik situasjon med sine store oljerikdommer – det forplikter. Det forplikter på den måten at vi må sørge for at oljerikdommene ikke bare kommer dagens generasjon til gode, men også kommende generasjoner til gode. Derfor er det viktig at det er bred politisk enighet om både handlingsregelen og Statens pensjonsfond utland. Utfordringen i dette Stortinget er at de rød-grønne partiene i løpet av de siste årene har beveget seg bort fra en annen sentral enighet, nemlig at oljepengene vi bruker inn i norsk økonomi, skulle investeres i infrastruktur, kunnskap, forskning og vekstfremmende skattelettelser. Det er viktig, for det er lett å bruke oljepengene til å unngå nødvendig, men smertefull omstilling. Det er enkelt å bruke oljepengene til å smøre budsjetter og gjerne bevilge litt ekstra på de fleste områdene. Men hvis vi skal sørge for at vi har et vekstkraftig og konkurransedyktig næringsliv som kan finansiere velferden i tiår fremover, er det helt avgjørende hvordan vi bruker pengene. Derfor har Høyre høyere ambisjoner, og vi er opptatt av at vi skal investere mer i infrastruktur, både i vei og i kollektivtransport. Så må jeg si at jeg er overrasket over hvor dogmatisk særlig Arbeiderpartiet er i et forsvar for gamlemåten å bygge veier på, og at man viser så liten åpenhet overfor nye løsninger. OPS er ikke noe sesam, sesam. OPS har både fordeler og ulemper. Men vi mener OPS er en praktisk løsning på et faktisk problem. Det er en måte å forsikre skattebetalerne mot regningen for store overskridelser som vi har sett på prosjekter som er bygget på gamlemåten, og det er en god metode for å se planlegging, utbygging og drift i vedlikehold. Jeg hører at man trekker frem Sotrasambandet, men det som kommer ut av Hvis man ikke ser på vedlikeholdskostnaden, hvis man ikke ser på verdien av å bygge ut veiene raskere, hvis man ikke ser på forventede kostnadsoverskridelser på offentlige prosjekter, får man ut regnestykker slik som det er presentert av de rød-grønne. Vi mener at offentlig–privat samarbeid er én viktig utbyggingsmetode, og jeg er glad for at alle de fire borgerlige partiene i perspektivmeldingen slår fast at OPS er en god utbyggingsmetode for å se planlegging, bygging og drift i vedlikehold, og få bygget veiene raskere. Så er det viktig at vi klarer å se infrastruktur, boligutbygging og næringsutvikling i sammenheng. I altfor mange år har man fra kommunene pekt oppover, og fra stat og fylke har man pekt nedover. For fylke og stat har ansvar for infrastruktur, mens kommunene har ansvar for boligbygging. Jeg er glad for at de borgerlige partiene nå vil vise gjennomføringskraft ved utbygging av Fornebubanen. Det er et viktig prosjekt. Når det skal bygges en by på størrelse med Lillehammer ute på Fornebu, er det helt nødvendig å få infrastrukturen på plass. Jeg er glad for at Høyre og de andre borgerlige partiene nå løfter frem E18 Vestkorridoren, hvor vi ser prosjektet i sammenheng, og hvor man ikke bygger klattvis og delt, slik som man har gjort i fortid, som innebærer at prosjektene blir både dyrere og vanskeligere å gjennomføre. Vi har sentrale utfordringer foran oss. Det er behov for høyere investeringer, men også
neste taler er representanten Anne Marit Bjørnflaten. Representanten

E16 mellom Bergen og Voss var stengt i tolv dager etter ras ved Stanghelletunnelen i april i år. Den 13. mai, knapt en måned etter, gikk det et nytt ras, denne gangen mellom Bolstadøyri og Evanger – nær et område som ble rassikret for ca. to år siden. Gjennom de senere år har det vært en rekke ras, men heldigvis uten skader eller tap av liv. Usikkerheten for brukerne er likevel stor, og kostnadskonsekvensene av stengt vei er også Tall fremskaffet av NRK Hordaland viser at det i perioden fra 2003 til mai 2013 er gått 201 ras på E16 mellom Bergen og Voss – 201 ras! Fremskrittspartiet mener at veien synes å fremstå som en vei der risiko for ras er kraftig undervurdert. I tillegg er E16 mellom Bergen og Voss en trafikkfarlig vei. I en rapport omtalt i Bergens Tidende i april i år, slår Statens vegvesen selv fast at standarden på veien mellom Arna og Voss er «et hav bak dagens krav». Veien har stor trafikk i forhold til kapasiteten den opprinnelig var bygget for. Vegvesenet sier bl.a. at det er få strekninger som er egnet for forbikjøring mellom Arna og Voss, og at veien dessverre er svinget og med skarpe kurver. Dette har gitt som resultat et høyt antall dødsulykker og en rekke alvorlige trafikkulykker. Vi har merket oss Statens vegvesens klare konklusjon: «Trafikksikkerheten og alle rasene gjør at vi sannsynligvis må legge veien i helt nye traseer.» Inntil ny vei er bygget mellom Bergen og Voss, er det nødvendig med omfattende rassikring og trafikksikring på denne veistrekningen. Så langt som mulig bør dette arbeidet samordnes. Vi har merket oss samferdselsministerens kommentarer til forslaget gitt i brev av 23. mai i år, og vi mener at det svaret underbygger behovet for vedtak som sikrer tilførsel av midler til nødvendig rassikring alt fra 2013, samt i ordinært budsjett for 2014 og i handlingsplanens første del, 2014–2017. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i Fremskrittspartiet har selv fulgt opp dette forslaget om ekstramidler til rassikring på veier i forbindelse med revidert budsjett, som behandles kommende fredag. Representanten Arne Sortevik har tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er en stor dag, og nok et historisk løft innen samferdselssektoren, som den rød-grønne regjeringen har stått for. Jeg synes at representanten

for framtidig utvikling og verdiskaping på Helgeland. Et samlet storting stiller seg bak at det for første gang i norsk historie, etter det jeg kjenner til, på snart 40 år, skal bygges en ny regional lufthavn – jeg gjentar: ny regional lufthavn i Mo i Rana på Et bedre og framtidsrettet flytilbud vil komme hele regionen til gode. Derfor har hjørnesteinsbedriftene i åtte kommuner på Helgeland over seks år samarbeidet og brukt hele 25 mill. kr på planarbeidet i et kjempebra gjennomført prosjekt med faglig rådgivning fra Avinor. Fylkestinget i Nordland støtter også saken tverrpolitisk. Nå handler det om framdrift, det å komme fra plan til bygging. Næringslivet er utålmodig. De vil ta ut potensialet for verdiskapning innen både oppdrett, fiskeri, metall og leverandørindustrien til olje- og gassoperatører. Da må infrastrukturen på plass. Det handler også om turisme og bosetting. Det handler om å legge til rette for å bygge bl.a. framtidens Helgeland. Jeg er også veldig fornøyd med det som står skrevet i om Nordlandsbanen totalt sett, og spesielt den oppmerksomheten som industrien og Rana Gruber har fått, som den tyngste brukeren av Nordlandsbanen. Bedriften er en betydelig transportør av malm på Nordlandsbanen, fra gruven ved Ørtfjellmoen på Storforshei og til oppredningsverket i Vika i Mo i Rana, en distanse på ca. 35 km. Det skal investeres – kjøpes inn store malmvogner – og det er nødvendig. I tillegg skal det også gjøres store investeringer på veisiden på Helgeland og ellers i Nordland fylke. Det ser jeg fram til. Det er en stor opprustning som skjer på transportsiden på Helgeland, i Nordland og i resten av landet. Det kan denne regjeringen stå oppreist på. Kystveg E39-prosjektet er

at finansieringa var eit såkalla spleiselag. På mine besøk rundt om i dei fremste maritime bedriftene langs kysten blei 20 år karakterisert som altfor lang tid. Dette burde ein kunne klare på halve tida, var deira konklusjon. I Møre og Romsdal viser ferjeavløysingsprosjekt store samfunnsgevinstar gjennom ein utvida arbeids- og buregion. Eiksundsambandet er eit godt døme på dette. Prosjektet blei nedbetalt på rekordtid, det bind saman kommunane på Søre Sunnmøre, og styrker det viktige maritime «clusteret» der. Då er det svært skuffande at dagens NTP ikkje gir klare signal på vegen vidare nordover mot Ålesund gjennom ferjeavløysingsprosjektet Hafast. Når vi no har vegen frå Stryn mot Sunnmøre gjennom Kvivsvegen, vidare gjennom Eiksundsambandet, burde denne planen vise eit engasjert næringsliv at vegen vidare går gjennom Hafast mot Ålesund, og gjennom dette syr saman det viktige maritime «clusteret» på Sunnmøre og på Nordvestlandet – ikkje minst for å sørgje for framleis prosjektplanlegging av det avgjerande, viktige nærings-, samferdsels- og utviklingsprosjektet Hafast. Så nokre ord om vedlikehaldsetterslepet, som i Møre og Romsdal er på mellom 5 og 6 mrd. kr, og er eit gigantisk problem når det gjeld trafikksikkerheit og Med dagens forslag til vedlikehald klarer ein ikkje å stoppe dette forfallet, så når denne NTP-en blir presentert som tidenes satsing, kjem det i eit underleg lys når realiteten er at forfallet akselerer. «Tidenes satsing» er å dytte kostnadene over på brukarane og kalle det spleiselag – eit spleiselag der den statlege delen blir mindre og mindre år for år, og er ingenting anna enn eit statleg landevegsrøveri. Alle dei tre store byane i fylket, Ålesund, Molde og Kristiansund, har behov for nye innfartsvegar til sentrum. Gjett korleis desse er tenkt finansierte? Når vi no veit at regjeringskonstellasjonen tok ut fellesmerknaden om innfartsvegen til Ålesund, står dette fram som ein straff – straff fordi ein ikkje tar meir eller mindre heile rekninga gjennom landevegsrøveri. Framstegspartiets satsing på samferdsel og infrastruktur, som dei andre partia karakteriserer som urealistisk, viser at vi har parti på både sosialistisk og borgarleg side som ikkje har tru på verken seg sjølve eller næringslivet. Kvifor skulle ikkje vi klare dette, når nordiske naboar og europeiske land kan klare det? Det er fordi desse partia har bygd opp eit byråkrati som fører til at ein blir handlingslamma allereie i planleggingsfasen, og stoppar all framdrift. Men Framstegspartiet viser – bokstaveleg talt – veg igjen. Høyres samferdselsfraksjon har lagt fram Høyres politikk på en

Alle som hadde ordet i den saken, pekte på samferdsel som kanskje det viktigste virkemidlet, og vi fra Høyre pekte på hvordan infrastrukturtiltak og investering i vei og bane bidrar til mobilitet, vekst og utvikling – regionalt, lokalt og nasjonalt. Et eksempel: Den 30. april i år ble Trekantsambandet på E39 nedbetalt, tre år før tiden. Bommene er fjernet. Det har bidratt til en fantastisk vekst og utvikling i regionen Sunnhordland og Haugaland, og det vil bare fortsette nå når bompengene er opphørt og trafikken på E39 er fri. Det neste store prosjektet på E39 er Hordfast, ferjefri forbindelse mellom Sunnhordland og Bergen. Tilbake til regionalpolitikken. Dette prosjektet er beskrevet som Norges mest lønnsomme prosjekt. Statens vegvesen og deres analytikere, også eksternt, har beregnet 21 mrd. kr neddiskontert samfunnsnytte i dette prosjektet. Victor Norman går enda lenger. Han baserer seg på en klynge- og arbeidspendlingsteori og beskriver en enda gunstigere lønnsomhet – faktisk pluss 10 mrd. kr per år på ferjefri strekning på hele strekningen Stavanger–Bergen. Dette er virkelig distrikts- og Stavanger–Bergen. Dette er virkelig distrikts- og regionalpolitikk som monner. Så er det et faktum som ikke har kommet så godt fram i debatten så langt, nemlig at i innstillingen ser jeg at Høyre og Fremskrittspartiet har gått inn for en traséløsning i Hordfast-prosjektet, denne nye ferjefrie løsningen mellom Sunnhordland og Bergen. for jo raskere man får utløst denne samfunnsnytten og realisert dette prosjektet, jo raskere får hele samfunnet nytte av det, ikke bare denne regionen, ikke bare Vestlandet, men faktisk hele landet. Da hadde det vært veldig gledelig om vi i løpet av denne debatten – eller kanskje ganske snart – kunne få vite hva regjeringen mener om hvordan denne veien skal

dag, for moren min blir nemlig 75 år. Og ikke nok med det: Vegtrafikkloven blir 48. Og vi skal vedta en historisk nasjonal transportplan. Vi skal bruke 508 mrd. kr de neste ti åra. Det er mye penger. De fleste av oss er veldig opptatt av viktige prosjekter i vårt eget distrikt når NTP skal diskuteres. Sånn skal det være. Men det er også viktig å ta med seg at årsaken til at vi bruker så mange penger på samferdsel, er at vi ønsker å bedre framkommeligheten og gjøre avstandene mellom de ulike delene av landet vårt stuttere. Det blir utvilsomt raskere å reise til Hønefoss for folk på Gran når den nye E16 over Olimbshøgda står ferdig. Men det blir ikke bare stuttere; det blir også mye sikrere for dem som ferdes på og langs vegen. Trafikksikkerhet er viktig, men det er også matjorda. matjorda. Jeg er glad for at jordvernet i framtidige prosjekter blir styrket med denne regjeringa. Samtidig registrerer jeg at mange av prosjektene vi vedtar i dag, vil ta matjord, men det er prosjekter som er vedtatt lokalt for mange, mange år siden, og før denne regjeringa fikk lagt sterkere jordvernføringer. Jeg skal innrømme at jeg har vært blant dem som har hatt store forventninger til denne NTP-en. Mine forventninger er nesten innfridd. I Oppland vil E6 bli bygd kontinuerlig videre hvis det fortsatt blir rød-grønn regjering. Vi bygger rv. 4 over Hadeland, og vi bygger E16 gjennom Valdres – og vi får mer til fylkesveger. Så kunne jeg sjølsagt ønsket meg enda mer til Gjøvikbanen, men jeg er glad for at de rød-grønne i komiteen sier at Gjøvikbanen skal gjennomgås «i det igangsatte KVU-arbeidet for kollektiv transportkapasitet i Oslo-området som grunnlag for neste NTP». Det må bety at utredning om framtidig trasé, eventuelt dobbeltspor, krysningsspor og andre tiltak, allerede skal igangsettes når arbeidet med ny NTP begynner, og det er jo rett over jul. Den rød-grønne regjeringa viser at vi følger opp NTP ved å bevilge de pengene vi har lovet. Det er derimot bortimot umulig å se hva slags samferdselspolitikk vi får med en blå-blå-grønn-gul regjering. Fremskrittspartiet lever i sin egen verden og bruker penger over en lav sko. De sier at de skal kvitte seg med bompenger, men kan ikke garantere at det ikke blir bompenger med dem i regjering. Høyre skal i gang med OPS-prosjekter og vil sende regninga videre til neste generasjon. Så langt i debatten er det bare én ting som er helt klart om det skulle bli en annen regjering, og det er at det er fullstendig uklart hvilke prosjekter som vil bli bygd til hvilken med en blå regjering som vi ikke vet hvem som skal delta i. Det har vært interessant å følge debatten, og det har vært mye skremsel med tanke på det som kan komme – og uvissheten rundt det. Da tenker jeg ofte at angrep er det beste forsvar. Men én ting er å være villig til å bruke mer penger; en annen ting er å bruke pengene smartere og klare å bygge raskere. Jeg representerer en landsdel som har sett det som de rød-grønne skremmer med. Jeg har sett det i praksis, og jeg er ikke skremt i det hele tatt, tvert imot. E18 Grimstad–Kristiansand ble bygd raskere. Det var mer effektivt, det var billigere, og det er en vei som vi kan være stolt av. Vedlikeholdet er betalt eller er inkludert i kontraktene for lang tid framover, og vi er trygge på at det vil være en god vei. Men denne veien er den siste veien Sørlandet har fått, og slik sett har det ikke vært noen store prosjekter siden Bondevik. Det er egentlig et sug etter å få en Bondevik-regjering, en sentrum-høyre-regjering, tilbake. I

E39, er det lite som er forpliktende. Men regjeringspartiene og fraksjonen i komiteen skal ha skryt for å ha løftet opp og inn utredningen når det gjelder sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det er viktig at det prosjektet blir nevnt og løftet inn. Forhåpentligvis er det noe som også en ny regjering skal klare å følge godt opp. Men

Men vi tenker lenger, for vi trenger å ha visjoner for det som er nært, og som vi skal bygge nå, og også for neste prosjekt. Derfor sier vi at vi ønsker firefelts vei og nye veier fra Oslo til Lindesnes innen 2023. Det er en viktig merknad som hele opposisjonen står sammen om, og som vil bety mye for min landsdel.

Hedmark, hvor vi er i ferd med å få virkelig rask gjennomføring av E6 og togtrasé langs Mjøsa. Vi får god vei til Kongsvinger, og vi har en breddeutvidelse og standardforbedring på rv. 3. Vi har i det hele tatt store visjoner for hvordan vi skal forsterke viktige

Samtidig som man etterlyser gjennomføringskraft – særlig fra Høyres side – ser vi en opposisjon som spriker på helt vesentlige punkter med hensyn til hvordan samferdselssektoren skal drives videre i framtida, når det gjelder spørsmålet om finansiering, OPS. Jeg hørte representanten Sønsteruds gode innlegg om OPS i stad, og det er med noe beskrive at alternativet for dem som måtte være imot OPS, er kommunisme. Det er noen av oss som mener – og det har vi absolutt sett – at det finnes en mellomting mellom kommunisme og OPS, og den er det vel verdt å satse på. Dessuten går de forslagene som nå ligger inne, på å bruke mer av overskuddet i olje- og petroleumssektoren, noe alle

eller man kan velge den enkle vei hvor man sier som Fremskrittspartiet: bare bruke mer utover handlingsregelen. Det vil i veldig stor grad kunne innebære at man setter andre størrelser i fare, det være seg rente, kjøpekraft eller muligheter for å selge varer til utlandet. Men dette er alt i alt en stor dag, og regjeringa har gjort en god jobb. Gratulerer med dagen – kanskje i dobbelt forstand til saksordfører Anne Marit Bjørnflaten, som har bursdag i dag. Samferdselstilbudene er helt nødvendig for næringsaktivitet og

jobb. Gratulerer med dagen – kanskje i dobbelt forstand til saksordfører Anne Marit Bjørnflaten, som har bursdag i dag. Samferdselstilbudene er helt nødvendig for næringsaktivitet og bosetting i hele vårt langstrakte land. Jeg synes det er god grunn til å glede seg over en Nasjonal transportplan som er historisk høy, og som viser at regjeringen vil ta hele landet i bruk. Dette burde også opposisjonen kunne glede seg over. Jeg merker meg at det foregår en debatt om at pengene til samferdsel burde brukes der det bor mye folk, og i mindre grad i distriktene. Men vi kan ikke bare telle hoder og se bort fra verdiskaping og avstander. Jeg er tilfreds med at det satses mye på de store veiene, men jeg vil så sterkt jeg kan også sette fokus på tilførselsveiene. Derfor vil jeg også hilse velkommen de ekstra midlene til vedlikehold av fylkesveinettet. Troms har i lange tider blitt hengende etter i de totale veibevilgningene, og fylket har i tillegg et skrikende behov for utbedring av sitt omfattende fylkesveinett. Jeg er også opptatt av at livskraftige øysamfunn skal kunne satse på næringsutvikling og bosetting. Da er det nødvendig med tidsmessige fergetilbud og at det kan etableres fastlandsforbindelser der dette er mulig. Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen i Troms er gode eksempler på forbindelser som for lengst burde ha fått sine fastlandsforbindelser. I slike tilfeller må det være feil å bruke offentlige midler på kortsiktig vedlikehold, når det riktige utvilsomt er tidsmessige fastlandsforbindelser. Dette er utvilsomt satsing med en langt større effekt og varighet, som aktuelle fylker må stimuleres til å få på plass. Dette er heller ikke løsninger som skal svekke det totale vedlikeholdet i fylkene, men som skal sikre framtidig verdiskaping og bosetting i livskraftige øysamfunn. Jeg vil også berømme satsingen i Nasjonal transportplan på sjøverts trafikk. Dersom vi skal kunne nå målene om å få mer gods over fra vei til sjø,

neste taler er representanten Anne Marit Bjørnflaten. Representanten

Veier, jernbane og andre fremkomstmidler er avgjørende for å åpne store bo- og arbeidsmarkedsregioner, og dette danner grunnlaget for å ta ut det vekstpotensialet og mulighetsbildet som Norge og norsk næringsliv har. Jeg er glad for at en enstemmig transportkomité anerkjenner at strekningen på E39 mellom Kristiansand og Stavanger knytter store bo- og arbeidsmarkeder til hverandre, og at en bedring av fremkommeligheten her vil kunne bety mye for en del kommuner i Vest-Agder som sliter med lave score på de nasjonale levekårsstatistikkene, samtidig som Kristiansand- og Stavanger-regionen har store behov for mer arbeidskraft og kompetanse. Jeg er ikke like tilfreds med at regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ikke støtter Høyre og Kristelig Folkeparti i at det skal være en smal firefelts vei med midtdeler fra Stavanger til Kristiansand, og at den første delen fra Søgne til Lyngdal også må bygges i denne kvaliteten. Det er grunn til å understreke at Statens vegvesen har undervurdert trafikkutviklingen på E39 Kristiansand–Stavanger, og at trafikkveksten tilsier at den nye E39 mellom Mandal og Ålgård vil kunne være underdimensjonert etter få år dersom denne ikke bygges som firefelts vei. Dette understøttes av analysene fra Oslo hvor de la frem en rapport om treffsikkerheten til trafikkprognosene. Det er mye trafikk og mye tungtransport mellom Stavanger og Kristiansand. Ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det viktig at vi bygger fire felt, og at vi får midtdeler på hele denne strekningen. Jeg er glad for at i alle fall Høyre og Kristelig Folkeparti påpeker at det er noen flaskehalser som må utbedres så snart som mulig, nemlig Vikesåbakkene og

Det faktum at regjeringen nå vil utrede og kvalitetssikre prosjektet dobbeltspor frem til Egersund, er positive signaler og oppfattes som det første, viktige skrittet mot realisering. Høyres ambisjon er at det skal bygges dobbeltspor til Egersund. I tillegg er jeg glad for at i alle fall opposisjonspartiene har en felles merknad om at den rasutsatte flaskehalsen gjennom Drangsdalen på Sørlandsbanen bør utredes så snart som mulig.
neste taler er representanten Anne Marit Bjørnflaten. Representanten

mulig. I vår sto Høyre-folk på jernbanestasjonene i Vestfold og delte ut løpesedler, der de reiste krav om – og lovet – at Høyre skulle bygge ut hele InterCity-triangelet innen 2024. Senere har Høyre kommet på andre tanker, og Høyre-folket er blitt litt spakere i målet. Utbyggingsmålet er justert til det realiserbare, og Høyre har i likhet med det neppe er mulig å fullføre dobbeltsporutbyggingen til Lillehammer, Halden og Skien før i 2030. Nå går Høyre-folk rundt og forteller velgerne at Høyres jernbaneambisjoner er mer forpliktende enn regjeringens, altså veipartiet Høyre, som ikke har en krone mer å avse til jernbanen enn regjeringspartiene, forsøker nå å innbille velgerne at de plutselig har fått sterke følelser for jernbanen, og dette er altså et parti som har vært i stand til å skyve sine jernbaneforpliktelser med sju år i løpet av noen vårmåneder. Jeg husker godt da vi toget gjennom Vestfold i valgkampen 2005 og lovet 1 mrd. kr mer til henholdsvis vei og bane. Vi lovet at vi i tiårsperioden fram til 2015 skulle bruke 5 mrd. kr på Vestfoldbanen. Høyresiden karakteriserte dette som overbud. Vi bruker 12–13 mrd. kr i perioden. I valgkampen 2009 toget vi også gjennom Vestfold og lovet da 10 mrd. kr mer til vei og bane hvert år. Vi har holdt det vi lovet, og det vises i Vestfold, et fylke som minner mest om en sammenhengende byggeplass. Vi øyner slutten på utbyggingen av E18 gjennom fylket, og det er satt fart i jernbaneutbyggingen. Men det tar tid og koster penger å bygge jernbane. De neste store oppgavene på Vestfoldbanen er dobbeltsporet gjennom Horten, som dessverre har utviklet seg til å bli et kontroversielt prosjekt, og den ensporede strekningen fra Drammen til Kobbervikdalen, som er en betydelig flaskehals i dag. De får sin løsning i den kommende planperioden, forutsatt gode planprosesser og rettidige vedtak. Vestfold er i den heldige stilling at vi har fått penger til å bygge hver meter jernbane som er planlagt. Ja, jeg vil mene at vår fordel nettopp har vært utbyggingsklare planer og prosjekter. Derfor er tempoet i planleggingen og framtidig plankapasitet avgjørende for fortsettelsen. Min frykt er at lokal uenighet, uklarhet og beslutningsvegring vil forsinke planprosessene. Vi har lang erfaring med det i vårt fylke. Derfor har Vestfold Arbeiderparti bedt om statlig plan for strekningen Nykirke–Barkåker, Horten, og for hele strekningen mellom Tønsberg og Larvik, for å hindre at lokal uenighet forsinker anleggene, og for å sikre sammenhengende planlegging av jernbanen gjennom hele fylket. Nasjonal transportplan 2014–2023 er hele fylket. Nasjonal transportplan 2014–2023 er et styringsdokument for infrastruktur på samferdselssektoren. Svakheten med NTP er at prosjektene bare er opplistet. NTP har ingen midler for å gjennomføre prosjektene. Dersom rammen i denne NTP-en blir fulgt opp slik regjeringen ønsker, vil fullførelsen av hovedveiene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim anslagsvis 60–70 år. Uenighet om finansieringen er stor. Det er bare Fremskrittspartiet som er mot bruk av bomstasjoner, og begrunner dette med at bilistene allerede betaler årlig opp mot 60 mrd. kr i forskjellige skatter og avgifter. Regjeringen sverger til bompenger som en vesentlig del av investeringskostnadene. Fremskrittspartiet ønsker å bruke 455 mrd. kr mer i NTP-perioden enn regjeringen. Tallet kommer fra Statistisk sentralbyrås rapport Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer. Denne rapporten viser at det er rom for å investere hele 45,5 mrd. kr mer per år uten at den norske økonomien settes i fare. Rapporten fra SSB avvises mer eller mindre av alle andre politiske partier. Tall fra SSB blir ofte brukt av statsminister Stoltenberg som SSBs påstand om at økonomien tåler 45,5 mrd. kr mer i årlige investeringer i infrastruktur, blir imidlertid ikke tatt seriøst opp. Fremskrittspartiet er enig med Høyre om at OPS innen infrastrukturbygging er bra for bygging og vedlikehold av prosjekter, og det skal gjøres av utførende entreprenør. Uenigheten oppstår når Høyre også vil at Høyre ønsker å bygge infrastruktur og ta regningene på avbetaling over 25 år. Høyres modell overlater til fremtidige generasjoner å betale for gildet. Dette er en svært så usikker måte å finansiere store utbygginger på. Verdien av oljefondet kan i perioden avbetalingene skal skje, minke til det halve. Fremskrittspartiet vil betale for prosjektene når de bygges. Når det i dag lånes midler til Danmark rente, må den sammen renten også kunne brukes for norske prosjekter. Tidligere konsernøkonom i DNB, Nils Terje Furunes, svarte en gang på spørsmål om det var fornuftig å la entreprenørene skaffe midler til OPS-prosjekter. Svaret var selvsagt nei. Furunes la til at bare fattige land uten penger på bok måtte låne til utbygging. Det er derfor underlig at Høyre holder på dette. I TV3-programmet Luksusfellen advares det advares det sterkt mot å kjøpe på avbetaling for enkeltpersoner. Det prinsippet gjelder selvfølgelig også for staten. Finansiering etter OPS-modellen kan derfor bli svært

og meir skal det bli. Det viser nettopp transportplanen vi no diskuterer for dei neste ti åra. Det er nesten patetisk når Høgre og andre av opposisjonspartia no jamrar seg for at det ikkje skjer nok, og lovar så mykje meir om dei vinn valet. Vi har høyrt det same før, men da dei sat i regjering, klarte dei ikkje eingong å gjennomføre sin eigen Ja, planen var nærmast ikkje verd papiret han var skriven på. No skal dei altså byggje så mykje meir og låne pengar av private, det som blir kalla offentleg–privat samarbeid, OPS, pengar som staten og bilistar må betale attende med høge renter. Dette er fattigmannsfinansiering, som er mykje dyrare for staten enn om staten, som har nok pengar, løyver det som trengst.

Så Høgre sin retorikk heng ikkje på greip. For eit par veker sidan var det opning av fyrste byggjesteg på E6 mellom Ringebu sør og Otta. Vegprosjektet har vore planlagt i 40 år, men det var fyrst no, i denne regjeringsperioden, at vi fekk gjennomslag for dette. Dette er eksempel på den handlingskrafta og gjennomføringsevna vi har med det raud-grøne fleirtalet. Andre må gjerne rope og prøve å ta æra for det som blir gjort, kritisere og love, men det held ikkje. Høgre har hatt moglegheit, men fekk ikkje gjort noko. Det klare faktum er at aldri har vi i mitt fylke, Oppland, kome så godt ut som i gjeldande transportplan. Vi kan berre sjå kva som skjer, og skal skje, på f.eks. E6, rv. 4 og på jernbane. Eg skal ikkje rekne opp alle prosjekta, men dette får stå som vitne på utsegna mi om at vi aldri har fått så stort gjennomslag som no i Oppland. Så vil eg understreke kor viktig det er at Stortinget no føreset at intercityutbygginga, inkludert utbygging heilt mot Lillehammer, skal stå ferdig i 2030. Det er ein del slike presiseringar som klart og tydeleg kjem fram av innstillinga innanfor den gjeldande ramma for
neste taler er representanten Anne Marit Bjørnflaten. Representanten
er ein del slike presiseringar som klart og tydeleg kjem fram av innstillinga innanfor den gjeldande ramma for transportplanen. Man kan ikke la være å legge merke til hvordan Fremskrittspartiet i debatten i dag forsøker å kommunisere at utbyggingen av infrastruktur er et spleiselag hvor vi alle solidarisk skal bidra. Men ser vi hvordan Fremskrittspartiet argumenterer på andre politikkområder, som f.eks. kultur, skal alt brukerfinansieres, koste hva det koste vil. Derfor fjerner de også milliardbeløp Men når vi snakker om vei, avviker de plutselig fra dette prinsippet. Da skal staten betale alt, brukerne minst mulig, og staten er vi alle. De betyr at de som minst av alle bruker veiene, f.eks. de som bor på sykehjem, og som betaler sin skatt til fellesskapet, skal i solidaritet med bileierne bidra til spleiselaget. Dette klinger ikke bra i mine ører, men jeg registrerer at Fremskrittspartiet synes det er helt ok at hun gamlemor via sin skatteseddel må betale sin skjerv for at bilistene skal slippe unna. Jeg tok ordet verken for å snakke om intercitytog eller dobbeltspor, men derimot om de mange viktige og gode tiltak for min landsdel og mitt hjemfylke som ligger i dagens transportplan. For oss er veier og tunneler, havner og farleder og flyplasser svært viktige infrastrukturtiltak. NTP-en vi i dag vedtar, har tatt dette til seg. Mange gode prosjekter står nå foran en realisering og også en ferdigstillelse. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud forsøker i debatten å gjøre et poeng av at veiutbyggingen i Norge skjer stykkevis og delt. Det er feil. E6 vest for Alta er et eksempel på en vei som har hatt og fortsatt har en kontinuitet i Helhetlig tenkning har vært stikkord under debatten. Derfor er jeg som finnmarking og altaværing veldig fornøyd med merknaden som ber om at det snarlig settes i gang et utredningsarbeid om hvordan fjellmasser i forbindelse med utbygging av E6 kan brukes til fyllmasse til en eventuell utvidelse av Alta lufthavn. Vi snakker om besparelser på tresifret millionbeløp om dette blir realisert. Det første skrittet mot en slik realisering gjøres gjennom de vedtak Stortinget i dag gjør. Mange små og store kystsamfunn er avhengig av gode havner og farleder. Derfor jubles det i Finnmark for at det avsettes store midler for å gjøre våre havner og farleder bedre i stand til å møte framtidige utfordringer. Så har vi alle sammen forståelse for at noen blir skuffet når ikke deres vei-, flyplass- eller tunnelprosjekt er en del av de prosjektene som realiseres i første delen av NTP-perioden. Men om det er en trøst: I mellomtiden vil det være stor aktivitet langs våre veier og tunneler som har fått sin finansiering – til forargelse for dem som må vente en halvtime ekstra fordi salven nettopp er avfyrt, men samtidig til glede for dem for at vi nærmer oss den dagen da snoren skal klippes. Tilbake får vi en tryggere og sikrere vei, bedre havner og farleder og tidsmessige flyplasser, og det til glede for oss alle.

Det politiske flertallet evner altså ikke å se forskjell på investering i varige verdier som vil gjøre næringslivet mer effektivt og konkurransedyktig og trygge bilistenes hverdag. Fremskrittspartiet vil skille drift og investeringer gjennom statlige infrastrukturselskaper etter Avinor- og og Statnett-modellen. E134 over Haukeli knytter sammen områder med stor befolkningstetthet og et konkurranseutsatt næringsliv som er avhengig av å ha god framkommelighet hele året. Veien er også den korteste, raskeste og sikreste øst–vest-forbindelsen og videre til kontinentet. Den klattvise utbyggingen på E134 som det legges opp til, vil fordyre og forsinke utbyggingen. Fremskrittspartiet vil ha motorvei på E134 fra Oslo til Bergen. Dette vil komme alle brukerne av veien til gode. Fremskrittspartiet har i alternativt budsjett og NTP ivaretatt finansiering til bygging av E134 og nye tunneler over Haukelifjell med statlig fullfinansiering, fordi bilistene har betalt for utbygging gjennom Alle partier med unntak av Fremskrittspartiet har prioritert noen få statlige kroner til å starte arbeidet på E134 i andre del av planperioden. Samtidig viser de til mulighetene for å kunne framskynde byggestart gjennom lokalpolitiske vedtak om bompenger. Dette viser enda en gang at lokalpolitikerne tvinges til å ta initiativ til å be noe som gjør at bilistene tvinges til å betale for veiutbygging to ganger. Jeg vil minne om at 40 pst. av bompengene går til innkrevingsselskapene og til betaling av renter. Det er lite effektivt, og det blir jammen ikke mye vei av det heller. Det er tydeligvis dyrt å være rik i dette landet. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har støttet Rommetveits ønske om å få en vurdering av å forlenge E134 med en av å forlenge E134 med en arm fra Jøsendal i Odda og til Bergen. De vil altså med åpne øyne få vurdert å knytte europaveinettet til en arm som med dagens standard er uegnet for tungtrafikk, og som i tillegg krever ferjekryssing over Hardangerfjorden. Om det er Rommetveits tanke å svekke betydningen av og trenere utbyggingen av E134, får representanten svare for

selv. Den transportplanen vi behandler i dag, er den tredje nasjonale transportplanen jeg er med på å behandle eller gjennomføre. Fra 2005 og til i dag har det vært en enorm utvikling i forhold til fokus på og prioritering av samferdselsområdet. Regjeringen Stoltenberg har satt Fra å ha plusset på Bondevik-regjeringens NTP-forslag med 20 mrd. kr sammen med Fremskrittspartiet i 2005 har den rød-grønne regjeringen i gjeldende NTP økt rammene med 100 mrd. kr mer og i forslaget til ny NTP økt rammene med 150 mrd. kr mer over ti år, en økning på 50 pst. fra forrige plan. Innenfor disse rammene er det midler til små og store investerings- og vedlikeholdsprosjekter over hele landet. Jeg er spesielt fornøyd med opprioriteringen av jernbanen. Fra svært lav prioritering under Bondevik-regjeringen både til investeringer og spesielt vedlikehold og stykkevis og delt utbygging med mange små prosjekter og liten forutsigbarhet i bevilgningene, har regjeringen på disse åtte årene både økt rammene og gitt forutsigbarhet i bevilgningene og fått utbygging og vedlikehold i gang. Arbeiderpartiet vil ha gjennomført enklere planprosesser, flere større utbyggingsprosjekter og en prosjektfinansiering av jernbaneinvesteringene som gir en helhetlig, forutsigbar og sammenhengende utbygging. Jeg er derfor veldig fornøyd med at regjeringen nå har fått på plass en forutsigbar finansieringsmodell som gir muligheter for nettopp dette. Mens Høyre tviholder på OPS som løsningsmodell, tross massiv erfaring fra Norge og andre land for at denne modellen er dyrere og derfor ikke å anbefale, har regjeringen gjennom de to transportplanene som er gjennomført, prøvd ut ulike modeller og basert på denne erfaringen kommet fram til en god modell. I tillegg har transportetatene fått et krav på seg til å effektivisere slik at plantiden blir halvert i forhold til i dag, mindre samferdselsprosjekter skal kunne settes i gang uten Stortingets vedtak for å skape raskere framdrift, og vi vil i større grad la staten ta styring over planene for å få framdrift i utbyggingene, slik vi gjorde med Gardermobanen. Et aktuelt prosjekt å gjennomføre på denne måten er utbyggingen av Østfoldbanen. Jeg er glad for at regjeringen prioriterer utbygging av intercitytriangelet innenfor denne planperioden og også sier at de vil fullføre utbyggingen til Skien, Halden og Lillehammer i neste planperiode. Det betyr mye for folks hverdag. For Østfold er det viktig å få bygd ut dobbeltspor sammenhengende på begge sider av grensen mot Sverige. Den økende godstransporten med varer til og fra Europa skjer i dag for en stor del på E6 fra Gøteborg havn og fra Sørøst-Europa. Innenfor en tiårsperiode vil kapasiteten på E6 ifølge Vegvesenet være sprengt. Dette ser vi som ferdes på veiene i Østfold, allerede. En felles transportplanlegging mellom Sverige og Norge er derfor helt nødvendig. Det har vi i Arbeiderpartiet i Østfold tatt initiativ til både gjennom samarbeid mellom fylkene og LO og gjennom et initiativ sammen med svenske sosialdemokrater i Riksdagen. Vi ser fram til å følge opp dette også i neste periode. Regjeringen har gjennomført dagens NTP. Nå vil vi også gjennomføre den neste med nye ideer og bedre løsninger, basert på erfaring og ansvarlighet.

De fleste fiskerihavnene er opprinnelig bygd for å ivareta lokalt behov for trygge liggeplasser for fiskebåtene. Men også mottaksanlegg og videre transport av fisk og fiskeprodukter har vært viktige momenter for utbygging av disse havnene. Derfor er det viktig og riktig at det fortsatt legges betydelig vekt på distriktspolitiske målsettinger ved fordeling av midlene.

og generelt langs hele kysten i årene som kommer, og at det i tillegg skal satses betydelig på utbygging av fiskerihavner. Det er foreslått betydelige beløp for å sikre innseilingen til knutepunkt som Bodø, Rana og Sandnessjøen. I tillegg er det foreslått en rekke andre tiltak på dette området. Når det gjelder fiskerihavner, kommer – jeg må få lov å si det – Nordland godt ut. Jeg vil her nevne fiskerihavner som Andøy, Laukvik, Napp og Røst. Alle disse havnene er viktige fiskerihavner, og dette vil legge til rette for at fiskerinæringen vil få bedre kår – nettopp i tråd med regjeringens mål om at vi skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Det sier meg også at regjeringens politikk henger sammen. Det er en helhetlig politikk vi er vitne til her i dag. Veiklatting av E18-utbyggingen gjennom Indre Østfold har fordyret denne veistrekningen med 20–30 pst. Det er

Strekningen Vinterbro–Ørje er ikke den lengste strekningen, men vi har ni ulike parseller som bygges ut klattvis. I 1989 ble det første kommunestyrevedtaket om forsering av utbygging av E18 i Indre Østfold fattet. I 1989 gikk jeg på ungdomsskolen. Det er 24 år siden. Vi vet at det gjennomsnittlig tar ni år å planlegge og bygge ut en vei. Her må vi gange med tre. Vi må få til en bedre samordning av statlige etater. Vi må ha mer planleggingsmidler. Vi må få til et finansieringssystem hvor planlagte og påbegynte prosjekter i større grad kan gjennomføres i sammenheng, og vi må få på plass nye finansieringsmuligheter og alternative organisasjonsformer, slik at investeringstakten på både både vei og bane kan økes. Da er jeg over på bane: Kristelig Folkeparti har gjort en viktig prioritering: Vi prioriterer jernbane i denne NTP-en. Vi vil ha et bedre togtilbud og en opprustning av jernbanenettet. Vi vil ha full utbygging av InterCity så raskt som mulig. Østfold har hatt ett klart budskap til oss ni østfoldinger, som representerer befolkningen i Østfold i dette huset, og til regjeringen: De vil ha InterCity bygd ut til Halden i 2025. De vil ikke ha det til det lille, kjente stedet Seut i 2023, for så at det kommer til Fredrikstad, så til Sarpsborg og så til slutt til Halden. Vårt budskap og oppdrag inn i Vårt budskap og oppdrag inn i denne NTP-en var at dette komme til Halden i 2025. Vi vet at Jernbaneverkets utregninger når det gjelder optimal kostnad og framdrift er at det tar 13 år å bygge InterCity fullt ut: 2013 pluss 13 år. Da skriver vi på bordet et forslag hvor vi ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en ny sak om en helhetlig utbygging av InterCity til Halden, Skien og Lillehammer innen

etter hvert blitt – og det vil framover bli – svært mange mennesker samlet rundt kollektive transportårer, som ikke lenger kan ta seg av trafikken på en god måte. Befolkningsveksten i Oslo-regionen er sterk, og utviklingsprognosene er høye. En raskt voksende befolkning vil gi stadig mer både persontransport og godstransport. Godstog støyer langt mer enn persontog, og det planlegges for stadig lengre og tyngre tog. Det arbeides også for å få stadig mer av transporten over fra vei til bane. Og her er vi bokstavelig talt på vei – for ikke å si på skinner – i retning av et skikkelig konfliktområde. Planene for den nye Follobanen, som skal gå lange strekninger i tunnel fra Ski og inn til Oslo, har ikke skissert hvordan godstrafikken der skal løses. Det foreligger ingen strategi for hvordan godstogene kan betjene Oslo og Alnabru, på vei fra Gøteborg. Alternativet for gods blir da den gamle Men det foreligger statistikk og prognoser for godstrafikken. I 2011 gikk snaut ni millioner tonn gods med bil og bane mellom Gøteborg og Oslo. Denne varestrømmen er beregnet til å mer enn dobles – til 19 millioner tonn – innen 2014. Jernbaneverkets godsstrategi for å ta flere markedsandeler fra biltransporten er ambisiøs. Den gjeldende godsstrategien går ut på å doble togkapasiteten fra 2011 til 2020 og tredoble den innen 2040. Det blir mange godstog. Høyre ønsker gods over på bane, men for oss er det ikke akseptabelt at Østfoldbanen mellom Oslo og Ski skal være hovedtrasé for godstrafikk. Gods på jernbane er positivt og helt nødvendig, men det er viktig med helhet i politikken, og at det legges til rette for både gode bomiljøer og klimavennlig godstransport på samme tid. Den gamle Østfoldbanen, fra Ski og inn til Oslo, går nettopp gjennom disse tett bebygde områdene, som staten ønsker at kommunene skal fortette ytterligere. Da ser vi konfliktområdet: Støy er et problem for folkehelsen og er i konflikt med folkehelselovgivningen. Støyutsiktene vi ser i dokumentene for 2040 er ikke forenlige med statlige krav om fortetting langs jernbanen, og dermed er befolkningen langs indre del av Østfoldbanen påført en konflikt, i en situasjon hvor de forventes å bidra til å være en del av løsningen for fortetting i hovedstadsregionen. Støy gir helseplager, og samfunnet kan ikke planlegge for økt risiko for slikt. Jeg peker på sakens merknader fra Høyre og Kristelig Folkeparti, om at det må legges til rette for at godset kan fraktes på den nye Follobanen. Presidenten kan ikke registrere at representanten Per Olaf Lundteigen er til stede, og da går vi videre til Ingrid Heggø, Presidenten kan ikke registrere at representanten Per Olaf Lundteigen er til stede, og da går vi videre til Ingrid Heggø, som er neste taler. Nasjonal transportplan inneber eit historisk løft for norsk samferdsel og nye verkemiddel for effektivisering og finansiering, slik at vi får ein meir heilskapleg og føreseieleg utbygging av veg og bane og dermed meir rasjonell drift. NTP-en er tydeleg raud-grøn: Vi er samde om nivået på satsinga, prioriteringa og finansieringa. Innan samferdselsatsinga er Framstegspartiet og Høgre milevis ifrå kvarandre når det gjeld finansiering av samferdsel gjennom bruk av Framstegspartiet seier kategorisk nei til bompengar, mens Høgre er for. Til saman står faktisk 56 nye vegprosjekt, på sentrale vegar som E39, E16, E6 og E18, i stor uvisse, som følgje av opposisjonen sin usemje om bompengar. Arbeidarpartiet er særdeles glad for presiseringa i NTP om at innseglinga til Florø skal bli utbetra,

Utbetring med sikte på gul midtstripe gjennom heile fylket er godt i gang. Det er viktig at det kom ei presisering som understrekar viktigheita av snarleg opprusting av E39, og at planleggingsarbeidet for strekninga Vadheim–Langeland–Moskog, med omlegging av E39 kring Førde sentrum, og arbeidet med Førdepakken held fram. Det er denne raud-grøne regjeringa som har arbeidd Vikafjellstunnelen inn i NTP. Eg vil minna om at han ikkje låg inne i framlegget frå etatane. I tillegg vil eg syna til komitémerknaden frå dei raud-grøne, og då ikkje berre til den delen som seier at tunnelen er viktig å få realisert i andre periode, men også det som står i innleiinga: en prioritering av et prosjekt i andre del av planperioden åpner for at etatene kan starte eller videreføre planleggingen av prosjektene.» Dette inneber at vi raud-grøne også her er konkrete, i motsetnad til dei ulne lovnadane frå høgrepartia.

Vi vil ikkje bruka tida til å krangla om korleis samferdslesatsinga skal finansierast, vi har bestemt oss. Vi er klare til å handla og til å oppfylla NTP-lovnadane også denne gongen, slik vi også har levert på NTP i den førre perioden. Nordland fylke er perioden. Nordland fylke er et langt og smalt fylke, med en lang kystlinje. Fylket har også to andre kjennetegn som er særlig relevant for de samferdselsinvesteringene vi diskuterer her i dag. Det ene er at folk bor relativt jevnt fordelt utover hele fylket. Det andre er at vi har et veldig eksportrettet næringsliv. I 2012 var eksportverdien av tradisjonelle varer på over 19 mrd. kr ifølge I tillegg til tradisjonell eksport kommer en indirekte eksport på om lag 10 mrd. kr i form av råstoff som går ut via fiskeindustrien og havbruksslakterier i andre deler av landet, eksport av teknologiske tjenester, kommunikasjonstjenester, reiseliv, shipping, en gryende eksport av petroleumstjenester og krafteksport. Det sier seg selv at en god infrastruktur som sikrer en rask framføring av gods, god kommunikasjon for næringslivet og sikre løsninger for folk er avgjørende viktig i Nordland. Derfor er forslaget til ny nasjonal transportplan både riktig og viktig for mitt fylke. I kystfylket Nordland er det en lang rekke prosjekter med havner og farleder som styrker mulighetene for sjøverts transport. Det tas grep for å videreutvikle flyplassene, slik at det kan bli bedre flyforbindelser i og ut av fylket. Nordlandsbanen er en viktig åre for godstransport i Nord-Norge. Kapasiteten er sprengt, derfor er det avgjørende at fjernstyringen på strekningen Mosjøen–Bodø ferdigstilles, slik som det legges opp til i Det vil øke kapasiteten på banen. Gjennom de foreslåtte bevilgningene på nesten 4 mrd. kr til Trønderbanen starter også elektrifiseringen av Nordlandsbanen. Jeg imøteser med glede den varslede utredningen av konsekvensene av elektrifisering av resten av Nordlandsbanen. Det foreligger også en rekke initiativ til nye grensekryssende jernbaneforbindelser fra Sverige, Finland og Russland Det er bl.a. tatt et initiativ i det nordlige partnerskapet for en felles Barents transportplan. Regjeringen må ta en aktiv rolle med hensyn til å følge opp dette initiativet som en del av nordområdesatsingen, og ikke bare overlate initiativene til våre nordiske naboer og Barents-naboer. Bodø lufthavn er Norges sjette største lufthavn målt i antall passasjerer og et avgjørende knutepunkt for det regionale rutenettet i Nordland. Bodø har også et omfattende miljø innenfor luftfart, sikkerhet og beredskap, med en rekke nasjonale og regionale funksjoner. Flere av disse miljøene betinger en robust flyplassløsning som legger til rette for å videreføre eksisterende funksjoner og utvikle nye. Derfor er jeg tilfreds med at regjeringen i framlegget tar ansvar for å sikre utviklingen og å få på plass en prosess for en langsiktig løsning for

Med et sånt tempo ville det tatt 130 år å få bygd ferdig intercitytriangelet. Bondevik II-regjeringa, som hadde samferdselsminister fra Venstre, foreslo 1,4 mrd. til jernbane i sitt budsjett for 2005. Det reduserte de i budsjettforslaget året etter. De forlenget dermed byggetida for InterCity med ytterligere et par hundre år. Hadde Stortinget vedtatt SVs forslag til bevilgninger til Vestfoldbanen da NTP-en ble behandlet i 2004, hadde vi hatt dobbeltspor til Tønsberg nå. Da den rød-grønne regjeringa kom, ble det fart på bevilgningene til jernbane, men fortsatt ingen utbygging i Vestfold. SV i Vestfold lot ikke vår regjering dø i synden, for vi ville slett ikke ha en regjering som gjorde det tidligere regjeringer hadde gjort, sviktet Vestfoldbanen. Så fikk vi gjennomslag for bygging av dobbeltsporet Barkåker–Tønsberg, og da løsnet det, da kom traseen Sande–Nykirke, som bygges nå, med lyntogfart, og Eidangertraseen. Jernbanebevilgningene har blitt firedoblet siden Høyre var i regjering. To tredjedeler av dette brukes i Vestfold. Det er vi fornøyd med. De neste ti åra skal det brukes ytterligere 30 mrd. Og det er ikke sånn at vi begrenser oss til et indre Planleggingen av trasé mellom Tønsberg og Larvik må starte nå, sånn at arbeidet kan gjøres ferdig når traseen til Nykirke er ferdig. Vi har bare tida og veien til denne planlegginga, derfor har SV i Vestfold, sammen med Arbeiderpartiet, tatt til orde for statlig regulering for å sikre rask framdrift. SVs begrunnelse for å bygge ut jernbanen er at vi trenger mer effektiv og miljøvennlig samferdsel, og da må vi ikke bare bygge ut jernbane, vi må sørge for å få trafikk fra vei til jernbane. Denne transportplanen innebærer en vridning i den retninga. SV foreslo i 2004 også 4 mrd. til ny grenlandsbane og sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I denne NTP-en er det endelig blitt enighet om å få utarbeidet en konseptvalgutredning for Grenlandsbanen. Det skal skje i første del av perioden dvs. at utredningen vil være ferdig når Eidangertraseen er ferdig. Da kan det åpnes for lyntog mellom Oslo og Stavanger – Sørvestbanen via Vestfold – som vil kunne betjene halve Norges befolkning og ha et stort potensial for å erstatte flytrafikk. Rett før Høyres landsmøte delte Høyre i Vestfold ut en løpeseddel på jernbanestasjonene hvor de lovte dobbeltspor innen ti år.

i motsetning til noverande regjering, som har sett av berre 1 mrd. kr til dette prosjektet og vil starte opp i 2018. Det vil seie at det ikkje er fullfinansiert i denne planperioden, og det vil i alle fall ikkje verte ferdig før etter 2020. Dette er eit prosjekt som ein har arbeidd med sidan tidleg på 1980-talet, og det har vore ein heil del tulleutgreiingar. Den siste var om det var mogleg å treffe tunnelopninga, og eg venta berre på at det skulle kome ei ny, som gjekk på om det var mogleg å kome ut av tunnelopninga når ein var komen inn. Det er på tide at vi får sett sluttstrek for sånne tulleutgreiingar og får sett i gang bygging av dette viktige prosjektet, som vil ha enorm betydning for heile Vestlandet.

prosjektet. Eg registrerer at Framstegspartiet er det einaste partiet som også nemner sidetunnelen til Arnafjorden, og som peiker på dei store samfunnskostnadane med nødvendig rassikring på fv. 92. Å byggje denne sidetunnelen kan bidra til å spare mange pengar til bygging av rassikring, for det er då unødvendig. Eg har lyst til å seie nokre ord om fylkesvegane.

Dette kan vi ikkje leve med. Fylkesordføraren i Sogn og Fjordane – frå Arbeidarpartiet – var svært kritisk til regjeringas fordelingsnøkkel når det gjaldt vegmidlar til fylkesvegar, der Sogn og Fjordane kjem særs dårleg ut. Eg er overraska over at Senterpartiet, som har hatt samferdsleministeren i åtte år, har klart å lage eit så urettferdig fordelingssystem for Distrikts-Noreg som det vi no har – ikkje minst ut frå kvar

E6 med armar til Måløy, Ålesund og Kristiansund, og ikkje minst farleiene og hamnene – ei historisk satsing, som vi har all grunn til å vere stolte av. Ein gledeleg dag er det også for regjeringa og transport- og kommunikasjonskomiteen si prioritering av Stad skipstunnel. Som ein ser av merknadsskrivinga er det nesten slik at ein kan ane ein aldri så liten kappestrid om kor viktig denne tunnelen er – veldig bra! Stad skipstunnel er i veldig bra! Stad skipstunnel er i eit farleiprosjekt i særklasse. Prosjektet ber i seg element av miljøgevinst, arbeidsmarknadsbygging, kollektivtransport, og tilrettelegging av gods frå veg til sjø. Det er ein stor gevinst for nærskipsflåten, for næringsliv og for reiseliv – ein verdsattraksjon som vil setje Noreg på verdskartet. Dei siste kost–nytte-berekningane frå SINTEF viser positiv samfunnsnytte. Dette lovar godt, og eg trur dette prosjektet, til liks med mange andre etterlengta, viktige samferdsleprosjekt, vil gjere berekningane av samfunnsnytta til skamme. Stad skipstunnel er verken komplisert eller ekstremt dyr. Han er kort, berre 1 700 meter. Ifølgje Kystverket er det heller inga stor utfordring å byggje tunnelen. Prisen er om lag som for to avanserte offshorefartøy, eller mindre enn 30 pst. av prisen for Bjørvikatunnelen. Tunnelen vil fjerne kryssinga av det farlegaste havstykket på norskekysten. Auka sikkerheit, større føreseielegheit og redusert ventetid er viktig for både brønnbåtar, containerskip, fraktebåtar, fiskebåtar, turistskip, hurtigrute og fritidsbåtar. Stad skipstunnel vil lime denne delen av Vestlandet saman, slik at vi får ein av dei mest verdiskapande bu- og arbeidsmarknadsregionane på kysten. Ei samanhengande hurtigbåtrute på kysten vil vere Vestlandet sitt lyntogprosjekt. Heilt til slutt: Ein stor takk til alle som har bidrege til at dette viktige nasjonale og internasjonale prosjektet er på plass i Nasjonal transportplan, og til at vidare kvalitetssikring og planlegging kan verte utført slik at ein kan gå i gang med prosjektet i 2018, eller tidlegare, om det lèt seg gjere. Det er kjekt å registrere: Det som har preget denne debatten til nå, er at de neste

utgangspunkt – ganske optimistisk når det gjelder hva som kommer etter september. Jeg er ganske fornøyd med jobben som er gjort tverrpolitisk i Stortinget med hensyn til å løfte opp E134, som er en av de seks nasjonale transportkorridorene. Mange kommuner, fylkeskommuner og næringsselskaper har gjennom svært mange år jobbet for å nå målsettingene som nå realiseres gjennom NTP. Men de har i høyeste grad ventet på denne realiseringen. Det gjelder først og fremst ny E134 gjennom Kongsberg, og det gjelder i særdeleshet ny tunnel Århus–Gvammen – som er den som vi som kjører Haukeliveien, trenger raskest, og mest. For mange storting er Stordalstunnelen en flau historie, og den blir fortsatt ikke realisert av dette storting med hensyn til byggestart.

ha parallellinnkreving av bompenger – sånn at en likevel får startet bygging av den i 2015, som målet er. Det meste ligger klart lokalt. Derfor er det veldig bra at komiteen er såpass fornøyd med det arbeidet som gjøres, at det skal relativt lite til før det neste stortinget kan akseptere dette. Veien over Haukeli står for en tredjedel av den totale øst–vest-trafikken og for nesten 40 pst. av næringstrafikken. næringstrafikken. Det er ganske næringstunge byer og regioner der, og vi må ta hensyn til den veksten som vil komme på denne strekningen etter Rogfast når det blir kortere for alt næringsliv fra Stavanger å kjøre over Haukeli enn via Kristiansand. Man får effekten av Jondalstunnelen, Folgefonntunnelen og Hardangerbrua – på nordsiden. Så er jeg, og Høyre, veldig glad for den utvidelsen vi nå får til Drøbak. Det er en naturlig utvidelse fra Drammen til naturlig tilknytning til E6, og for godstrafikken videre til Sverige. Jeg er mer bekymret for «stuntet» – for å kalle det det – med en arm av en europavei til Bergen. Derfor har Høyre sagt at den merknaden er vi ikke er med på – den står i strid med det andre som gjelder europaveier. Mellom Kongsberg og Drammen ligger Sølvveien, Norges første kjørevei, anlagt rett etter sølvfunnet i 1623. Det er europaveier. Mellom Kongsberg og Drammen ligger Sølvveien, Norges første kjørevei, anlagt rett etter sølvfunnet i 1623. Det er en god illustrasjon på behovet for vei. Sølvet måtte ut fra Kongsberg, arbeidsinnvandrerne måtte inn. Derfor la kong Christian IV den første offentlige norske veien akkurat der. I dag er det en gledens dag. Endelig vedtas utbyggingen av E134, Damåsen–Saggrenda gjennom Kongsberg.

Også i dag kommer arbeidsinnvandrerne inn, pendlerne inn, mens høyteknologi i verdensklasse fraktes ut. Om noen år er køen over. Ny vei er helt nødvendig for at Kongsberg skal fortsette å vokse, men er selvfølgelig også viktig for hele veiforbindelsen E134 øst–vest. I siste seksårsperiode kommer et ekstra tunnelløp på E134, Strømsåstunnelen, og flere prosjekter blir fullført langs veien. E134 blir den mest attraktive veien øst–vest. Derfor er det et ekstra tunnelløp på E134, Strømsåstunnelen, og flere prosjekter blir fullført langs veien. E134 blir den mest attraktive veien øst–vest. Derfor er det veldig viktig, som komiteen skriver, at det etter hvert skiltes fra avkjøringen ved Fron på E6, under Oslofjordtunnelen, videre langs rv. 23 og over fjellet mot Haugesund og Bergen. En god NTP for Buskerud ble enda bedre da Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for å klargjøre at det ikke trengtes en ny KVU for Ringeriksbanen, men en utredning av dobbeltspor og høyhastighet. Når vi i tillegg fikk til en løsning for E16 Bjørum–Skaret med bompengeselskap som gis anledning til å låne, og statlig andel i første NTP-periode, var det grunn for velforeningen på Sollihøgda til å sprette champagnen. De har i 20 år levd med dundrende trafikk forbi sin dør. Ringerikssamfunnet har veldig stort behov for ny infrastruktur. Ringerike er kanskje det området på Østlandet med størst potensial for vekst. Men da trengs det ny infrastruktur, både vei og bane. bane. Eggemoen–Olum startes opp. Når Ringeriksbanen står klar, vil reisetiden fra Hønefoss være under halvtimen. En kan da pendle fra Flå i Hallingdal på en time inn til Oslo – eller andre veien. Hva dette kommer til å bety for Ringerikes og Hallingdals framtidige attraktivitet, trenger en ikke være klarsynt for å kunne spå om. Spiller Ringerike kortene sine godt, kan de virkelig blomstre. Som tidligere ringeriking vet jeg hvilken perle Ringerike er. I dag sier jeg gratulerer med dagen til alle som gjennom mange år har slåss for E16 og for Ringeriksbanen. Så er det veldig mange prosjekter jeg kunne sagt noe om, som er viktige for Buskerud: rv. 23, rv.7, både over Hardangervidda og Sokna–Ørgenvika, men det tillater ikke tiden. Vi har tidenes beste, mest omfangsrike og mest framtidsrettede transportplan til behandling i dag. De fleste er fornøyd, men som vanlig synes Fremskrittspartiet at dette er pinglete. I Hedmark har vi et begrep: «Det er umulig å kappflyge med kalva». Slik er det også i forholdet mellom NTP og Uansett hvor god en sak er, vil Fremskrittspartiet bestandig kunne fordoble innsatsen. Men seriøsiteten ved slike forslag øker ikke proporsjonalt med størrelsen på overbudet. Det finnes jo knapt den veistump eller det baneprosjekt som ikke ligger inne i deres alternativ. Dette er overbudspolitikk uten prioritering. På min vei til og fra Oslo benyttes

og masseforflytninger. Det er verdt å merke seg at dette gjøres uten OPS-kontrakter. Effektiviteten ved bruk av OPS-kontrakter ville ikke blitt bedre, men prosjektene ville nok her, i likhet med tilsvarende kontrakter i Sverige og England, blitt 25 pst. dyrere, og den enkelte kontraktør ville kunne tatt ut store årlige utbytter. Innlandet har levd i oljeskyggen i mange år, noe vi også vil gjøre i årene som kommer, men vi får litt mer solskinn når E6 og dobbeltsporet jernbane er på plass. Firefelts E6 har vært næringslivets viktigste næringspolitiske ønsketiltak gjennom mange år. Moelven Industrier sammen med politikere fra Mjøsområdet og fra innlandsfylkene har vært pådrivere for en sammenhengende utbygging fra Kolomoen til Moelv. Det var skuffelse i næringslivet og blant politikere lokalt da NTP ble framlagt og det lå an til å bli et opphold i utbygginga da E6 nådde Brumunddal. Men gleden var desto større da regjeringspartiene og transportkomiteen tok tak og sa ja til sammenhengende utbygging til Moelv. Dette viser at påvirkning er mulig, og at demokratiet fungerer. En fantastisk transportplan

1994. Nasjonal transportplan er eit viktig dokument for planlegging og bygging av samferdsleinfrastruktur. Eg er svært glad for at Høgre gjennom handsaming av NTP legg til rette for tidenes største samferdslesatsing, og at Høgre har viktige komitémerknader for mange prosjekt frå Sogn og Fjordane. Eit av dei viktigaste samferdsleprosjekta på Vestlandet er ferjefri E39. I NTP slår Høgre fast at ferjefri E39 frå Kristiansand til Trondheim må prioriterast høgt som eit nasjonalt prosjekt, og at ein må ha ambisjonar om å byggje ferjefri E39 innan 20 år. For E39 gjennom Sogn og Fjordane er det lagt til rette for ei utbetring på fleire strekningar første fireårsperiode. I siste perioden skal det prioriterast fleire delstrekningar mellom Vadheim og Kvivsvegen i Hornindal. E39 gjennom Førde sentrum skapar store utfordringar for vidare vekst og utvikling i Førde og i heile denne regionen. Det er danna eit aksjeselskap for å gjennomføre planlegging og bygging av ny veg

til rette for anleggsstart for kryssing av Nordfjorden i perioden frå 2018. Kystvegen mellom Bergen og Ålesund er eit godt døme på at viktige vegprosjekt ikkje kjem i løyvingsposisjon etter at fylkeskommunen fekk ansvaret for desse vegane. Det føregår eit viktig arbeid med å planleggje ein ny vegforbindelse mellom Måløy og Florø, den såkalla 45-minuttsregionen. Høgre har lenge sett verdien av å få til eit nytt Derfor har Høgre tidlegare føreslått å bruke 200 mill. kr i statlege næringsutviklingsmidlar i eit spleiselag for å framskunde dette prosjektet, og eg er svært glad for at Høgre ønskjer å vidareføre dette. Eit anna viktig prosjekt på vestlandskysten er Stad skipstunnel. Den vil leggje til rette for tryggare og meir føreseieleg sjøtransport langs eit særleg kritisk punkt ved kysten. I NTP er det lagt inn ei økonomisk ramme på 1 mrd. kr til Stad skipstunnel, og Høgre vil vurdere å framskunde byggjestart på Stad skipstunnel gjennom å byggje den som eit OPS-prosjekt. Dagens vinterregularitet over Vikafjellet gjev store utfordringar både for næringsliv og innbyggjarane. Høgre ønskjer å leggje til rette for oppstart av Vikafjellstunnelen i første del av planperioden, og då er det avgjerande at planleggingsarbeidet blir ferdig, slik at dette kan gjennomførast. Ein er også i sluttfasen av arbeidet med KVU for rv. 15 på Strynefjellet. Her er det viktig at det blir lagt til rette for ei løysing som også sikrar heilårssamband til Geiranger, som er ein svært viktig nasjonal turistdestinasjon. Alt i alt er dette svært god samferdsleprosjekt som Høgre vil jobbe vidare med etter 9. september. Nasjonal transportplan er

og rasjonell gjennomføring. Follobanen har allereie ein eigen post på statsbudsjettet og bør heilt klart verta eit prioritert prosjekt. Da kan me starta med bygginga av Norges lengste jernbanetunnel. Og han kan byggast utan stopp – med tunellboremaskin. I morgon vedtek kommunestyret i Ski reguleringsplanen for tverrslagstunellane – det er kanskje litt teknisk, men det må til. har Ski kommune regulert sin del av planen før sommarferien. Det er berre å setja i gang og arbeida. Når eg ser på merknaden frå Høgre og Kristeleg Folkeparti, må eg seia at eg vert litt forundra, og eg lurer på kva i alle dagar som er målet deira. deira. Med dei erfaringane eg hadde som ordførar i Ski under Bondevik II-regjeringa, der me ikkje eingong fekk nokre skarve millionar til å begynna å planleggja denne banen, er eg ganske usikker på kva dei ønskjer. Derfor er det tryggaste for Follobane-prosjektet ei fortsett raud-grøn regjering. NTP 2014–2023 er

Vedlikeholdsetterslepet innenfor fylkesveiene er alene estimert til mellom 45 og 75 mrd. kr og truer fylkeskommunenes øvrige tjenestevirksomhet, f.eks. innenfor videregående skole. For å stoppe forfallet videfører og styrker Høyre rentekompensasjonsordningen, som regjeringspartiene avvikler. Samtidig oppretter vi et fond på 50 mrd. kr, hvor avkastningen skal øremerkes vedlikehold av veier og jernbane. Høyre tar offensive grep. grep. Vi ser det er behov for en ny, offensiv politikk med nye løsninger. Overordnet ser vi det er behov for å legge til rette for at en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland må tas i bruk for investeringer i veier, jernbane og andre samferdselsinfrastrukturprosjekter. Midlene skal benyttes til samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, som gir Norge framtidig konkurransekraft og velferd over hele landet. Samtidig åpner vi opp for mer realistiske kriterier på beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Store utbygginger bør organiseres som egne offentlig eide prosjekter med selvstendig resultatansvar. Dette skal gi mer helhetlig og effektiv planlegging og raskere realisering av viktige samferdselsprosjekter. Høyre ønsker å prosjektfinansiere hele strekninger for å skape helhetlige løft Lånebetingelsene må reflektere statens kredittverdighet og innlånsrenter i markedet. Det må bli slutt på klattvise, urasjonelle og dyre samferdselsprosjekter som kun flytter flaskehalsene noen få kilometer ad gangen. Hentet fra mitt hjemfylke, Møre og Romsdal, kan jeg nevne følgende eksempler på en slik tenkning i merknads form: «E136 Ålesund–Oppland grense bør bygges ut som et helhetlig prosjekt.» Høyre «glade for at flere enkeltprosjekter er prioritert, men viser til at Høyres ambisjon er en helhetlig utbygging av hele strekningen, ikke bare å flytte flaskehalsene». Tilsvarende sier vi om E39 Møreaksen, fergefritt samband mellom Ålesund og Molde: «ifølge KS1-vurderingen av Møreaksen har dette prosjektet en netto nytteverdi på 2,6 mrd. kroner. Statens vegvesen har fått utført beregninger fra Victor Normann som har dokumentert at prosjektet gir en årlig nytteverdi for bo- og arbeidsmarkedet på 835 mill. kroner, at Torger Reve har dokumentert en årlig nytteverdi for næringsutvikling på 768 mill. kroner». Dette er årlige nytteverdier. Og heldigvis er ikke disse eksemplene bare uforpliktende merknader. Begge disse prosjektene er fremmet som fellesforslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti. At Norge og Sverige deler den lengste felles grensen i Europa, er

dyrere. Mens andre europeiske land klarer seg godt med få meter vei per innbygger, må Norge bygge mange meter for å bygge landet sammen. Dessuten trenger vi mange broer og lange tunneler, som Nordhordlandsbrua, Trekantsambandet og Lærdalstunnelen. Lange avstander gjør at veibygging krever mye arbeidskraft og mye penger. Derfor legger Nasjonal transportplan opp til en massiv satsing på vei, bane og kystformål. De økonomiske rammene økes med 50 pst. – rundt 150 I løpet av et tiår skal vi bruke mer enn 500 mrd. kr på transportformål. Trafikksikkerheten forbedres, reisetidene reduseres, og vedlikeholdet forsterkes. De lengste europaveiene blir prioritert, med mål om effektive korridorer som bygger landet tettere sammen, og fører oss nærmere hverandre. Regjeringen vil bygge dobbeltspor i intercitytrianglet på Østlandet, fergefri E39 på Vestlandet

Etter åtte år i Oslo, og utallige netter på Bergensbanen, er jeg glad for at dobbeltsporet mellom Bergen og Arna ferdigstilles, at Ringeriksbanen kommer, og at togtilbudet på Vossebanen forbedres. I Hordaland er vi også opptatt av en rekke veiinvesteringer: på E16, E39 og E134, og på rv. 7, rv. 13 og rv. 555. La meg nevne ett prosjekt spesielt: Sotra og Øygarden, en region med over 30 000 innbyggere, er tilknyttet Bergen med en tofelts bro – en sårbar tilknytning for en region med rask befolkningsvekst og næringsutvikling. Det er mye trafikk, høy trafikkvekst og lange køer. Nå prioriterer regjeringen oppstart i utbygging av nytt Sotra-samband, som vil gi bedre framkommelighet og bedre forhold for kollektivtrafikk, syklister og gående. Det er en milepæl for min region. Nasjonal transportplan er et ambisiøst dokument for trafikksikkerhet, jernbane, miljø, kollektivtrafikk, veiinvesteringer og vedlikehold. Regjeringen overoppfylte transportplanen som ble lagt fram av forrige regjering. Bevilgningene er kraftig økt og er i rute med å følge opp videre. Det gir troverdighet. Vi tar Norge videre.

I Hedmark har vi tidligere ikke vært bortskjemt med midler fra nasjonale transportplaner. Dette rettet seg først da Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen kom til makten for åtte år siden. Jeg vil berømme den rød-grønne regjeringen for å tørre å ta noen valg. Det er et ambisiøst, men nødvendig mål å møte veksten i byområdene med kollektivtransport, sykkel og gange.

Samtidig får vi firefelts vei til Hamar, helt opp til Brumunddal og til Kongsvinger, og det blir slik standard på nesten hele strekningen til Elverum. For dem som fortsatt er bekymret for utbyggingen nordover til Brumunddal, har flertallet i transportkomiteen i sin merknad tydeliggjort at etatene nå kan starte eller fortsette planleggingen av prosjekter som kommer i siste halvdel Så må jeg selvfølgelig også nevne et prosjekt som jeg brenner spesielt for. Det er elektrifisering av Røros- og Solørbanen. Jernbaneverket skal nå utrede konsekvensene for elektrifisering av denne banestrekningen. Det ser jeg fram til, for det er et så godt samfunnsøkonomisk prosjekt at det er nødt til å bli realisert. Da får vi også mer gods over på bane i hele landet, og ikke minst kan vi da sende godset utenom flaskehalsen Alnabru. Det vil spare samfunnet for betydelige summer, og det er dessuten et miljøprosjekt, men dette skal vi komme tilbake til senere. Til slutt vil jeg framheve viktigheten av at vi nå får muligheten for forutsigbar finansiering av større prosjekter innenfor dagens budsjettsystem. Det er veldig mye bedre enn å bygge på krita med en altfor dyr OPS-løsning – som

Det betyr også at de avkreves et resultat med hensyn til hvordan pengene har blitt brukt, og hvilken gjennomføringsevne man har hatt. Det er der debatten om OPS – om andre løsninger å bygge på – kommer fra. Det er grunnen til at denne debatten har kommet opp. Jeg hører at man i enkelte innlegg omtaler offentlig–privat samarbeid som om det bare skulle dreie seg om renter, eller om det faktum at det finnes entreprenører som tjener penger på at veiene bygges. Ja, det håper jeg at det alltid vil være. Det vil finnes entreprenører som tjener mye penger. Noen tjener mindre penger. Men selve ideen med å bygge ved går ikke bare på rentebiten. Det går på en helhetlig gjennomføring. Det går på en garanti mot budsjettsprekker. Det går på vedlikeholdet, og ikke minst går det på at veien blir tidligere ferdig. Det er jo det som er helt sentralt. Man kan hente eksempler fra både England og Sverige og hvor som helst. La oss heller gå til Sørlandet og se på E18 Grimstad–Kristiansand og hvor fort den ble ferdig. Slik kan det gjøres. Det sparer bilistene for problemer, og det er samfunnsøkonomisk godt. Jeg skal bruke det siste minuttet til å snakke litt om intercitysatsingen i Vestfold. Høyres formuleringer om at vi skal bygge den ferdig, helhetlig, så raskt som mulig og senest innen 2030, er en sterk forpliktelse for partiet. Så ser jeg at vi nærmest får en konkurranse om hvem som har de beste formuleringene, og jeg har hørt representanter fra Vestfold her i dag snakke om at man har noe man kaller en planhorisont for ferdigstillelse. Jeg vet ikke hva planhorisonter for ferdigstillelse er. Jeg vet bare at det å bygge noe innen en eller annen frist, det å bygge det så raskt som mulig – f.eks. med noen andre løsninger, med noen alternativer – og at man har et åpent så raskt som mulig – f.eks. med noen andre løsninger, med noen alternativer – og at man har et åpent sinn, er viktig. Jeg har også hørt lokale representanter fra Vestfold snakke om at man ikke skal bry seg om de lokale politikerne, den lokale beslutningsretten, når det gjelder traseer. Det er jeg mer skeptisk til. Høyre er et parti som mener at politikken skal komme nedenfra, og at statlig overstyring er noe man skal